den såkalte Brustad-bua. Lov av 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred, eller enklere sagt og bedre kjent som helligdagsfredloven, slår fast at faste utsalgssteder som hovedregel skal holdes stengt på søndager og andre hellig- og høytidsdager. Fra denne hovedregelen er det en rekke unntak, bl.a. for utsalgssteder som selger blomster, planter og andre hageartikler, og utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har

Jeg ønsker derfor at de enkelte partier orienterer kort om sine merknader i saken, siden det er så stor uenighet som det er. Jeg går ut fra at fraksjonene i familie- og kulturkomiteen selv også ønsker å gjøre det. Etter at åpningstidsloven ble opphevet i 2003, har det ikke vært statlige begrensninger på åpningstiden på hverdager. den gangen, har gitt oss mer fleksible og lokale løsninger. Høyre mener at den såkalte Brustad-bua ikke er hensiktsmessig, og at den har ført til en rekke tilpasninger som verken gagner forbrukerne eller næringen. Det samme gjelder unntakene for utsalgssteder som i det vesentlige planter og andre hageartikler. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker en bedre tilpasning av åpningstidene etter brukernes behov, og dagens unntak mener disse partiene kan virke konkurransevridende og er en unødvendig regulering av varehandelen. Høyre mener det er viktig å ivareta arbeidstakernes rettigheter, samtidig som det foretas en liberalisering av

i åpningstidsloven, men Høyre forutsetter at regjeringen vil følge utviklingen i kjølvannet av den endringen som er gjort, og at de ansatte i handelsnæringen vil få ivaretatt sine behov for helse, miljø og sikkerhet innenfor de alminnelige regler som gjelder arbeidsforhold i henhold til arbeidsmiljøloven. Høyre mener ut fra dette at § 5 i lov om helligdager og helligdagsfred bør opprettholdes. Men Høyre mener også at loven må endres slik at det gis adgang til å holde åpent på alminnelige søndager. Derfor foreslår vi i denne saken at regjeringen må komme tilbake til Stortinget og legge frem en sak om revisjon av gjeldende lovverk slik at det blir mulig med søndagsåpne butikker. Jeg ønsker å

mye med denne loven fra 2003 og til nå, i 2011. I dag er vi altså i 2011, og verden er litt annerledes enn den var i 2003. Mye har skjedd den siste tiden. Vi er nå faktisk inne i den travleste tiden når det gjelder søndagsåpne butikker – eller plantesteder. blir vi rent ned av reklame for alle de nye hageplantene og vårplantene fra Plantasjen og diverse andre hagesentre. Det er nesten så jeg har lyst til å be om en håndsopprekning fra dem som ikke går på Plantasjen og handler 1. påskedag, 2. påskedag, langfredag eller skjærtorsdag, når disse butikkene har Da er spørsmålet: Hva er forskjellen på å kjøpe planter og hageprodukter – det er det liksom ok å gjøre en helligdag – og det å kjøpe melk eller brød, som vi må ha reguleringer på? I tillegg ser vi at det er en utglidning når det gjelder sortiment i disse bransjene som får lov til å ha åpent. Hvor mange har ikke vært på Plantasjen og sett at man kan kjøpe alt fra hageredskaper, grillutstyr, vaser, lys og servietter til hundemat og kaninfôr – det er ganske stor forskjell. Så vet vi at andre bransjer, f.eks. Jernia, ikke får lov til å ha åpent, fordi de selger en del kjøkkenutstyr – til forskjell fra Plantasjen. Dette oppfattes som en veldig forskjellsbehandling i Det går ikke an å holde et innlegg i denne salen om denne saken uten å nevne Brustad-bua. Åpningstidsreguleringene ble i praksis borte i 2003, med unntak av helligdager og en del fridager. Men så ble det opprettet et lite unntak, og det var hvis butikken var på under 100 kvadratmeter – da var det ok. ok. Jeg skal ikke nevne navn, men det er en del representanter – sikkert småbarnsfedre også i familiekomiteen – som ofte går på ICA i Bogstadveien en søndag, fordi de kanskje har glemt å kjøpe bleier eller andre diverse ting, og må stå i kø i en liten butikk på 100 kvadratmeter. Vi ser at i butikkjeder over hele landet popper det opp butikk i butikken. Er det den utviklingen vi ønsker,

som handler her på søndager. Og fornøyde kunder inspirerer. Da er det moro å jobbe, selv når de fleste andre har fri.» Det er et sitat fra Siv Monica Brustad. Hun jobber på søndager og er søster til Sylvia Brustad. Men det som er viktig, hvis vi skal åpne for at flere fullsortimentsbutikker kan ha åpent på åpne for at flere fullsortimentsbutikker kan ha åpent på søndager, er at vi må passe på å ivareta arbeidstakernes rettigheter. Men verden har gått framover, og det er viktig at vi politikere nå følger med i tiden. Det må være opp til hver enkelt når man vil handle. Det er en etterspørsel etter dette. Jeg har ennå ikke sett at det har vært et stort press om å kunne handle klær klokka elleve verken en hverdag eller en helligdag, men la det likevel være mulig, slik at de som vil, kan få lov til å handle på den tiden av døgnet de selv ønsker det. Med det vil jeg ta opp mindretallsforslaget fra Fremskrittspartiet. Representanten Solveig Horne har tatt opp det forslaget hun refererte til. Kristelig Folkeparti står, som det framgår av innstillingen, sammen med flertallet i denne saken. Vi ser på regulering av åpningstidsbestemmelsene og

regulering av åpningstidsbestemmelsene og helligdagsfred som viktige spørsmål som har stor betydning for hverdagen til folk, og hverdagen til norske familier. Statsråden skriver i sitt svarbrev til komiteen: «Helligdagsloven skal verne om den alminnelige fred på søn- og helligdager ved blant annet å sette grenser for den kommersielle aktiviteten på disse dagene. Dette er, slik jeg ser det, fortsatt et viktig hensyn. Grenser for kommersiell aktivitet på søn- og helligdager bidrar til å bevare disse dagene som annerledes enn vanlige hverdager.» Kristelig Folkeparti deler statsrådens syn på søndager og helligdager som annerledes enn vanlige hverdager. Vi er enig i at en grense for kommersiell aktivitet disse dagene er hensiktsmessig.

er vel så viktig som markedet for å styre samfunnsutviklingen. Kristelig Folkeparti mener derfor at regulering av åpningstidene ikke alene kan avgjøres av tilbud og etterspørsel, men av hensynet til arbeidstakernes helligdagsfred. Vi må finne hensiktsmessige måter å regulere det på, sånn at vi hindrer utglidning i Formålet med helligdagsfreden er å bidra til at folk gis anledning til å ha helgefri, sørge for at én dag i uka er annerledes enn vanlige hverdager. Kristelig Folkepartis syn er at det er viktig å skjerme en dag i uka for kommersiell aktivitet, sånn at man sørger for at arbeidstakerne i varehandelen får mulighet til å ta fri på søndagene. For mange er dette en viktig del av kampen for et godt familieliv. Da regjeringen Bondevik II la fram forslag om å oppheve lov lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder, åpningstidsloven, ble regler om åpningstider for utsalgssteder på søndager og andre helligdager tatt inn i lov av 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred. Den nye § 5 skulle bidra til bedre tilpasning av åpningstidene til brukernes behov, samtidig som søndagen, som en annerledes dag med begrenset handelsvirksomhet, ble Folkeparti mener at det er grunn til å minne om det som var intensjonen bak unntakene i § 5 – ikke minst at det var snakk om utsalgssteder med begrenset omsetning av varer. Det er nødvendig med innstramming av bestemmelsene knyttet til vareutvalg for å unngå at dagens lovverk undergraves som følge av utglidning og uklar oppfattelse av lovens hensikt. Kristelig Folkeparti fremmer forslag i tråd med det, og jeg tar da opp Kristelig Folkepartis forslag.

Nå er dette en langt større utfordring for mange i andre yrkesgrupper – ikke minst innenfor helse- og omsorgssektoren, der man er nødt til å jobbe hele uka igjennom for å holde hjulene i gang i viktige samfunnsinstitusjoner. Jeg er veldig forundret over at Fremskrittspartiet tar det så langt ut at man velger å kjøre en så prinsipiell, så naiv tro på markedet som det eneste kriteriet for å vurdere så viktige bestemmelser knyttet til hva slags samfunn vi skal ha, hva slags muligheter folk skal ha for å ivareta familien. Det er et veldig klart eksempel på at her er det liberalisme, her er det den blinde troen på markedet som skal overstyre alt annet, selv om det ødelegger familienes mulighet til å være sammen, selv om det ødelegger familienes mulighet til å ha det godt sammen og ha fri sammen i helgene. Det er et veldig klart verdivalg fra Fremskrittspartiets side. Kristelig Folkeparti er glad for at flertallet har landet på en annen linje.

drøfte åpningstider i butikkene, er det ulike hensyn som skal avveies, som det ble sagt fra Kristelig Folkeparti i det forrige innlegget. Jeg tror nok ikke, som Kristelig Folkeparti, at – for oss som bor like ved små Brustad-buer – det først og fremst er familiefedre og familiemødre som har vakt på søndag. Det er nok mange som vil spe på inntekten til studielån og andre ting, som har den type vakter. Næringslivet vårt ser veldig forskjellig ut rundt om i landet, og der er det ulike hensyn som skal avveies. Derfor mener Venstre at når det gjelder åpningstider, burde det vært et kommunalt ansvar. Det burde vært kommunene som foretok de avveiningene. Det er klart at det er ulike hensyn rundt omkring i landet, det er ulike

et sted med andre typer familiestrukturer, med annen tilgang på folk til å gjøre de jobbene. Det er mange ulike hensyn som skal avveies, og vi tror at de hensynene avveies best lokalt. Det har falt ut noen ord i forslaget som er omdelt, sånn at det kan se ut som om Venstre mener at regjeringen endrer lover. Men Venstre mener at det er Stortinget som endrer lover. Så «Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag som fjerner statlige

Jeg mener at søndagen bør være en annerledes dag som skiller seg fra andre dager i uken. Grenser for kommersiell aktivitet vil kunne bidra til dette. Åpningstidsbestemmelsene i helligdagsfredloven gir et vern for arbeidstakerne innen varehandelen mot søndagsarbeid. Siden restriksjonene på hverdager ble opphevet i 2003, har åpningstidene på hverdager i praksis blitt utvidet i mange tilfeller. Jeg tror at mange vil ha forståelse for at arbeidstakere i lys av de lange åpningstidene i mange butikker på hverdager, har behov for å ha søndagen som en annerledes dag. Grenser for kommersiell aktivitet på søn- og helligdager vil kunne bidra til å hindre et økende press mot butikkeiere om å holde åpent på søn- og Debatten som tidligere har vært rundt unntaksreglene i helligdagsfredloven, har vist et stort engasjement for å beholde én dag i uken som er skjermet for kommersiell aktivitet. Jeg har merket meg at komiteens medlemmer fra Høyre foreslår at det gis adgang til å holde åpent på alminnelige søndager. Dette ville føre til en uthuling av helligdagsfredlovens bestemmelser som jeg tror mange ikke ønsker. Åpningstidsbestemmelsene har en lang forhistorie. § 5 i helligdagsfredloven, som ble vedtatt i 2003, pålegger at faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, skal holde stengt på helligdager. På jul-, påske- og pinseaften skal de stenge fra disse reglene er en direkte videreføring av tidligere lovgivning. Dette gjelder bl.a. unntaket for utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler, og unntaket for utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som ikke overstiger 100 m2. I åpningstidsloven av 1998 ble disse unntakene innført for å foreta en tilpasning til det praktiske behovet og for å imøtegå den vanskelige grensedragningen mot salg av kioskvarer. Åpningstidsloven av 1985 hadde unntak for bl.a. kiosksalg og for salg av blomster og planter. Når åpningstidsbestemmelsene nå igjen blir satt på dagsordenen, bør dette være med som et bakteppe. For å ivareta praktiske behov er det

Åpningstidsbestemmelsene i helligdagsfredloven var oppe til debatt i Stortinget både i 2008 og 2009. I et representantforslag fra fire stortingsrepresentanter fra Kristelig Folkeparti ble det foreslått at Stortinget skulle be regjeringen gjennom forskrift hindre omgåelse av åpningstidsbestemmelsene i helligdagsfredloven. I et annet representantforslag fra tre stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet ble det foreslått å avvikle Og nå er spørsmålet igjen oppe til debatt. Åpningstidsbestemmelsene skaper engasjement. Det er lett å se at opposisjonen i alle fall ikke er helt enig med seg selv i denne saken. Jeg mener at debatten om hvilket samfunn vi Engasjementet rundt åpningstidsbestemmelsene mener jeg viser at det fortsatt er behov for å skjerme én dag i uken ved å sette grenser for den kommersielle aktiviteten på disse dagene. Jeg merker meg at komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det er nødvendig med en innstramming av bestemmelser knyttet til vareutvalg for å unngå at dagens lovverk undergraves som følge av utglidning og uklar oppfattelse av lovens hensikt. Til dette vil jeg peke på at en eventuell utfyllende bestemmelse lett ville kunne by på nye og vanskelige avgrensningsproblemer hvor det kan oppstå tvil om tolkningen. Men jeg er helt enig i at bestemmelsene i helligdagsfredloven som tillater visse utsalgssteder å ha åpent på søndager, ikke skal tøyes. Dommen hvor en kjøpmann i Troms nylig fikk straff for å ha holdt søndagsåpent i strid med reglene, vil kunne gi sterke signaler til bransjen

engasjement fra statsråden med hensyn til helligdagsfredloven her i dette landet, og at det må være grenser for kommersialisering. Jeg lurer på om statsråden har vært ute og sett at den ene butikken etter den andre nå åpner butikk-i-butikk. Da kan en jo stille seg spørsmålet om det vil si at hvis du har en butikk på 100 m2, uthuler ikke den helligdagsfredloven, men hvis den er 105 eller 110 m2, da men hvis den er 105 eller 110 m2, da uthuler den helligdagsfredloven. Statsråden har i et brev til komiteen skrevet et svar på denne saken. Der står det at det ikke er «behov for eller hensiktsmessig med særskilte unntaksregler for lovlig søndagshandel». Da blir mitt spørsmål til statsråden: Hva legger statsråden i det?

Det vi skal handle, mener jeg vi klarer å handle med de reglene som finnes i dagens helligdagsfredlov, og jeg mener at det er viktig at vi setter noen grenser for hva vi skal åpne for på søndager. Jeg hører statsråden si fra talerstolen at hun registrerer at opposisjonen ikke er helt enig med seg selv. Da må jeg si at jeg sitter og

Men spørsmålet mitt til statsråden er hvorfor statsråden mener det er helt nødvendig for regulering av varehandelen å støtte dagens lovgivning.
Som jeg sa i mitt innlegg, mener jeg det er fornuftig at vi har regler som setter noen grenser for kommersiell aktivitet på søn- og helligdager. Jeg mener dagens lovverk er en balansert avveining mellom forskjellige forhold, og at vi til en viss grad har funnet en balanse mellom det som er kiosker og dagligvareforretninger og aktiviteter som er knyttet til handel på søndager. Jeg mener at det ikke er behov for å finne noen nye regler for det. Uansett: Hvis vi skal ha noen unntaksbestemmelser, vil det være grenseganger som må gås, og grenseganger vil være vanskelige. Derfor mener jeg at dagens regler er tilstrekkelige, og at vi har den nødvendige balansen som vi trenger for å få utført nødvendig handel på søndager, om vi måtte ha behov for det.

fast praksis i Stortinget, får man si, at opposisjonen består av selvstendige partier med egne programmer også på dette området. Det som derimot er mer uvanlig, og det vi kan lese hver eneste dag i avisene i disse dager, er at posisjonen er uenig med seg selv i viktige spørsmål for land og folk. Ellers trodde jeg for så vidt at statsråden ville ha gledet seg over at Kristelig Folkeparti av og til faktisk er enig med regjeringen i viktige verdispørsmål. Men spørsmålet mitt går på det presset mot utgliding som statsråden selv refererte til, og en dom som forhåpentligvis setter en standard. Vil statsråden følge med i utviklingen i varehandelen og sikre at intensjonene med dagens regelverk ivaretas?
det er svaret ja. Vi følger nøye med på hvilke dispensasjoner som fylkesmennene innvilger når det gjelder søndagshandel, og vi har gått igjennom hvilke forskrifter som er

En av de mer kuriøse konstruksjoner som er kommet fra politikernes hånd i Norge og her i Stortinget, er den såkalte Brustad-bua. Butikker som holder til i store, lyse og luftige lokaler på hverdager, må på søndager flytte virksomheten til trange kott hvor kundene nærmest stables i høyden for å få plass. Men verden har forandret seg. I dag er det vel ingen som på alvor mener at det vil være skadelig for de får handle i like store butikker på søndager som ellers i uka. Dagens lovgivning gir ellers mange urimelige utslag. For eksempel får Bunnpris drive søndagsåpne butikker bl.a. på Oppdal, Bjorli og Aspøya. Men på Åndalsnes er det ikke tillatt. Med andre ord: Det er behov for en opprydding i og oppmykning av denne loven. Trenger du dagligvarer på søndager, kan du handle trangt, i eller du kan handle trangt og dyrt på en bensinstasjon. Store og billige matvarebutikker har altså ikke lov til å holde søndagsåpent. Dette synes tydeligvis flertallet på Stortinget og den rød-grønne regjeringen er lurt og en god idé. Reguleringer skaper alltid vanskelige grenseoppganger. For eksempel er butikker som må holde stengt på søndager, misfornøyd med det de oppfatter som et mistenkelig stort vareutvalg på

Hva er det som får folk til å bruke politisk kapital til å forby farge-tv, rullebrett eller det å selge ferskt brød på lørdager, for å ta noen historiske eksempler. Tenk om vi kunne få flere politikere som gikk hjem en ettermiddag uten å føle at dagen var bortkastet hvis man ikke fikk forbudt noe.

avkrefte opposisjonens forsøk på å så tvil om hvorvidt posisjonspartiene står samlet i denne saken. Når vi ikke hadde tegnet oss til debatt i utgangspunktet, er det fordi vi har en strålende statsråd i Rigmor Aasrud, som på en utmerket måte kan redegjøre for Arbeiderpartiets, Senterpartiets og SVs syn i denne saken, som det er rungende enighet om. Så vi kan bare avkrefte den den påstanden. Tidene forandrer seg. Da jeg vokste opp, var det vanlig at man handlet på lørdagen. Man tok med seg pappeske og handlet alt det man trengte i løpet av en uke og var ellers ikke på butikken resten av uka. Nå er man ofte på butikken flere ganger om dagen hver eneste dag i uka. Det legger selvfølgelig et press på dem som jobber i sektoren, men det fører også til et økt kjøpepress. Jeg tror nok at folk får handlet det de trenger også innenfor det regelverket vi har i dag. Men kanskje bør vi også stoppe opp og se på hvilket samfunn vi ønsker oss? ønsker oss? Ønsker vi et samfunn hvor du skal kjøpe, være forbruker, hver eneste time i døgnet hver eneste dag i uka? Eller vil du skjerme noe av tiden i uka? Jeg mener at vi har en ganske ok balansegang for dette i det lovverket som vi har i dag. Lovverket sikrer en stor grad av fleksibilitet for norske forbrukere, og det verner arbeidstakere i sektoren og sikrer dem noen fridager. Forbrukerne kan også ta noen dager med pause fra kjøpspresset, og kan også ta noen dager med pause fra kjøpspresset, og kanskje nyte en fridag. Både som ansatt i butikk og som forbruker kan man en søndag være i marka og i skogen, ute i naturen, sammen med ungene og familien, i stedet for å stå i kø i butikken. Så den oppfordringen kan gå til oss alle: ut og nyt våren! Jeg tror nok at det lovverket vi har i dag, absolutt ivaretar både hensynet til arbeidstakere

i ukens første dager. Toinntektsfamiliene gjør at behovet for utvidede åpningstider øker. Det blir altså behov for å handle om kveldene, når folk har kommet hjem fra jobb, og i helgene. Så følger altså Arbeiderpartiet med, så vidt det er, med Brustad-bua, med hagesentrene er, med Brustad-bua, med hagesentrene og bensinstasjonbutikkene som har lov til å ha 50 m2 ekstra i forhold til Brustad-buene. Men det går smått. Motstrebende følger Arbeiderpartiet langsomt etter. Nå fikk vi Matkjedeutvalgets innstilling i går. En viktig del av Matkjedeutvalgets innstilling er en drabelig kritikk av norsk dagligvarehandel fordi utvalget er så dårlig. Tar man en titt i Brustad-buene og i bensinstasjonbutikkene, så ser man at Matkjedeutvalget har rett. Utvalget er elendig, og det blir ikke noe bedre av de flotte ordene om helgedagsfred fra Kristelig Folkeparti og motstanden fra Arbeiderpartiet. Jeg vil også si til foregående taler, Stokkan-Grande, som nevnte at arbeidstakerne må få lov til å ha noen fridager: Men i alle dager – at vi går inn for søndagsåpne butikker, betyr da ikke at de ansatte skal jobbe syv dager i uken. trodde det var mulig, også for en i Arbeiderpartiet, å forstå det etter alle disse årene med denne debatten. På samme måte som i alle andre bransjer, som også er blitt nevnt i denne debatten tidligere, i omsorgsyrkene f.eks., hvor det må være folk på plass, ikke bare

Dette er altså ikke noe ytterliggående forslag fra Fremskrittspartiet. Dette er mainstream åpningstidspolitikk, slik vi ser det i våre naboland og andre europeiske land. Så la meg avslutningsvis, president, få oppfordre: Legg fortiden bak dere, og følg med i tiden! Helt til slutt, for ordens skyld: Fremskrittspartiet kommer til å stemme subsidiært for Venstres forslag.

at behovet til familiene for å være sammen er mindre viktig? Vi skjønner også at en liberalisering av åpningstidsbestemmelsene ikke betyr at arbeidstakerne må jobbe sju dager i uken. Men for ganske mange familier er det faktisk ikke bare antall dager i uken man har fri, som teller, men antall dager man har fri Nå har jo arbeidstakerne gitt klart uttrykk for hvor de står i den saken. Det taler også for seg. Det er vel nettopp det som er verdikonservativ politikk, å ta på alvor at samfunnet forandrer seg, å tilpasse lover og regler ut fra at samfunnet forandrer seg, men å ta vare på noen grunnleggende verdier gjennom skiftende tider.

å ta vare på én dag i uken som annerledesdag, én dag i uken da vi faktisk har bedre tid – bedre tid sammen. Jeg synes saken avdekker noen viktige forskjeller også når det gjelder verdivalg i politikken, og her synes jeg Fremskrittspartiet viser sitt sanne liberale ansikt.

Jeg vokste opp på et lite sted med to butikker, et samvirkelag og en familieeid matvarebutikk. Begge stengte kl. 17, og det er riktig, som Stokkan-Grande sier, at vi tok med eske på lørdag og handlet. Men fordi vi hadde en liten familieeid butikk i et lite lokalsamfunn, var det slik at hvis mamma hadde glemt å kjøpe fløte på søndag, og ville lage fastelavnsboller, så reiste hun opp til han Narve og fikk fløte sjøl om butikken ikke var åpen. Det ville vært urimelig å ha med den driftsstrukturen som Overhalla hadde på det tidspunktet, der det bare var en familieeid butikk, og det bare var familien som sto der. Jeg tror kanskje at hvis kommunestyret hadde fått valget, så hadde de ikke endret åpningstidene akkurat der og da, for det fungerte godt i lokalsamfunnet. at for meg var det en stor overgang å flytte til denne store byen, der jeg ikke visste hvor man fikk tak i fløte hvis butikkene var stengt, for det var ingen Narve å ringe på hos på søndag og spørre om vi likevel kunne få driftsstrukturene er forskjellige, eiendomsstrukturene er forskjellige, hele samfunnsstrukturene våre er veldig forskjellige rundt omkring i landet, og det er derfor Venstre har fremmet dette forslaget. Vi tror at hvis kommunestyrene setter seg ned, så vil de klare å lage gode regler som ivaretar balansen i de enkelte lokalsamfunnene, de næringsstrukturene som er der, og at de tar opp i seg at tilgangen på

og det er så lett å lage morsomheter rundt politikeres reglement. Det å flytte makta – og debatten – ned til dem det faktisk angår, vil gjøre det litt vanskeligere å lage morsomheter og populistiske løsninger på hvor dumme vi politikere er som lager slike dumme løsninger. Så det å flytte makta ned vil også frata en muligheten for å lage morsomheter rundt den jobben vi gjør i denne sal, og det vil muligheten for å lage morsomheter rundt den jobben vi gjør i denne sal, og det vil flytte makta dit hvor noen faktisk kan foreta avveiningen av hva det handler om å ha en åpningstid som ivaretar både næringsstruktur, familieliv og samfunnsstruktur i hvert enkelt lokalsamfunn. Brustad-bua er selvsagt ingen stor, avgjørende sak for det norske samfunnet, men det er et godt eksempel på en overdrivelse av – og

Argumentet om å beskytte fritiden til de ansatte er syltynt, og flere av representantene har vært innom akkurat dette. Det er mange som faktisk ønsker å jobbe på søndager, og som synes det er praktisk å jobbe på søndager, og det er en del av familiekabalen at man også kan jobbe på andre dager enn hverdager. Så det er ulike behov innenfor det området. er klart: Regelverket skal også holdes innenfor dette. Her er det jo ikke snakk om at man skal jobbe overtid og overtid, men at man holder seg innenfor bestemmelser. Som man kanskje har fått med seg i det siste, er det en betydelig gruppe i Norge som ikke har helligdagene sine på søndager, men på andre dager i uken, f.eks. på fredager, og som gjerne jobber på søndager. Det skinner vel litt igjennom ønsker å ha søndagsfri fordi de ønsker et større oppmøte i kirken på søndager, og det er jo forståelig, for oppmøtet er dalende og fallende. Men jeg tror ikke dette er et avgjørende spørsmål for å få til det. USA, som har veldig liberale åpningstider, har et langt større besøk i sine kirker enn det man kan vise til i Norge, så det er nok andre grep Folkeparti må ta for å få opp kirkebesøket. Jeg tror ikke størrelsen på butikken er avgjørende her. Man kan gå inn på Rimis nettsider, og der har de funnet løsningen på hvordan de skal omgå dette regelverket: De bygger store butikker, lyse, flotte butikker, men så lager de en liten Brustad-bu inne i denne store butikken. så lager de en liten Brustad-bu inne i denne store butikken. Og på søndager så gjør de noen grep, flytter på noen varer og noe rekkverk, og så kan de altså holde åpent. Jeg kan referere litt til hva de skriver på Rimis nettsider, og de har funnet løsningen. Jeg synes det er rart at statsråden ikke kan gå inn og se på det, for her trikses og mikses det – så man får det til hvis man ønsker. Men det er jo ikke slik regelverket skal være. Rimi skriver på sine sider: «Selve Brustadbua er utformet etter det nye Rimi-konseptet. – Vi har alle de Vi har alle de vanligste hverdagsvarene i Brudstadbua vår, pluss litt til. Nå slipper kundene våre å dra på bensinstasjonen, de kan også handle rimelige varer hos oss på søndager.» Så Rimi får det til der også. Det er

eller på Statoil eller på butikken i butikken. Og så har du Plantasjen. Er det slik at Plantasjen er helt fantastisk, at den ikke rammer helligdagsfreden? Når Kristelig Folkeparti kan stå her og begynne å stille spørsmål ved Fremskrittspartiets forhold til den kristne kulturarv og hvor viktig det er at familien skal være sammen, da blir dette et lavmål i denne debatten! Ja, vet du hva, jeg skal ta meg selv som et eksempel. Jeg går tur på Solastranden en søndags formiddag med mine barn, Men så tenker vi: Å filleren, vi har ikke egg. Da er det veldig greit å kunne gå innom på butikken i butikken, eller på Statoil og kunne kjøpe den pakken med egg. Eller når man plutselig en lørdag ettermiddag finner ut at søndagsskolen skal på tur, og de skal på grilltur. Nei, vi har glemt å kjøpe grillpølser, men da kan vi gå i butikken i butikken å kjøpe grillpølser, men da kan vi gå i butikken i butikken og kjøpe de grillpølsene. Derfor bør i grunnen Kristelig Folkeparti våkne opp. Enten må de forby alt, eller så kan de spørre sine egne medlemmer om de handler på en søndag. Det må være logikk i dette. Fremskrittspartiet har tatt inn over seg den utviklingen vi har i samfunnet i dag. Det er ingen vits i å lage noen morsomheter av dette. Dette er ikke morsomheter, dette er realitetene ute i samfunnet. Det er en hån mot familiene når vi begynner å stille spørsmål ved hvordan de bruker fritiden sin. For Fremskrittspartiet er det viktig at familiene selv tar vare på sin fritid, og det klarer de uten at vi politikere skal gå inn og styre den. La dem få lov til å handle i butikker når de selv ønsker det. Jeg hadde ikke tenkt å ta ordet i denne saken, men når jeg får høre hvor mange det er det. Jeg hadde ikke tenkt å ta ordet i denne saken, men når jeg får høre hvor mange det er i handelsbransjen som gleder seg til å få jobbe på søndag, greide jeg ikke å Det er bare én måned siden jeg kom hit på Stortinget, og før det har jeg 30 år bak meg i dagligvarebransjen. Jeg har vært tillitsvalgt i mange år, og har ennå ikke møtt én som gleder seg til å jobbe på søndag, så jeg har tydeligvis andre omgangsvenner. Vi er fullt klar over at handelsansatte ikke skal jobbe sju dager i uken, men det er mange som er pålagt å jobbe tre kvelder, de er pålagt å jobbe annenhver lørdag, og så skal de i tillegg bli pålagt å jobbe annenhver søndag. Nå er det slik at ungene har fri når skolen har fri. Når skal man da få tid til å være sammen med ungene sine? Et annet argument er at det er veldig mange andre som må jobbe på søndag. Ja, det er dessverre det. I helsesektoren er det heldøgnsturnus, og mange må jobbe på søndager, på helligdager og på natten. Dette er det ikke mulig å gjøre noe med. Vi kan ikke gi bestemor på sykehjemmet mat på fredagen så hun er mett til mandagen, men vi kan kjøpe kneipp på lørdagen, slik at vi berger oss helt til mandagen. En annen ting, som ikke har vært problematisert i det hele tatt her, er matvareprisene. Jeg tror det er mange her i salen som klager på at det er for dyrt i Norge, maten og dagligvarene er for kostbare i Norge.

den tiden da jeg begynte i butikk, var vanlig åpningstid fra kl. 9 til kl. 17, og så var det lørdagsåpent fra kl. 9 til kl 13. Vi ser jo av utviklingen nå at det er dobbelt så lang gjennomsnittlig åpningstid i alle dagligvarebutikker. En del av det høye prisnivået skyldes sjølsagt at vi har lange åpningstider, og at vi må ha mer timelønn til de ansatte. Så vi er helt enig i at vi beholder helligdagsfreden, slik at familien kan få lov til å være sammen på de dagene, i hvert fall der det er mulig.

kan være ulike trossamfunn, livssynssamfunn, som har ulike helligdager, og at man bruker det som argument. Jeg er vel litt forundret over at Fremskrittspartiet mener at fordi vi har fått ulike kulturer, ulike religioner ved innvandring, skal man bruke det som argument for å fjerne viktige elementer i den kristne kulturarven. Tvert imot skal vi styrke den kristne kulturarven og bruke det som et grunnlag for å ønske andre kulturer velkommen til til landet. I og med at vi har en veldig lang dag foran oss, er det fint om neste annonserte taler gjør seg klar. Aller først må jeg si at jeg hadde vel aldri tenkt å ta ordet Men når jeg hører flertallets vilje, hvor man overhodet ikke ønsker å legge til rette for å få på plass et dynamisk samfunn som faktisk kan «serve» sin egen befolkning på en best mulig måte – vi lever i 2011 – og de vikarierende argumentene som blir brukt i denne saken, er det nesten så man må trekke på smilebåndet av det. Jeg husker godt 1984, da Henning Holstad kjempet sin kamp for å kunne få lov til å selge melk og brød fra en storkiosk. Han endte med å få bot og ble arrestert. Derimot var det fullt lovlig å selge både brus, sjokolade og andre – som mange vil hevde – ikke så sunne produkter, men melk og brød var forbudt. men melk og brød var forbudt. Jeg husker godt mange andre eksempler, som f.eks. da man gikk mot at man skulle ha TV 2 i Norge – vi skulle ikke ha åpenhet. Alt skal styres, og det skal styres politisk. Jeg tror faktisk at forbrukeren er i stand til å kunne styre dette på en meget god måte. Jeg tror heller ikke at det i framtiden vil være slik at alle butikker vil ha åpent på en søndag. Men i de butikker og i de kommuner hvor dette er interessant, vil man faktisk gjennomføre det for å få på plass et dynamisk samfunn som henger sammen. Hvis det er slik at man ikke ønsker at arbeidstakere skal jobbe på en søndag, da må jeg si at jeg i 20 år av mitt Det var aldri noen der som diskuterte om man skulle jobbe på en søndag eller ikke. Skal man legge ned en hel oljeindustri hvis man skal likebehandle? Ta våre naboland. Ta Russland. Ta resten av Europa. De har innsett at skal vi få et samfunn der hjulene skal gå rundt på en dynamisk måte 24 timer i døgnet, er det faktisk på sin plass at vi må ha butikker som selger produkter. Vi må ha apotek som er åpne. Vi må ha sykehus som er åpne. Vi må ha bensinstasjoner som er åpne. Hva i himmelens navn er det som er galt med det? Eller er det slik at vi nok en gang opplever et stort «Ola Dunk» i en politisk sak? Det var egentlig representanten

Hvordan skal vi tolke det? Jeg tolker i hvert fall dette som et tegn på at de tillitsvalgte innen LO-systemet etter hvert helt har mistet kontakten med grasrota i norsk næringsliv, når det suppleres med klagemål over at med klagemål over at ansatte må jobbe på kveldstid. Vi står altså tilbake med tillitsvalgte innen norsk dagligvarehandel som mener at skal man kjøpe melk og brød, bør det foregå på formiddagen på vanlige hverdager. Den tiden er definitivt forbi. Det var derfor jeg i mitt forrige innlegg oppfordret representanter for de rød-grønne partiene til å følge med i tiden. Til slutt når det gjelder representanten Håbrekke, som mener at dette er et religiøst spørsmål, og at det å kjøpe egg på søndager er en trussel mot den kristne kulturarven. Jeg mener det er feil, og jeg mener også å kunne dokumentere at det er feil, for det er i Europa de mest katolske landene som har de mest liberale åpningstidene.

Kort oppsummert av debatten kan vi i hvert fall slutte følgende: at Fremskrittspartiet også har sin gud, som er mammon, og kjøpesentrene er deres katedraler. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og
det heile, eller å få eit prosjekt raskare fram i ein kø. Slik er det òg med dette prosjektet. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7 Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Presidenten vil videre foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av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
vedtatt. Elektronisk kommunikasjon er blitt stadig viktigere for hverdagen i et moderne samfunn. Formidling av dokumenter, ideer og tanker og utveksling av informasjon over elektroniske medium har blitt stadig viktigere de senere årene. Likeledes er det blitt ganske normalt at elektronisk prosessering blir foretatt helt andre plasser enn der foretakene er lokalisert. Bredbånd er derfor blitt en forutsetning for et variert næringsliv og bosetting i hele landet. Komiteen mener at tilgangen til elektronisk kommunikasjon på mange måter er like viktig som tilgangen på andre kommunikasjonsmidler. Derfor er det naturlig at offentlige myndigheter fortsetter å utøve en sentral rolle i utviklingen av tilbudet. Utbyggingen av moderne bredbåndsnett er selve grunnlaget for en sunn og god utvikling av distriktene. Tilbudet på mobildekning og bredbåndstilgang er i mange tilfeller avgjørende for hvor unge mennesker vil bosette seg. Likevel har staten tatt et langt mindre ansvar for denne utbyggingen enn for vei og jernbane. Norge var tidlig ute med å ta i bruk elektronisk kommunikasjon, og vi har ligget høyt på statistikken over tilbudet og bruken av elektroniske tjenester. I de senere årene har vi imidlertid sakket akterut. En nylig kunngjort analyse av EUs eGovernment Benchmark viser at Norge i dag er forbigått av mange land i EU. I Norge bruker Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet en bredbåndsdefinisjon med en hastighet på 640 kbit/s. Denne bredbåndsdefinisjonen stammer fra St.meld. nr. 49 for 2002–2003 og gjør at norske myndigheter kan hevde at 99,7 pst. av Norges innbyggere har tilgang til bredbånd. Flertallet i komiteen medgir at bredbåndsutbygging gjennom fibertilgang er svært kostbart i Norge, med den geografien og bosettingen vi har. De kommersielle aktørene finner det derfor ikke økonomisk forsvarlig å bygge ut bredbånd til alle innbyggerne. Den teknologiske utviklingen hvor stadig høyere hastigheter oppnås gjennom bruk av allerede utbygde telefonlinjer, vil for mange være et godt alternativ i en periode. For et fullverdig tilbud vil det likevel være nødvendig med statlig deltakelse. EU-kommisjonen lanserte 19. mai 2010 Digital Agenda for Europe 2010–2020. Målsettingen i planen er at alle EU-borgere skal ha tilgang til bredbånd i 2013, at alle skal ha anledning til å koble seg opp til bredbånd på 30–100 Mbit/s innen 2020, og at minst halvparten av EUs husstander i 2020 skal ha abonnement på bredbånd med minst 100 Mbit/s. Flere

Regjeringen gir uttrykk for at den fortsatt vil bidra til å øke mobildekningen og fortsette arbeidet med å tilrettelegge for bredbånd med tilstrekkelig kapasitet til å møte framtidige behov, men har i denne sammenhengen ikke satt noe mål for hastigheten og kapasiteten i en gitt periode. Mindretallet i komiteen, som her utgjøres av regjeringspartiene, understreker at kommersielle aktører nå bygger fiberbredbånd over hele landet. landet. Ved utgangen av 2010 hadde f.eks. 445 000 bredbåndsabonnement Internett over kabel-tv. Det understrekes at utbygginger av fibernettet viser at konkurransen virker, men det er fortsatt slik at tilbudet er veldig mye bedre i byene enn i spredtbygde strøk. Flertallet i komiteen vil understreke viktigheten av Høykom-programmet, som ble opprettet i 1999, og den betydningen det hadde for utviklingen av bredbåndskommunikasjonen i Norge. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet understreker i sitt svarbrev at bredbåndspolitikken i Norge er basert på en markedsbasert utbygging. Flertallet tar ikke til orde for en fullstendig statlig styring av utbyggingen, men understreker behovet for en koordinering og viktigheten av en målsetting over en tidsperiode. Spesielt viktig her er koordineringen mellom mobil bredbåndsdekning og fiberbasert utbygging. En stimulering til dugnadsdeltakelse er også viktig. Flertallet vil spesielt understreke viktigheten av høyhastighetsbredbånd som ledd i en tilrettelegging for omstilling og vekst i kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Alle mener at skikkelig bredbånd er en forutsetning for et variert næringsliv og bosetting i hele landet. Det er vel nesten sånn at vi har arbeidsplasser. Alle mener at skikkelig bredbånd er en forutsetning for et variert næringsliv og bosetting i hele landet. Det er vel nesten sånn at vi har fått en generasjon med unge som lurer på hvordan livet skulle vært uten Internett og uten Så fort har utviklingen gått. EU-kommisjonen har vedtatt et veldig ambisiøst mål om at alle i EU skal ha tilgang til bredbånd innen 2013. I tillegg har kommisjonen som mål at alle innbyggerne skal ha mulighet til å koble seg opp til bredbånd på 30–100 Mbit/s innen 2020, og at minst halvparten av EUs husstander i 2020 skal ha abonnement på bredbånd med minst 100 Flere EU-land har høyere ambisjoner enn dette. Finland har lovfestet retten til minst 1 Mbit/s for alle i landet, noe som skal utvides til 100 Mbit/s innen 2015. Men det finnes også noen annerledesland, og et av de annerledeslandene er Norge. I Norge har vi definert det slik at dersom man har en hastighet på 640 kbit/s nedlasting og 128 kbit/s opplasting,

for den saks skyld, som har lagt langt høyere definisjoner enn 640 kbit/s til grunn for hva som er bredbånd. Men selvfølgelig: Det handler om å kunne få lov til å slå seg på brystet og si: Se, så flinke vi er – 99,7 pst. av befolkningen i Norge har bredbånd! I det øyeblikket man begynner å definere seg opp i forhold til hva alle andre land definerer som ja da er det ikke veldig mye å slå seg på brystet for lenger – og hvert fall ikke når vi ser hvilke ambisjoner andre land har. Dette er grunnen til at vi i Fremskrittspartiet faktisk har fremmet dette forslaget i denne saken. Vi ber om at det legges fram en handlingsplan om en finansieringsløsning for å gjennomføre et skikkelig nasjonalt bredbåndsløft med målsetting om å få på plass et i hele Norge. Jeg har registrert at representanter for regjeringspartiene har garantert og lovet både 50 Mbit/s og kanskje til og med høyere innen 2015. Med de ressursene som regjeringen har lagt inn i dette, tror jeg man er langt unna det når man kommer til 2015. Som sagt: Det er viktig at den planen nå faktisk blir lagt fram for Stortinget i løpet av 2011, så man raskt kan komme i gang med å utvide bredbåndskapasiteten i hele Norge. Vi mener også at det må være en forutsetning at definisjonen for hva som bør ligge til grunn for bredbånd i Norge, ikke bør ligge noe tilbake for definisjonen for noen andre land i Europa. Vi bør faktisk ha fått på plass 30–100 Mbit/s lenge før EU, deres ambisjoner om å få det på plass i alle landene der. Innen 2020 er en dårlig ambisjon for et land som mener å ha både ressurser og mulighet, og vi mener at bredbånd er viktig for hele landet. Der burde vi vært i 2015 og ikke i 2030, som kanskje er resultatet, hvis man skal fortsette med denne lille satsingen som kommer fra den rød-grønne regjeringen. Jeg synes det er trist at man ikke fortsetter å satse på Høykom, som var en veldig god ordning, hvor altså næringsliv, fylkeskommuner og staten sammen sørget for å få bygd ut skikkelig bredbånd der hvor ikke markedskreftene klarte det på egen hånd. Det er det dette handler om: få på plass en helhetlig plan og få på plass en finansieringsløsning. Jeg vil anbefale komiteens innstilling. Eg tek opp mindretalet sitt forslag, så er det gjort. Det er litt morosamt å høyra på

dei kjekkar seg sånn: Dei har nemleg styrt dette landet sjølve, og det var først då denne regjeringa kom på plass, at det blei fart i breibandsutbygginga. Framstegspartiet sine bidrag i budsjetta er det ikkje grunn til å slå seg på brystet av i det heile når det gjeld dette, då dei styrte landet – berre så det er sagt. Så gjorde representanten Hoksrud at eg begynte å mimra litt oppe i hovudet om då fjernsynet kom til landet. landet. Eg er så gammal at eg opplevde det. I 1961 fekk me fjernsyn heime, og då kom alle naboane for å sjå på dette svart-kvitt-vedunderet med gullfiskar på. Det er på ein måte litt av det same me snakkar om i dag. Alle må ha tilgang på breiband. Det er jo derfor regjeringa har gjort den innsatsen som dei har gjort, med Høykom bl.a., for å få dette til. Ein er altså veldig godt i gang, men ein er ikkje i mål. Derfor er òg me raud-grøne på på Stortinget veldig klare på at me ønskjer å driva dette fram, ikkje minst Senterpartiet har vore tydeleg på dette – bl.a. i Nationen – i det siste. Me andre raud-grøne har den same ambisjonen som dei. Så her er det altså veldig viktig at me fortset med det gode arbeidet som regjeringa har stått for, og den koordineringa som regjeringa har stått for. Dette vil nok statsråden koma meir tilbake til. Eit anna interessant perspektiv i saka er at Framstegspartiet, som er eit marknadsliberalistisk parti, og som ønskjer at marknaden skal styra landet mest mogleg – og politikarane minst mogleg, kan ein av og til få inntrykk av – no ønskjer at staten skal rydda opp her. Normalt sett ville ideologien til eit liberalistisk parti vera at dette skal marknaden ordne opp i. Og her er jo noko av det spesielle, og det har Framstegspartiet og Høgre òg forstått, at Noreg er eit spesielt land. Me er geografisk ekstremt forskjellig, og folk bur stort sett over heile landet. Det har vore ein vilja politikk frå vår regjering si side, og frå tidlegare regjeringar si side òg, trur eg, at me skal ta heile landet i bruk. Derfor vil eg avslutta med å seia: For dei raud-grøne er dette ei viktig sak. Det er bra at Framstegspartiet reiser problemstillinga. Så får ein sjå om ein har dei ideologiske løysingane, eller om det ikkje er oss raud-grøne som på ein måte har vist korleis dette skal gjerast. Iallfall har ikkje Framstegspartiet når dei har vore med og styrt, bevist at dei prioriterte denne saka. Denne regjeringa prioriterer også denne saka fordi me vil ta landet i bruk, og fordi me vil at folk skal bu i distrikta. Me vil satsa på den industrien og den teknologien for at han skal vera tilgjengeleg for folk flest, også i

Eg vil seie at eg sluttar meg fullt til saksordføraren sitt gode innlegg. Kristeleg Folkeparti sluttar seg òg til forslaget. Eg deler bekymringa over at Noreg, som har lege veldig høgt på statistikken over bruk av elektroniske tenester, no sakkar akterut. Det er slik at teknologien er i endring. Datamengdene aukar til stadigheit. Derfor er det slik at det som er breiband i dag, ikkje nødvendigvis treng å vere breiband i morgon, for her er det ei endring, og forventningane våre er større. No trur eg Framstegspartiet godt kan forsvare seg sjølv, men eg synest angrepet frå representanten Hallgeir H. Langeland fortener eit tilsvar òg frå andre ikkje-sosialistiske parti. For det er ikkje slik at dei ikkje-sosialistiske partia har sagt at staten ikkje skal vere med og ta eit ansvar her. Dette er jo infrastruktur. Slik eg kjenner alle dei ikkje-sosialistiske partia, er jo me klare på at staten skal spele ei rolle i bygging av infrastruktur. Og det er infrastruktur me snakkar om òg i dag, men nye typar infrastruktur. Så kan me sjølvsagt diskutere kven som skal organisere dette. Skal me ha private inn i utbygginga? Men sjølvsagt skal det offentlege vere med og ta eit ansvar her, på same måten som det offentlege tek eit ansvar innanfor både veg og jernbane. Det som er spesielt med denne infrastrukturen, er at han er særdeles viktig for Distrikts-Noreg. Det er å gi ei moglegheit til å skape arbeidsplassar i Distrikts-Noreg. Derfor er eg for så vidt glad for dei signala som òg er komne frå regjeringa, om at ho ønskjer å prioritere dette. Derfor burde det òg vore

Det er ingen tvil om at bredbånd er noe som opptar mange, og jeg slutter meg til komiteens understrekning av at det er viktig at alle innbyggerne i landet kan ta del i bredbåndstilbudet. Regjeringen fører en aktiv politikk for å få til dette. Det viktigste vi kan gjøre, er å legge til rette for størst mulig markedsbasert utbygging. Hvis ikke blir regningen for staten unødvendig stor. Norge er langt fremme i de aller fleste internasjonale bredbåndsundersøkelser, f.eks. fra OECD og EU. Det gjelder både tilbud om og bruk av bredbånd i bedrifter og husholdninger. EU-kommisjonens oversikt over digital konkurransedyktighet for 2010 framhever Norge som et av de mest avanserte landene i Europa når det gjelder Flertallet viser i sine merknader til EUs eGovernment Benchmark Report. Denne statistikken sammenligner utviklingen innen elektroniske tjenester i forvaltningen, ikke bredbåndsdekning. Det er lite som tyder på at det er sammenheng mellom bredbåndsdekningen og Norges plass i den rapporten.

Dette prioriterer regjeringen høyt, men EUs eGovernment-rangering er, som sagt, ikke en bredbåndsundersøkelse. Bredbåndstilbudet i Norge er i internasjonal sammenheng svært godt, og den videre utbyggingen av bredere bredbånd pågår for fullt. I denne fasen av utbyggingen bør det ikke være regjeringens oppgave å forsøke å styre verken bredbåndsmarkedet eller den teknologiske utviklingen. Vår hovedoppgave bør være å skape gode forutsetninger for markedet og fjerne unødvendige hindringer for

Jeg er derfor av den oppfatning at det ikke er hensiktsmessig på det nåværende tidspunkt å introdusere et omfattende og kostbart finansieringsprogram for et nasjonalt bredbåndsløft i regi av offentlig sektor. Et slikt finansieringsprogram vil innebære risiko for å gi støtte til områder som ellers ville fått kommersiell dekning gjennom ny og bedre teknologi, f.eks. gjennom utbygging av Man risikerer også å fortrenge kommersielt baserte investeringer, ved at kommersielle aktører setter planlagt utbygging på vent for å få del i statlige midler, eller fordi de innser at de ikke kan konkurrere med aktører som mottar offentlige midler. Et eksempel på hva vi gjør for å tilrettelegge for et godt bredbåndstilbud i hele landet, er den kommende tildelingen av frekvenser i 800-MHz-båndet, den såkalte digitale dividenden som ble frigjort etter at tv-sendingene ble digitalisert. Bruk av disse frekvensene til mobilt bredbånd kan bidra til et bredbåndsløft mange steder i landet. Samferdselsdepartementet har nylig sendt et notat om tildelingen på høring. I høringsnotatet ber departementet om høringsinstansenes syn på et krav om befolkningsdekning på inntil 97 pst. De endelige kravene vil bli stilt i etterkant av høringen, men det er ingen tvil om at regjeringen ønsker at hensynet til bredbånd i hele landet skal være et viktig element. Jeg vil til slutt nevne at regjeringen allerede har et finansieringsopplegg for bredbånd på plass, gjennom Kommunal- og regionaldepartementets kompensasjonsmidler, som i 2011 er 128 mill. kr. Jeg har startet arbeidet med en Digital Agenda for Norge, med fokus på IKT-basert verdiskaping. Bredbånd vil selvsagt være en naturlig del av dette arbeidet. Når jeg jamfører med debatten vi nettopp har der åpningstider i varehandelen ble brukt som et eksempel på behovet for en dynamisk utvikling i Norge, vil jeg mene at en dynamisk utvikling i Norge er langt mer avhengig av en god bredbåndsutbygging. Det blir åpnet for replikkordskifte. For det første er jeg glad for at man endelig kan diskutere bredbånd litt, for det er

Er statsråden enig med Langeland i at det er noe å slå seg på brystet for og noe vi bør være fornøyd med, eller mener ikke statsråden også at dette ikke er veldig ambisiøst? Og hvorfor har man denne frykten for at næringslivet skal være med og bidra, slik at man på en raskest mulig måte skal få bygd ut et skikkelig bredbånd i Norge? Jeg forstår ikke hvorfor statsråden ikke mener at det er bra å samarbeide og å sørge for at man får bygd ut bredbåndet fortere og raskere, slik at vi ligger i tet, og ikke ligger bak EU. Det bør ikke være noen ambisjon å være bak. Vi bør være foran. Jeg kan avkrefte at jeg overhodet har noen frykt for at privatpersoner og private bedrifter skal foreta bredbåndsutbygging i Norge. Snarere tvert imot mener jeg at vi skal basere oss på en markedsbasert utbygging og utvikling i Norge. Derfor legger vi ut den digitale dividenden til auksjon. Kommersielle aktører skal kunne nyttiggjøre seg den digitale dividenden, som det offentlige har eierskap til. Så er jeg enig i

også positivt at den digitale dividenden nå blir tatt i bruk. Vi vet at 4G-nettet begynner å bre seg utover i landet. Det begynner å virke bra i Oslo, men det virker ikke bra utover i landet. Dette har sammenheng med at senderenhetene for 4G må ha fiberfremføring. Her er det behov for en koordinering. Spørsmålet er: Har statsråden tenkt å bry seg om å foreta en koordinering, slik at man får best mulig dekning også på dette mobilnettet utover i landet?

de basestasjonene som er der. De aktørene vi har vært i kontakt med, er klare til å starte den jobben. Jeg har stor tro på at en utbygging av et 4G-nett vil bidra til at vi får større kapasitet på mobilt bredbånd i de deler av landet som vi kanskje ikke tenker på i dag, for der vil de deler av landet som vi kanskje ikke tenker på i dag, for der vil antallet abonnenter som skal bruke den basestasjonen, kanskje være mindre enn i de tettbygde strøkene. Jeg tror at vi kan se en betydelig økt dekningsgrad når vi får gjennomført auksjonen av den digitale dividenden, og at det settes i gang utbygging knyttet til det. Det vil være et viktig bidrag for at flere i Distrikts-Norge får bedre bredbåndsdekning.

breibandsprosjekt i offentleg sektor. Det var 400 prosjekt som frå 1999 til 2008 fekk støtte på 1,2 milliardar kr. Høykom blei lagd ned i 2008. Kva er no regjeringas vurdering tre år etter at dette skjedde? Korleis opplever ein utviklinga etter nedlegginga av Høykom? Var nedlegginga av Høykom

Ja, Høykom hadde sin misjon i den perioden Høykom var. Nå er vi i en annen fase. Det er flere aktører som bidrar til bredbåndsutvikling, og vi har midler gjennom Kommunal- og regionaldepartementets ordninger som går til fylkeskommuner. Jeg mener det er en god ordning, som bidrar til at vi kan få satt i gang tiltak der vi ellers ikke får kommersielle aktører Jeg ser ikke i øyeblikket noe behov for at vi skal gå tilbake og bruke Høykom-ordningen. Den ordningen som KRD har, og bruker, mener jeg er den som per i dag gir størst effekt i de områdene i Norge som ikke har full bredbåndsdekning. Replikkordskiftet er dermed omme. I departementets svar til representantforslaget fra Fremskrittspartiet sies det at regjeringen ikke har noe mål om at «alle skal ha tilgang til en bestemt kapasitet», selv om de er

og prognosen sier at det på kort tid forventes at datatrafikken vil bli opptil 30 ganger større enn taletrafikken. Da er det enda viktigere for Norge at vi setter oss mål, og ikke lar det skure og gå. Vi skal altså ikke ha tilgang til en bestemt kapasitet, sier regjeringen, men det å ha fornuftig og god kapasitet som andre land burde være en selvfølge for den norske befolkningen, uansett hvor man bor. Agder er vel kanskje det stedet i Norge som har tatt bredbåndsproblematikken på alvor. Agder-fylkene fikk 20 mill. kr i Høykom-midler. Begge fylkeskommuner og alle de 30 kommunene la midler i potten for å få utbygd bredbånd til hele befolkningen i Agder, både i Aust-Agder og i Vest-Agder, som et godt samarbeidsprosjekt. Da snakker vi ikke om en hastighet fra førstegenerasjons bredbånd, men om bredbånd med fornuftig, god og tilfredsstillende kapasitet. Agder-fylkene fikk i stand en avtale med et firma, og innbyggerne i Agder som ønsker bredbånd, får det i løpet av åtte uker. dette gjennomført. Først mål, så midler, så gjennomføring. Jeg mener dette er et eksempel til etterfølgelse, og Norge som land bør også sette seg høye mål når det gjelder høyhastighetsbredbåndsdekning. Dette er tross alt langt viktigere enn lyntog, som det uansett ikke blir noe av. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til

det er så

synes dette å skyldes en rekke faktorer som hver for seg ikke ville forhindre en slik utvikling, men som i sum fører til at ønsket utvikling ikke skjer. Veitransporten over Svinesund har f.eks. økt kraftig de siste årene, mens utviklingen av sjøtransporten har vært stabil. Det er ikke en ønsket utvikling. Sjøtransportens fordeler kan utnyttes bedre dersom det iverksettes mer omfattende Mens transporterte tonn i enhetslaster over Oslo havn har vært tilnærmet konstant fra 2001 til 2007, har transporten over Svinesund økt med 40 pst. i samme periode. Analyser av avgiftsstrukturen for sjøtransporten viser at det er en langt større andel av transportkostnadene for sjøtransport som er knyttet til offentlige avgifter, enn andelen er for transport med bil. MARINTEK påpekte allerede i 2001 at sjøtransporten har en høyere grad av egenfinansiering enn de andre transportmidlene. Beregninger fra Norges Rederiforbund viser at sjøtransporten i stor grad er brukerfinansiert, og at det i 2011 betales nærmere 640 mill. kr i avgifter og gebyrer bare til Kystverket, og at avgifter og gebyrer knyttet til lostjenesten utgjør 500 mill. kr av dette beløpet. Avgiftene utgjør i enkelte tilfeller anslagsvis 40 pst. av skipenes samlede driftskostnader. Denne situasjonen er klart til hinder for økt varetransport på sjøen. Flertallet i komiteen mener at et avgiftsnivå på sjøtransporten som er med på å redusere denne befraktningsmåten, er spesielt uheldig med tanke på klimaet, da energiforbruket per tonnkilometer ligger på det halve for sjøtransporten sammenlignet med veitransport. Sammenligner vi fraktkapasiteten på de forskjellige transportmidlene, ser vi at et tog kan ta 20 semitrailere, mens en båt tar 150–200. Det Norske Veritas la i 2006 fram en evalueringsrapport om lostjenesten. Rapporten konkluderte med at antall losinger kan reduseres med 25–30 pst. uten at det går ut over sikkerheten og med tilhørende mulighet for kostnadsreduksjon for sjøtransporten på Aktørene innen sjøtransporten tok i 2009 selv initiativet til et prosjekt under tittelen «Hvordan lykkes med sjøtransport i et utvidet perspektiv?». Den 3. november 2010 kom rapporten, som da heter «Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?», fra et firma som heter Sitma AS, på vegne av Norsk Havneforening, Norske Havner, Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Rapporten tar til orde for at Nasjonal transportplan må inneholde konkrete mål og strategier for overføring av gods fra vei til sjø og bane. Strategi og tiltak for sjøtransport er nesten fullstendig utelatt i gjeldende NTP. Rapporten slår fast at det er for mange transportkorridorer. En viktig barriere for økt transport på sjøen er at det i mange tilfeller er for lav konsentrasjon av gods i knutepunktene til at sjøtransportens volumfordeler kan utnyttes, selv om den totale godsmengden er stor. Fokus på færre transportkorridorer i NTP vil gjøre det mer gunstig å transportere på sjøen, og en må over et visst minstevolum. Komiteen vil også peke på at det er viktig med like konkurransevilkår for de rederier som opererer langs kysten. I den forbindelse er det viktig at også utenlandsregistrerte fartøyer som ikke har valgt å være medlem av følges opp, slik at disse, i likhet med norske rederier, betaler den pålagte avgiften. Komiteen mener at en av forutsetningene for å lykkes i å øke varetransporten på sjøen er at havnene utvikler seg som effektive logistikknutepunkt. Komiteen vil også understreke viktigheten av koordinering mellom havnene, befrakterne og vareeierne og at en viss spesialisering av havnene vil fremme intensjonen om å oppnå større andel av sjøtransporten. Komiteens medlemmer fra fra regjeringspartiene understreker at den årlige rammen til sjøtransportområdet er økt med 77 pst. sammenlignet med forrige periode, og at det også innenfor losplikt og losavgifter er redusert, slik at det blir en besparelse på 29 mill. kr. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre legger til grunn at regjeringen ved utarbeidelse av den stortingsmeldingen det her bes om, legger vekt på den ovennevnte rapport og de forslag til handlingsplan som rapporten inneholder.

Det er eit ynske som eg deler fullt ut. Regjeringa har også i si Soria Moria II-erklæring lagt vekt på å stimulera til auka godstransport på sjøen, og dette er med på å danna bakgrunnen for regjeringa sin heilskaplege transportpolitikk. Sjøtransporten inngår som ein naturleg og viktig del av Nasjonal transportplan, og NTP er eit av dei viktigaste verktøya me har for å nå målsetjingane på samferdselssektoren. I ei nyleg framlagd pressemelding frå Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen presenterte transportetatane sine sektorvise stamnettutgreiingar i samband med Nasjonal transportplan 2014–2023. Dette er viktige grunnlagsdokument for det vidare arbeidet med revisjon av Nasjonal transportplan. I tillegg til dei meir

for å overføra meir gods frå veg til sjø og til bane. Eg tykkjer at dette lovar godt med tanke på å sjå transportformene betre i samanheng, og i det vidare arbeidet med transportplanen, der Stortinget også vil verta involvert, vil ein verkeleg kunna gjera dei grepa som må til for betre å nå målet om meir gods frå veg til sjø. Ei eiga stortingsmelding om tiltak for å styrkja sjøtransporten si konkurranseevne, som her vert føreslått, kan jo i utgangspunktet høyrast flott ut. Likevel vil ikkje me støtta det no. Hovudgrunnen er ikkje at me synest at sjøtransport er lite viktig. Tvert imot er sjøtransporten så viktig at nettopp for å auka sjøtransporten sin andel av godstransporten må dei strategiske grepa og tiltaka

Derfor vert det svært avgjerande at ein nå vidare i transportplanprosessen verkeleg maktar å balansera dette på ein måte der vegsystemet i større grad også er med på å gjera sjøtransporten og havnene våre meir attraktive for vareeigarane. I tillegg er også gjeldande NTP eit godt rammeverk i høve til å betra sjøtransporten si konkurranseevne. Det er gjort fleire viktige grep når det gjeld reduksjonar i avgiftene, forenklingar i regelverk og utbetring av hamner og farleier. Det er også utarbeidd fleire rapportar som peikar på konkrete tiltak som vil kunna dra i rett retning, og ministeren er i ein god og viktig dialog med dei aktuelle Når det gjeld sjøtransporten meir spesifikt, har den årlege ramma til dette området auka med 77 pst. samanlikna med den førre planperioden. Det tilsvarer ein årleg auke i Kystverket sitt budsjett på rundt 470 mill. kr. Alt dette er bra. Sjøtransporten har auka godsmengda si noko, men samstundes har godsmengda på veg auka endå meir. Derfor er det så viktig at også dei komande budsjetta følgjer opp med tiltak innanfor den satsinga regjeringa har hatt dei siste åra. Her er det eit stort potensial, ikkje berre for å få meir gods på sjø, men også eit stort potensial for å redusera klimautsleppa og få meir miljøvenleg transport, som saksordføraren var inne på i stad. 60 pst. av godstransporten går på sjøen. Sjøtransporten sin styrke er å kunna ta store godsmengder over lange strekningar. Stamnettutgreiinga til Kystverket legg opp til at sjøen skal kunna ta eit endå større transportvolum framover. Eg vil

Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, KS Bedrift Havn, Norges Rederiforbund og Maritimt Forum. Fraktefartøyenes Rederiforening har i etterkant av høringen sendt uttalelse om forslaget. Samtlige som deltok, berømmet initiativet og ga bred støtte til forslaget om en egen stortingsmelding om å styrke sjøtransportens konkurranseevne innenfor nasjonal transport av personer og gods. Det er gledelig. Det er også gledelig at det er bred politisk enighet om at mer gods og mer transport må flyttes fra land til sjø. Men det blir mest med festtaler. Tydeligere mål, strategier og konkrete, virksomme tiltak savnes.

Det er en omfattende, viktig og nyttig rapport. Den inneholder forslag til handlingsplan med 20 tiltakspunkter. Rapport og handlingsplan gir et godt grunnlag for en stortingsmelding. Av konkrete forhold som er påpekt fra næringen og brukerne, er skjevheter i avgiftsstruktur når en sammenligner landbasert transport med sjøbasert transport. En illustrasjon: For et containerskip langs kysten kan fem anløp innebære at avgifter utgjør nesten 50 pst. av skipenes samlede driftskostnader. Av de avgiftene er det staten som forsyner seg med nesten to tredjeparter. Sjøtransportens infrastruktur er i stor grad brukerfinansiert. For 2011, som saksordføreren redegjorde for, betaler næringen 640 mill. kr i avgifter og gebyrer til Kystverket, og av dette går over 500 mill. kr alene til lostjenesten. Derfor har Fremskrittspartiet sammen med Høyre forslag om å gjennomføre endringer i lostjenesten. Vi mener det er mulig å få ned avgiftene, uten at dette går ut over nødvendig sikkerhet langs kysten. Fremskrittspartiet er enig med næringen og med brukerne. Det er avgjørende for konkurransekraften til sjøtransporten at det samlede avgiftstrykket reduseres, med særlig fokus på det statlige avgiftsnivået. Kutt fra regjeringen er bra, men det er smått. Så er det slik at i forrige periode forsøkte Fremskrittspartiet mange ganger å få en egen stortingsmelding om luftfarten. Det ble vi avvist på, inntil juni 2008, for da la regjeringen frem en egen rapport kalt «Strategi for norsk luftfart». I innledningen sa daværende samferdselsminister Navarsete bl.a.: «Luftfartsstrategien er eit sjølvstendig dokument

strategiene for å få en virksom sjøtransport i årene som kommer. Det er

sted. Begge de transportformene – enten vi snakker om bane eller sjø – hører naturlig hjemme i vurderingene i Nasjonal transportplan, der man har og legger de langsiktige strategiene i forhold til hvordan man ønsker at utviklingen skal være. I retningslinjene for arbeidet med rulleringen av Nasjonal transportplan har man spesielt pekt på behovet for å se helhetsbildet, se på kryss av de ulike transportformene og transportformene og se de koblingspunktene. Da vil det være ekstra naturlig etter Senterpartiets syn at vi tar de avveiningene i Nasjonal transportplan, nettopp fordi man har bedt om at man skal få se helhetsbildet så godt. Når det gjelder havneplassering, vil jo det etter hvert sikkert være gjenstand for debatt. Slik er det med alle ulike typer plasseringer i departement. Det er behov for vurderinger, men de vurderingene tar vi hvert fjerde år og ikke midtveis i en stortingsperiode. Jeg tror, for å være ærlig, at et tettere samarbeid mellom alle aktører, både mellom havn, kommuner og fylkeskommuner, og de ulike statlige

transportveksten.» Grunnen til det er jo openberr – det er jo at transportsektoren står for store utslepp av CO2, faktisk opp mot 35 pst. Sjøtransporten isolert sett bidreg òg til utslepp, men CO2-utsleppa per tonnkilometer er lågare med båt enn med bil, ja, til dels godt under utsleppa frå bilen. I tillegg ligg det til rette for store reduksjonar, eksempelvis ved bruk av meir av LNG og nye konstruksjonar for skrog og framdrift. Slik sett er sjøtransporten miljø- og klimavenleg både i dag og i framtida. Eit eksempel som eg synest synleggjer dette på ein god måte, er det vi for eit halvt år sidan kunne høre på NRK om E6 i Østfold, at dersom veksten i

men nettopp i det tilfellet i Østfold kunne jo òg båten vere veldig viktig. Eg trur det hovudsakeleg er tre grep som må takast for å auke bruken av gods på båt. Kristeleg Folkeparti la fram eit representantforslag om å utgreie etablering av ein transportetat for alle transportformene. Her er òg sjøtransporten trekt fram. Det har skjedd endringar og Det har skjedd endringar og forbetringar med omsyn til å sjå på transportformene i samanheng, m.a. har me ein transportkomité i Stortinget, og me har ein Nasjonal transportplan, men det er behov for enda meir samhandling på planleggingssida. Det er den eine delen. Eit eksempel der er f.eks. Ganddal godsterminal ved Stavanger. Ville han i dag blitt lagd 15 km frå hamna

dag. Så tenkjer eg òg at me til sist må spørje oss om me fordeler midlane i Nasjonal transportplan på ein god måte med tanke på investeringar. I dag er det slik at av våre totale midlar er 6 pst. avsett til sjøtransporten. Me hadde ein veldig god debatt om nettopp denne nokre månader tilbake i tid. Det var ein interpellasjon som eg hadde. Den gongen syntes eg at dei signala statsråden gav, var veldig positive. Slik sett vil eg seie at for å følgje opp dei gode intensjonane som eg opplevde statsråden hadde her, ville det ha vore veldig spennande med ei eiga stortingsmelding som hadde sett heilskapen i dette. Derfor støttar Kristeleg Folkeparti det gode

Jeg er veldig glad for det engasjementet og vil framheve at Stortinget med dette bidrar til å løfte fram den maritime delen av samferdselssektoren. Det overordnede målet med regjeringens transportpolitikk er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem. Regjeringen vil bidra til å styrke næringslivets konkurransekraft gjennom en langsiktig reduserte avstandskostnader og rasjonell konkurranse mellom transportformene. Det er forventet at etterspørselen etter transport kommer til øke kraftig i årene framover. Analysene viser samtidig at det vil bli større vekst på vei enn på sjø. Det er en utfordring, både med tanke på trafikksikkerhet, trengsel på veiene og klimagassutslipp.

Jeg vil her trekke fram endringene i lospliktreglene og losavgiftene som gir effektivisering og kostnadsreduksjon for skipsfartsnæringen, og samtidig understreke at arbeidet med å gjennomgå lostjenesten ikke er ferdig. Vurderinger rundt hvordan staten mest hensiktsmessig kan organiseres for å løse sine oppgaver, er viktig og krevende – det gjelder I den sammenhengen vil jeg peke på at Norge er en betydelig havnasjon, og at hav- og kystforvaltning byr på en rekke utfordrende oppgaver. Behovet for og nytten av å legge det perspektivet til grunn er etter mitt syn langt større enn den gevinsten som muligens oppnås ved å samle alt ansvar for transportpolitikken i ett departement. Samspillet mellom de ulike transportformene er helt avgjørende for å styrke sjøtransporten. Transportformene må derfor behandles samlet og med lik planleggingshorisont, sånn som Nasjonal transportplan er innrettet. Regjeringen vil derfor komme tilbake til Stortinget med en helhetlig gjennomgang av transportpolitikken. Etter planen skal stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014–2023 legges fram i vårsesjonen 2013. Transport på sjø er ett av områdene jeg vil prioritere i arbeidet med rulleringen av transportplanen. Samtidig er det en rekke andre aktører som sitter på virkemidler, og som må bidra for at sjøveien skal bli enda mer attraktiv. Da tenker jeg på havnene, kommunene, transportører, rederier og, ikke minst, vareeierne. Jeg er overbevist om at det er mulig å tenke nytt, og for næringslivet kan en ny innfallsvinkel til transport fort vise seg på bunnlinjen. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å forbedre rammebetingelsene for sjøtransporten. For mer sjøtransport vil bidra positivt til samfunnsutviklingen. Det åpnes for replikkordskifte. Første replikkant er Arne Sortevik, deretter Lars Myraune. Det er rom for én replikk til.
Takk, president. Hvis det er en ledig replikk, kan jeg gjerne tegne meg til en til. Men den første først: Jeg tar med meg dette dokumentet, fordi det er et viktig dokument for luftfarten. Men det er også eksempel på at på ett område har regjeringen sett det som nyttig å lage et eget strategidokument for ett av transportområdene. transportområdene. Det var for å få en bred gjennomgang av tilstanden og utfordringene i luftfarten i Norge i dag. Det var altså gjort før man rullerte NTP sist. Er det ikke nødvendig å få en bred og grundig gjennomgang og et godt strategidokument for styrking av sjøtransportens konkurransekraft som et innspill til den rulleringen som nå kommer av Nasjonal transportplan? transportplan? Det ble understreket nettopp i det strategidokumentet som kom for luftfarten, at det var en del av rulleringsarbeidet for ny NTP, og at det var viktig å gjøre, fordi man altså kunne få en mer inngående drøftelse av luftfart. Er det ikke nødvendig med en mer inngående drøftelse av sjøtransport?
Hvilken måte vi skal planlegge på og jobber på når det gjelder Nasjonal transportplan og rulleringen av den, kan helt klart diskuteres. Det som er det viktige for meg, er å ha tett dialog med brukerne. Derfor var det jeg inviterte havnene, representanter for transportører og vareeiere til et stort møte i departementet der vi tok opp de utfordringene som er knyttet til å få mer gods på sjø. Derfor er det at jeg reiser og besøker mange Sist var jeg og besøkte Oslo havn, og jeg har besøkt Stavanger, for å få direkte innspill på de utfordringene som er. Derfor er det også at jeg har besøkt flere av trafikkstasjonene, og jeg har besøkt losstasjonene, for å få det totale bildet. Om vi skriver ut det i en strategi, er nok ikke for meg det viktigste. Det viktigste er at vi får inn alle innspillene, sånn at når vi skal rullere Nasjonal transportplan, har vi fått inn alle syn og kan dermed svare godt nok på de utfordringene som

statsråden at det vil være nyttig for næringen som sådan at det blir laget et strategidokument? Så til lostjenesten: Hva kan vi vente av ytterligere behandling for å svare på det tydelige ønsket som kommer fra næringen og fra brukerne selv, om at kostnaden på lostjenesten må betydelig ned som et viktig virkemiddel, og et effektivt virkemiddel, for å få opp konkurransekraften til sjøtransporten? Jeg føler meg også trygg på at vi gjennom det dokumentet som etter hvert skal drøftes i denne sal – Nasjonal transportplan – skal greie å uttrykke tydelighet når det gjelder virkemidler i forhold til hvor vi vil med transportpolitikken på sjø. Et strategidokument kan vi selvsagt gjerne vurdere å skrive, men en stortingsmelding vil vi få anledning til å diskutere i denne salen. Her kan det være snakk om begge deler. Det viktigste er innholdet i alle fall, og det skal jeg forsikre representanten om at det skal jeg greie å få fram også i Nasjonal transportplan. Når det gjelder lostjenesten og loseffektiviseringsprosjektet, som vi har jobbet med i lang tid, er det sånn at her har vi innført endringer som vil innebære kostnadsreduksjoner, som jeg omtalte tidligere. Vi er Vi er ikke ferdige. Nå har vi en gjennomgang der vi også utreder muligheten for å etablere utvidede lospliktfrie seilingskorridorer, som er tenkt kombinert med system for å separere trafikken, nettopp for å se på et kostnadsbesparende element. Statsråden var i sitt innlegg i dag inne på en rekke av de punktene som er

det ikke blir en stortingsmelding, håper vi at det blir en strategimelding i alle fall, hvor det blir tatt hensyn til den rapporten som er lagt fram. I Trøndelag jobbes det nå med en transportsentral, og da komiteen var på befaring der i høst, var vi oppe i et sandtak i Melhus, som mange av oss som ønsker å få noe på sjø, ikke synes var så riktig. Nå har jeg hørt at det er enda større krefter som fører til at dette synes å være en veldig lukrativ måte å gjøre det på, nettopp fordi man framskriver trafikken på veien og på jernbanen. Hva har statsråden tenkt å gjøre for å få inn en overordnet vurdering av forholdene på noe sikt, slik at vi kan få noe over på
Jeg merket meg at representanten Hareide i sitt innlegg også var innom spørsmålet knyttet til Stavanger havn – om det samme ville ha skjedd nå som for 15 år siden. Det representanten Myraune her tar opp, illustrerer jo litt handlingsrommet, det illustrerer i alle fall det jeg peker på, at her er det flere aktører som må ta ansvar. Det gjelder lokalpolitikere, det gjelder havner, det gjelder transportører – i det hele tatt. Her er det andre enn vi som bestemmer, dessverre. Det er lokalt bestemt hvor en skal ha sine godsterminaler. Jeg har også registrert at Melhus seiler opp som det mest aktuelle. Hvis det blir resultatet, er det i hvert fall ikke veldig framtidsrettet etter mitt syn. Jeg håper virkelig at de tenker noen år lenger enn det som lønner seg akkurat i dag.

Det er ingen tvil om at vi bør få mer gods over fra vei til sjø, også av miljøhensyn. Et middel for å få det til er å styrke sjøtransportens konkurranseevne. Da er vi igjen inne på mål. Nasjonal transportplan må inneholde konkrete mål og strategier for overføring av gods fra vei til sjø, ja også fra vei til bane, og målene må føre fram til noe. Trafikknutepunkt er viktig i dette arbeidet, dvs. knutepunkt der hav, Kristiansand er et slikt knutepunkt. Kristiansand havn er Norges fjerde største havn, hvor jernbanen når helt ned til havneområdet, på lik linje med veien. Men til tross for at det høres bra ut, er infrastrukturen ikke på plass. Alt må gjennom den tetteste bykjerne på dårlige veier, og det er ikke holdbart, verken for menneskene som bor i byen, eller for dem som koordinerer godstrafikken. Dette er sikkert ikke den eneste havnen i Norge som har det på denne måten. Avgiftsnivået vi har i dag, er klart med på å redusere bruken av sjøtransport, og i disse moderne klimatider burde det å legge til rette for sjøtransporten være en selvfølge. Brukerbetalingen ved sjøtransport er mye høyere enn for andre transportsektorer, og fortsetter det slik, vil vi vel heller øke andelen av gods på vei, framfor sjø. Det er vel ikke slik vi vil ha det? Vi vet at energiforbruket per tonnkilometer ligger på det halve for sjøtransport sammenliknet med veitransport. Bare dette burde få de rød-grønne politikerne til å ville være med på forslaget om å få til tiltak for å styrke sjøtransporten – ja, dvs. dersom de mener noe med sine miljøsynspunkter. Det er

Avgiftene sin storleik og innretninga vert òg vurdert i kvart budsjett, og ein har ein ambisjon om å gjera sjøtransporten endå meir konkurransedyktig gjennom m.a. avgiftspolitikken. Når Framstegspartiet, og spesielt Sortevik i sitt hovudinnlegg, er så opptekne av å få ned avgiftene på sjøtransport, oppfattar eg at det er fordi at om ein får ned avgiftene på sjøtransport, sånn at kostnadene nærmar seg om lag det

at det ikkje berre er staten som via avgifter og på anna vis kan leggja til rette for å få meir sjøtransport. Hamnene, og ikkje minst dei som eig hamnene, kommunane er det ofte, har òg eit stort ansvar, og reiarlaga og vareeigarane. I ei av dei høyringane me hadde, kom det fram at i indre Oslofjord var det nesten like mange containerhamner som det er i heile Middelhavet. Og når det då vert vist til at veldig mykje gods går over Svinesund, må jo det koma inn til nokre hamner lenger nedover der. Det er noko med strukturen når det gjeld hamnene, som eg synest at dei som eig hamnene, bør sjå noko nærare på.

nemlig alle de avgiftene som man pålegger sjøtransporten, og som vi fra Fremskrittspartiets side er opptatt av å gjøre noe med og redusere. Jeg registrerer at representanten Rommetveit fra talerstolen sier han også ønsker å redusere disse avgiftene. Ja, representanten Rommetveit representerer et parti som sitter i regjering, som har flertall, og som kan gjennomføre akkurat det de vil. Så hvis denne regjeringen vil sørge for at sjøtransporten får bedre rammebetingelser, er det bare én ting å gjøre: Det er å fatte vedtak i regjeringskollegiet, komme til Stortinget og redusere avgiftene her i Stortinget. Jeg har lyst til å utfordre representanten Rommetveit: Kom på banen! Bli med og gjør noe! Stem for Fremskrittspartiets forslag, som både går på å få på plass bedre rammebetingelser og følger opp det næringen selv er opptatt av! Det er jo hele bakgrunnen for representantforslaget. Det er altså næringen som har laget en rapport om de utfordringene de står overfor, hvordan de skal flytte mer av godstransporten over på sjø. Jeg synes at Rommetveit, regjeringen og andre bør slutte å prate i festtaler om at man ønsker å flytte transport fra vei og bane over til sjø. Vi ønsker også å gjøre det, og vi ønsker å gjøre noe med avgiftsnivået. Jeg tror sunn konkurranse er at man har mer likebehandling. Det er altså sånn at både sjøtransporten og veitransporten i form av transportbransjen på vei er en melkeku for staten i forhold til avgifter. Det ønsker vi å redusere – og det er det det handler om.

Det skulle bare mangle at man ikke ønsker et dynamisk, effektivt samfunn for å ivareta den transporten. Men samtidig er det altså slik at vi ønsker en sjøtransport i Norge som også er effektiv. Det er vel ingenting i dette som står i motstrid til hverandre. Hvorfor skal man ikke kunne tilrettelegge slik at ulike transportetater faktisk får rammevilkår som tilsier effektivitet og en god måte å kunne konkurrere på? Det man opplever fra regjeringen, er faktisk at man, til tross for at det foreligger mange gode forslag,

representanter både for vareeiere, transportører og havner. Når jeg spør vareeierne hvorfor de ikke sender mer gods sjøveien, er svaret at det tar for lang tid. Å sende en vare fra Oslo til Tromsø tar så lang tid at varen har blitt gammel før den kommer fram. Faktum er at det egentlig er ganske rimelig å bruke sjøveien for gods. Så varierer det litt om det er nasjonalt eller internasjonalt. Så varierer det litt om det er nasjonalt eller internasjonalt. Jeg ber bare om at vi nyanserer debatten en smule. Det handler selvsagt om strukturen på havnene. Bakgrunnen for at det tar lang tid, er at transportbåtene, nærskipsfarten, må innom for mange havner for å fylle opp båtene

transporten. Men igjen, som jeg sa i mitt innlegg, og som representanten Rommetveit tok opp, har vi redusert avgiftene, og vi kommer til å fortsette med å redusere avgiftsnivået. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg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

Vraket ligger i to deler på 145–165 meters dyp, og det inneholder jo den farlige lasten på 67 tonn med kvikksølv, som gjør denne saken spesiell. I januar 2009 besluttet regjeringen at vraket skulle heves. heves. Det ble også fulgt opp i revidert nasjonalbudsjett samme år, og det ble lagt inn en bevilgning i budsjettet for 2010. Et samlet storting sluttet seg til dette og ville ha U-864, som er betegnelsen på båten, fjernet – ikke minst fordi folk i området er svært bekymret for nærmiljøet sitt, men også fordi fiskerinæringen generelt er engstelig for omdømmet til norsk fiskeri og fiskerinæring. I dag er det et forbud mot både ankring, dykking og fisking i et område på 500 meter rundt vraket.

terminert. Regjeringen tilrådde da en ny ekstern kvalitetssikring og en konseptvalgutredning. Stortinget har på spørsmål til statsråden fått opplyst at dette arbeidet er i gang, og at man venter en avklaring på denne kvalitetssikringen ganske snart. Det var faktisk antydet at i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett skulle vi få ny informasjon om saken. Det er vel ikke så veldig lenge til det skal legges fram – like over påske – så kanskje vi til og med kan få en liten lekkasje fra det i dag, hva vet jeg. Det ville i hvert fall være greit for Stortinget å få den informasjonen som også er Opposisjonen var uenig med regjeringen ved siste gangs behandling og ville sluttføre forhandlingene med Mammoet med sikte på å få hevet vraket sommeren som står foran oss nå, altså i 2011. Regjeringspartiene gikk imot dette, men presiserte i flere innlegg at målet fortsatt var heving av vrak og last. Jeg håper at debatten i dag viser at dette fortsatt står ved lag. Vi i Høyre har uttrykt dette også i våre merknader, selv om vi i dag innser at når det er igangsatt et arbeid i henhold til de retningslinjer vi har, med konsekvensutredning og kvalitetssikring, må vi vente på Men vi presiserer at vi har ikke endret syn i saken: Vraket og lasten bør heves. Det synes vi kysten og befolkningen har fortjent. De har levd med denne usikkerheten lenge nok – og altfor lenge, vil mange mene.

Dette vedtaket vart gjort med bakgrunn i at den eksterne kvalitetssikringa konkluderte med at prosjektet hadde for stor risiko. I proposisjonen gjorde regjeringa framlegg om å setja i gang ei konseptvalutgreiing og etter det ei ekstern kvalitetssikring. Kystverket har i tråd med Stortinget sitt vedtak i juni i fjor utført konseptvalutgreiinga, og denne vart overlevert Fiskeri- og kystdepartementet no i januar. Denne konseptvalutgreiinga er no til kvalitetssikring av Metier AS og Møreforsking Molde AS. Desse selskapa er prekvalifiserte av Finansdepartementet til å gjennomføra slik kvalitetssikring. Når desse prosessane er i gang, og også i samsvar med det som Stortinget har vedteke, synest eg ikkje det ville vore rett å bryta tvert av no ved å gå for Framstegspartiet sitt forslag vedtak. Kystverket syner i si samla vurdering og tilråding til at alle dei tre utgreidde alternativa vil gje dei ønskte miljøeffektane dersom gjennomføringa er vellukka. Kystverket vel likevel å tilrå tildekking av vrak og forureina botnsediment ut frå at dei reknar det alternativet for å vera det minst risikofylte. Til grunn for si tilråding har Kystverket lagt avgjerande vekt på miljørisikoen, men dei understrekar samstundes at også andre moment kan analyserast og vektleggjast før endeleg avgjerd om val av konsept. Og den kvalitetssikringa som no er i gang, har verkeleg synt at det er relevant å også analysera andre moment. I brev til komiteen frå statsråden 21. mars får me opplyst at dei eksterne konsulentane har identifisert behov for også å vurdera eit alternativ der forureina sediment, i tillegg til vraket/kvikksølvet, i stor grad vert fjerna før området vert tildekka. Vidare ønskjer konsulentane at Kystverket vurderer risikoen ved det føreslegne tildekkingsalternativet i eit langsiktig perspektiv, ytterlegare.

på at det er av stor verdi å la nye auge sjå på saka. Det er nettopp for å sikra at regjeringa, og i neste omgang Stortinget, skal ha eit så godt grunnlag som mogleg å fatta avgjerd på. Det er her om å gjera at me endar opp med den løysinga for handtering av kvikksølvforureininga som gjer at både me og dei generasjonane som kjem etter oss, kan vera trygge på at havet er reint. Ofte, ja kanskje oftast, er det enkle det beste. Viss det enkle her vil vera å seia ja til Framstegspartiet sitt forslag, er det etter mi meining i alle fall ikkje det beste når det gjeld å få ei mest mogleg sikker løysing for miljøet. Her passar det heller ikkje med kjapt, trygt og billeg, om nokon skulle ønskja det. Handteringa av kvikksølvet knytt til U-864 vil nok ikkje verta enkel. Ho kan ikkje gå så kjapt som me skulle ønskja, og billeg vil det ikkje verta. Uansett kva for løysingar som til sjuande og sist vert valde, må det i alle fall vera trygt for menneske og for miljø, og det må sikrast ei rask, men forsvarleg framdrift. Regjeringa sitt vedtak om heving står fast. Eg har god tru på at den kvalitetssikringa og dei naudsynte tilleggsutgreiingane som no vert føretekne, vil gje grunnlag for å koma fram til gode løysingar for å handtera dette farlege

Flere ganger har Fremskrittspartiet fremmet representantforslag om U-864, ubåten i havet utenfor Fedje i Hordaland med over 60 tonn kvikksølv om bord. Vi startet i 2007. Det medførte at forslaget om tildekking ble stoppet. Regjeringen gjennomførte en omfattende politisk snuoperasjon, der man gikk fra tildekking til heving. fra tildekking til heving. Fra 2010 er det igjen en politisk snuoperasjon fra Arbeiderpartiet, fra SV og fra Senterpartiet. Det begynte med å «kvalitetskvele» bergingsoppdraget gitt i åpen og internasjonal anbudskonkurranse til det verdensledende bergingsselskapet Mammoet Salvage. Det ble gjort i 2010, da man lot et lite konsulentfirma uten få avgjørende innflytelse på prosjektet, slik at bergingen ikke ble gjennomført. Ved årsskiftet 2010/2011 kom konseptvalgutredningen fra Kystverket for håndteringen av U-864. Igjen er tildekking blitt et alternativ – som i 2006 – sammen med heving av ubåt og fjerning av kvikksølv. I perioden fra våren 2007 til våren 2011 har ingenting skjedd med verken ubåt eller kvikksølvlast. Politisk har det vært stor aktivitet. Det er gitt mange løfter fra regjeringspartienes representanter, inklusiv statsministeren. Men både kvikksølvet og ubåten befinner seg fortsatt på havets bunn. Både Vestlandet og Norge er til punktet der Kystverket utredet saken og konkluderte med tildekking som anbefalt metode. Nå skal det ekstern kvalitetssikring til igjen. På spørsmål til statsråden om hva man gjør for å sikre at de som skal utføre kvalitetssikring denne gangen, faktisk har kompetanse, eller skaffer seg kompetanse på henholdsvis tildekking, heving av ubåt og fjerning av kvikksølv, er svaret egentlig: ingenting – ingen verdens ting. Vel er det slik at de to firmaene som man bruker til ekstern kvalitetssikring, er prekvalifisert av Finansdepartementet, men det er relativt få oppdrag av denne typen, og relativt få som har kompetanse. Er man kompetent til å kvalitetssikre veianlegg og store byggeprosjekt på landjorden i Norge, er det ikke uten videre slik at man faktisk er kompetent til å håndtere store, kompliserte bergingsoppdrag. Jeg registrerer at de partiene som tidligere stemte for at Mammoet skulle få anledning til å gjennomføre oppdraget sitt, ikke går inn i den viktige problemstillingen, og det er synd. For Fremskrittspartiet er det nærliggende å tro at Fiskeri- og kystdepartementet – og regjeringen – faktisk regner med at konklusjonen skal bli tildekking. Når man var villig til å la utredere uten tung kompetanse få avgjørende innflytelse i forrige runde, har vi dessverre liten grunn til å tro at man vil gjøre det annerledes i denne runden. For Fremskrittspartiet er behandlingen av hele saken uakseptabel. For Fremskrittspartiet er det viktig å få hevet ubåten og få fjernet kvikksølvet. For Fremskrittspartiet haster det med å komme i gang igjen med forberedelsene til å gjennomføre hevingsprosjektet. Derfor fremmer vi i dag forslag om heving og fjerning. Jeg tar opp Fremskrittspartiets forslag i innstillingen, Representanten Arne Sortevik har tatt opp det forslaget han refererte til.

og for så vidt Høgre – var med på eit forslag i denne salen som sikra ei heving av ubåten. Men me fekk fleirtalet mot oss, og fleirtalet, som bestod av regjeringspartia, sa at i staden for å støtte vårt forslag gjekk dei i gang med ei konsekvensutgreiing, med kvalitetssikring.

2010, der ho var veldig tydeleg på at regjeringa jobbar fullt og heilt for ei heving, når dei meiner det er forsvarleg. Det håpar eg kan vere den samlande løysinga som òg denne debatten viser til. Arbeidet med U-864 og håndteringen av forurensningen fra kvikksølvlasten er til. Arbeidet med U-864 og håndteringen av forurensningen fra kvikksølvlasten er en krevende sak som regjeringen tar på største alvor. Det er viktig at vi får håndtert kvikksølvforurensningen slik at den ikke vil utgjøre en fare for miljøet og generasjonene som kommer etter oss. Men det er også viktig at vi ved gjennomføring av et tiltak ikke bidrar til å spre kvikksølvforurensningen til et større område. Det var nettopp av hensyn til miljøet og risiko at Stortingets flertall i juni i fjor sluttet seg til regjeringens forslag om å stanse den da planlagte hevingsoperasjonen. Det ble vedtatt å igangsette en forstudie og deretter en ekstern Den inneholder alternativene nullalternativet, tildekking, heving og et alternativ der heving og tildekking kombineres. Ved også å inkludere tildekking og et alternativ der heving og tildekking kombineres, vil sannsynligheten øke for at man samlet sett står igjen med et tilfredsstillende alternativ for håndtering av

Og ja, disse selskapene er prekvalifisert til å gjøre slik kvalitetssikring og arbeider på et uavhengig grunnlag. De har da selvsagt anledning til å innhente de ekspertarbeidene som de måtte føle behov for i den jobben de gjør. I forslaget vi i dag har til behandling, bes det om at ubåten U-864 heves så snart som mulig. Jeg er glad for at representantene fra Høyre og Kristelig Folkeparti nå finner det riktig å avvente resultatet av kvalitetssikringen som gjennomføres. Gjennom en kvalitetssikring vil vi være enda tryggere på at de faglige anbefalingene vi bygger vår endelige beslutning på, er så gode som mulig. mulig. Jeg mener at kvalitetssikringens berettigelse kommer tydelig fram i svaret jeg ga 21. mars på spørsmål fra representanten Halleraker. Her framgår det at konsulentene ønsker at det gjøres ytterligere vurderinger utover det som i dag foreligger i konseptvalgutredningen. Konsulentene har bl.a. identifisert behov for å vurdere et alternativ der også forurensede sedimenter, i tillegg til vraket, i stor grad fjernes før området dekkes til med rene masser. Kystverket er nå i gang med dette arbeidet. Dette viser at nye øyne kan komme med nyttige innspill og dermed sikre at alle relevante alternativer blir vurdert. Nå er det vel ikke slik at statsråder er de som skal stille spørsmål i Men i denne saken kunne det i hvert fall ha vært interessant å få vite hvilket alternativ forslagsstillerne fra Fremskrittspartiet nå ønsker å iverksette straks. Ønskes en heving av ubåten og tildekking av forurensede sedimenter, eller ønskes en heving av ubåten og så fjerning av forurensede sedimenter før tildekking? Jeg er tilhenger av handling, men nødvendig kunnskap må foreligge først.

fjor. Da uttaler hun: «Jeg skal gjenta én gang til at regjeringens vedtak om heving står fast. Vanskeligere er det ikke. Det er gjentatt av statsministeren, det er gjentatt av meg. Det er helt opplagt at regjeringen da har et mål om å gjennomføre sitt vedtak, som er heving.» Står statsråden fast på den beslutningen?

Tidligere kyst- og fiskeriminister Helga Pedersen snudde i saken om heving av ubåten og ønsket faktisk å gå inn for å heve ubåten. Tok tidligere minister og nestleder i Arbeiderpartiet fullstendig feil i sin vurdering og har vi da fortsatt en pågående sak som har gått over fem år? Med fortsatt planlegging blir det seks, syv, åtte, ni og kanskje ti år før vi får et resultat og et svar fra dagens regjering. Ja, jeg hører at man ønsker å være handlekraftig, men ti års forberedelse for å få et svar på en ting og få en ting ut av verden er vel ikke akkurat handlekraftig, er det

Det har vi mange av, men heldigvis – må jeg få lov å si – ikke den type last som det vi her står overfor. Utfordringen er at her er det ikke en hel ubåt som bare kan tas tak i og løftes opp. Nei, den er delt, det mangler en del av den. Lasten er nede i sedimentene. Dette er ikke gjennomført tidligere. Derfor er det komplisert. Så ble det gjort et stort nummer av disse selskapene som er satt til å kvalitetssikre. Nei, de sitter vel heller ikke på detaljkunnskap på alle områder, men der de mangler det, har de anledning til å innhente det der det finnes. Til det siste: Det er

at de to prekvalifiserte konsulentfirmaene som nå skal foreta en såkalt kvalitetssikring, faktisk skaffer seg kompetanse som kan noe om så kompliserte oppdrag. Det er kompliserte oppdrag, men det finnes internasjonal kompetanse, den er å få tak i, og den er å hente hvis man vil. Så hører jeg statsråden svare at man går for heving. Like fullt er det slik at man kvalitetssikrer tildekking. Hva er tidsplanen? Hvor lang tid skal disse flaskene med kvikksølv ligge før de kommer opp? Til kvalitetssikrerne og spørsmålet om jeg har forsikret meg om at de benytter seg av den kompetansen som finnes: Det legger jeg faktisk til grunn at de gjør. Bare det at kvalitetssikrerne nå kommer med nye spørsmål og ber om nye utredninger, vitner, i hvert fall for meg, om at de tar dette på største alvor og utreder grundig og nøye. Som jeg sa i mitt innlegg: Det at nye øyne ser på denne saken nå, at de stiller spørsmål og ber om å få de utredningene de nå ber om, borger for at de i hvert fall skaffer seg den kompetansen. Til tidsplanen: Når kvalitetssikrerne ber om ytterligere utredninger, innebærer det selvsagt at man må sette av tid til det. Jeg vil i revidert nasjonalbudsjett komme tilbake og si mer om tidsplanen. Jeg har ikke eksakt klart for meg når kvalitetssikrerne skal være ferdige, men jeg finner det fornuftig at de får utredet de spørsmålene de ber om. Så får vi komme tilbake til hvor lang tid det vil ta. Replikkordskiftet er avsluttet.

Då er det for meg ei gåte at ein også brukar pengar på å greie ut tildekking av ubåten. Då burde ein konsentrere seg om det som går på å heve ubåten, og få det avklart. Ein har etter mitt skjønn hatt rikeleg med tid til å avklare dei problemstillingane som er med dette. Det vert også sagt at det er ikkje så veldig mange som kan gjere dette. I det ligg det, slik eg forstår det, at det er i alle fall nokon som har nødvendig kompetanse til å gjere dette. Då må det vere råd å klare å få til ei hurtigare framdrift i denne saka enn det som har vore tilfellet i alle desse åra. No skal vi behandle ei sak etter denne saka der ein har heldt på med utgreiingar nesten sidan Det ligg antydningar også i den saka om at ein kanskje skal gjere endå fleire utgreiingar. Eg registrerer at Arbeidarpartiet sin representant seier at det kan vere lurt å få nye auge til å sjå på saka. Ja, det kan vere lurt viss ein ønskjer å bruke tid på det, og ikkje ønskjer at ein skal få gjort noko innan rimeleg tid. Eg registrerer også at det det i andre samanhengar vert hevda, i alle fall frå representanten Lundteigen frå Senterpartiet, at han skal vere ombod for befolkninga. Viss det er det som er intensjonen med regjeringa, at medlemer av regjeringspartia skal vere ombod for befolkninga,

gjere i denne saka. Då synest eg at statsråden skal lese framlegget. Der står det klårt og tydeleg at ein vil sørgje for at ubåten U-864 skal hevast og at kvikksølvlasten skal fjernast, samt sørgje for nødvendig etterarbeid med sikring av forureina havbotn. Det trudde eg var rimeleg klart, og eg håper at dette at det kanskje ikkje er noko å heve, og at kreftene i sjøen har tatt seg av dette på ein slik måte at ein ikkje kan gjere noko i saka. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen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

Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet – som ønskjer å leggje forslaget ved møteboka. Så er det eit mindretal – Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti – som stør forslaget frå Framstegspartiet om bygging av Stad skipstunnel. Og det er eit forslag frå Høgre, som òg stør bygging av Stad skipstunnel, men då som eit OPS-prosjekt. Frå midten av

i overkant av 1,75 mrd. kr, og byggjetida er berekna til å vere fem år. I Nasjonal transportplan for 2010–2019 foreslår regjeringa å løyve 200 mill. kr i siste delen av planperioden til Stad skipstunnel. Dette er eit prosjekt som, dersom det skal realiserast, krev betydeleg planlegging og finansiering.

at dette var for uforpliktande, sjølv om vi gir honnør og er glad for at det blei teke med i Nasjonal transportplan. Men vi meinte det var for uforpliktande. Den gangen fremma Kristeleg Folkeparti, Høgre og Venstre eit forslag om prosjektering av Stad skipstunnel i 2010 og at ein skulle utgreie prosjektet som Folkeparti har fleire gonger fremma forslag i Stortinget om at Stad skipstunnel skal byggjast, og me følgjer det opp i dag. Farvatnet rundt Stad er svært vanskeleg. Ein skipstunnel har vore utgreidd i mange år. Ja, det er no faktisk 18 utgreiingar som ligg føre om dette prosjektet. Eg meiner derfor at Stad skipstunnel no bør realiserast. Det vil vere ei viktig hjelp for å auke tryggleiken til sjøs. Samtidig vil ein slik tunnel kunne gi eit ekstra løft til næringslivet langs kysten på Vestlandet. Eg er skuffa over den tilrådinga som kom frå Kystverkets side om ikkje å byggje ein Stad skipstunnel. Eg har òg vanskeleg for å forstå grunngjevinga frå Kystverket. Her kjem ein m.a. med utsegner om vêrprognosar som syner at ein ikkje har behov for tunnel. Men er det noko me veit, er det at vêret kjem til å bli verre i tida som kjem. Berre ut frå klimautfordringane veit me at det kjem til å bli meir ekstremvêr, dessverre. Dette forslaget omtaler òg ein stor tunnel. Det ligg føre planer om både liten og stor tunnel. Men – det vil eg vere veldig tydeleg på: Skal det byggjast ein Stad skipstunnel, må det vere ein stor tunnel. Forslaget om ein liten tunnel vil ikkje gi den nytten som vi har forventingar om. Sjølvsagt vil men skal me gå i gang med dette prosjektet, må det ikkje vere nokon tvil om at det er ein stor tunnel me går inn for. Eg innser i dag at forslaget frå Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti ikkje får fleirtal. Men eg håper dette er ei sak som me vil følgje nøye opp. Ikkje minst fram mot neste Nasjonal transportplan vil Stad skipstunnel vere eit neste Nasjonal transportplan vil Stad skipstunnel vere eit særdeles viktig prosjekt. Stad skipstunnel er omtalt i fleire stortingsmeldingar dei siste åra, og han er med i Nasjonal transportplan 2010–2019. I framlegginga av budsjettet for 2008 vart det i St.prp. nr. 1 for Fiskeri- og kystdepartementet gjort greie for avgjerda om å setja i gang nye utgreiingar om Stad skipstunnel. Bakgrunnen for utgreiinga var m.a. innspel frå fylkesordførarane i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og eit av alternativa skulle vera stor tunnel, slik at hurtigruta og andre fartøy med tilsvarande dimensjonar kan segla gjennom. Det var det representanten Hareide gjekk inn for i stad. Kystverket fekk oppdraget, og utgreiinga gjorde det òg naudsynt med ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Dette kravet er ikkje noko ein har funne på spesielt for dette prosjektet, men det gjeld alle store prosjekt som har ei kostnadsramme på over 500 mill. kr. Arbeidet med den siste utgreiinga har teke lang tid. tid. Grunnen er at tidlegare rapportutkast ikkje har fylt alle krav som vert stilte i prosessen med kvalitetssikring. Departementet har derfor lagt føringar på denne, nettopp for å sikra at alle formelle plankrav har blitt følgde. Det har frå fleire hald vorte reist spørsmål om Kystverket sin KVU-rapport har teke med alle relevante tal i den samfunnsøkonomiske analysen. Eg føreset at desse forholda

Vidare står det også at det er ein føresetnad for oppstart at prosjektet har tilstrekkeleg samfunnsmessig nytte. Ein skipstunnel gjennom Stadlandet har vorte utgreidd i fleire omgangar både på 1990-talet og på 2000-talet, og forventningane langs kysten for å få dette prosjektet realisert har vore, og er, store. Det forstår eg godt. Det er ingen tvil om at det er fleire gode grunnar til å byggja Det er eit sterkt fokus på tryggleik langs leia. I tillegg vil det vera viktig for næringslivet når det gjeld ein meir miljøvenleg transport av både personar og gods, med redusert ventetid, auka føreseielegheit og regularitet. I Soria Moria-erklæringa peikar regjeringa på at det er ei målsetjing at godstrafikken skal bort frå landevegen og over på sjø og bane. Realisering av Stad skipstunnel vil i så måte bidra til å fjerna ein flaskehals langs kysten.

men så store prosjekt må baserast på godt gjennomarbeidde fakta. Det er viktig her å understreka at arbeidet er i rute i høve til prosessane knytte til NTP, slik som dei tidlegare har vorte vedtekne. Nasjonal transportplan skal reviderast av det sitjande stortinget i 2013. For ikkje så lenge sidan vart transportetatane fram. Den trekkjer opp mykje av det som må vera dei samla transportutfordringane i neste planperiode. Eit av hovudgrepa som her vert føreslått, er fleire tiltak for å få meir gods frå veg over til sjø og bane. Til slutt vil eg understreka at det er Stortinget som har det siste ordet i denne saka, og det er me som skal ta stilling til om Stad skipstunnel skal byggjast eller ikkje, og i tillegg kva dimensjon han skal ha. Den føreliggjande utgreiinga frå Kystverket er berre eitt av grunnlaga som me skal byggja denne avgjerda på. Det er Det er en tverrpolitisk enighet om at det ville vært fornuftig å overføre en større andel av godstrafikken fra vei til sjø, og dette er også en av målsettingene i Nasjonal transportplan 2010–2019. Det finnes imidlertid noen barrierer mot økt sjøtransport som vi som politikere kan gjøre noe med. Selv representerer jeg Norge i Maritimt Østersjøsamarbeid, der vi har stort fokus på nettopp disse problemstillingene. Stadhavet er et av de aller mest værharde sjøområdene i Norge, der høy sjø med bølgereflekser fra land gir vanskelige manøvreringsforhold. Det finnes vel knapt en nasjonal værmelding der Stad ikke er nevnt, og Meteorologisk institutt har et eget spesialvarsel med bølgehøyde, bølgeperiode og vindhastighet for Stadhavet. Hvis man bygger Stad skipstunnel, så slipper skipene denne værharde strekningen, og det kan bety lavere transportkostnader og innspart tid. En slik skipstunnel har nå vært utredet snart 20 ganger, og det er denne skipstunnelen som Fremskrittspartiet tar til orde for å bygge i representantforslaget. En samlet komité er enig om at Stad skipstunnel vil legge til rette for en bedre samlet transportløsning og føre til tryggere sjøtransport langs et særdeles kritisk punkt ved kysten. En samlet komité er enig om at en slik skipstunnel vil ha stor betydning for økt sjøveis transport av passasjerer og gods. En samlet komité er enig om at sjøtransport er et miljøvennlig alternativ til frakt på vei, og at Stad skipstunnel vil øke tryggheten til de sjøreisende og være et viktig opplevelsesprodukt i reiselivssammenheng. Komiteen er imidlertid ikke enig når det gjelder å faktisk ville gjøre noe, for av de andre partiene er det bare Kristelig Folkeparti som støtter Fremskrittspartiets forslag om igangsetting av Stad skipstunnel basert på alternativ Stor Tunnel så snart som mulig. Jeg er veldig glad for denne støtten, og Kristelig Folkeparti og komitélederen har også i andre saker vist engasjement for sjøtransportens rammevilkår. Regjeringspartiene mener derimot at 20 år med utredninger ikke er nok, og at det nå trengs enda mer utredning. Høyre har sin egen vri; de fremmer forslag om at regjeringen skal bruke tid og krefter på å lage en ny sak om Stad skipstunnel som OPS. Fremskrittspartiet har tidligere fremmet lignende forslag, bl.a. i forbindelse med Nasjonal transportplan, men vi mener at nå bør det være slutt på den endeløse rekken av utredninger. Det som trengs – etter 20 år og nesten like mange utredninger – er først og fremst handlekraft. Dersom det er slik at man uansett skal utrede mer, så mener Fremskrittspartiet at man bør se nærmere på muligheten for å bygge veitunnel med tverrslag til Et slikt tillegg kan gi forsterket samfunnsøkonomisk gevinst, fordi en veitunnel kan virke som en redningstunnel ved eventuelt havari i skipstunnelen. En slik veitunnel vil dessuten erstatte to veier som i dag binder sammen Nordfjord og Sunnmøre. La det imidlertid ikke være noen tvil: Primært ønsker vi igangsetting så snart som overhodet mulig. Jeg vil ta opp Fremskrittspartiet og Kristelig Folkepartis forslag som ligger i saken.
Da har representanten Ingebjørg Godskesen tatt opp det forslaget hun refererte til. Stad skipstunnel er

og vi viser til Høgre sitt alternative statsbudsjett der det er sett av 200 mill. kr til førebuing av prioriterte OPS-prosjekt. Få samferdsleprosjekt har hatt så mange utgreiingar som Stad skipstunnel. Dei fleste trudde at planleggingsfasen var over då konseptvalutgreiinga til Kystverket i 2007 anbefalte regjeringa å byggje Stad skipstunnel etter stor tunnelprofil mellom Moldefjorden og Kjødepollen. Det var mange som meinte at det var eit reint bestillingsverk frå regjeringa si side då Kystverket i 2011 konkluderte med at vêr og vind var mindre utfordrande enn før, at båtane var blitt meir solide, og at det på den bakgrunnen ikkje var like stort behov for skipstunnelen som tidlegare utgreiingar viste. Ein av grunnane til at Kystverket kom med denne tilrådinga, var at det ville vere ein negativ samfunnsnytte på ca. 1,6 mrd. kr ved bygging av skipstunnelen. Det vart eit ramaskrik på Nordvestlandet då Kystverket kom med sin snuoperasjon i 2011. Derfor var det svært positivt at SINTEF fekk i oppdrag å utføre ein kritisk gjennomgang av KVU-en frå Kystdirektoratet. Konklusjonane var klokkeklare. SINTEF kom fram til at dei negative kostnadane er 20 pst. lågare enn det som kom fram i KVU-en. Det er større nytteverdi og sparte ventekostnader som fører til dette. Når det gjeld trafikknytten, har SINTEF lagt vekt på dei moglegheitene Stad skipstunnel gjev for arbeidsmarknadsintegrasjon mellom åtskilde regionane nord og sør for Stad. Det er eit veksande maritimt/marint næringsliv i Måløy, og det maritime/marine verdsleiande næringslivet på Søre Sunnmøre vil utløyse ein auka arbeidsmarknadsintegrasjon, og dermed auka arbeidspendling. I tillegg kjem reiser til regionen sin største flyplass, Vigra, og fritidsreiser. Òg når det gjeld dei ikkje-prissette konsekvensane, er det mange positive ting som talar for bygging av drivstoffinnsparingar, reduserte utslepp og turisme. Stad skipstunnel vil bli ein attraksjon som både vil gje auka småbåtturisme og landbasert turisme. I tillegg vil ein skipstunnel gje auka sikkerheit for sjøfarande, med redusert fare for dødsfall og personskadar, i tillegg til mindre fare for forureining. Dersom meir gods blir overført frå veg til sjø, vil dette kunne føre til reduserte trafikkulykker med vogntog på

om at dei vil utgreie nye løysingar dersom regjeringspartia held fast ved at det er nødvendig med fleire utgreiingar. Dette er ein saftig invitasjon til regjeringspartia om ytterlegare utsetjingar, og det vil Høgre åtvare sterkt mot. Høgre merkar seg òg at Kristeleg Folkeparti stør framlegget frå Framstegspartiet om å ta prosjektet ut av Nasjonal transportplan og leggje det inn som eit eige prosjekt, trass i at leiaren i til å fortelje kor viktig det er å sikre brei tilslutning til prosjektet gjennom arbeidet med revisjon av NTP. Høgre har sett fram eit forslag i Stortinget om å fjerne moms på skipstunnelar. Det vil vere eit viktig bidrag for å realisere Stad skipstunnel. Det vil betre kost–nytte-verdien på prosjektet dramatisk, og det vil redusere kostnadane med over ein halv milliard kroner. Høgre forventar at dei andre partia stør det framlegget når det skal handsamast her i Stortinget. Høgre forventar at dei andre partia stør det framlegget når det skal handsamast her i Stortinget. Høgre ønskjer å byggje Stad skipstunnel som eit OPS-prosjekt, og vi meiner det er heilt avgjerande for framdrifta i prosjektet at planlegginga blir framskunda. På den bakgrunn fremjar eg Høgre sitt framlegg i saka. Representanten Bjørn Lødemel har tatt opp det forslaget han refererte til.

som vi ønsker – og ser viktigheten av – så raskt som mulig. Det ligger nå inne i NTP, og vi vil selvsagt følge nøye med på fremdriften, slik at det ikke ramler ut av NTP. Venstre vil i denne saken stemme for Høyres forslag i innstillingen, nemlig å be regjeringen legge fram en sak om realisering av Stad skipstunnel som et

proposisjoner. Det foreligger også mange planer og utredninger. Nå vil jeg imidlertid ikke dvele ved sakens historie i dag. I 2007 ble det bestemt å sette i gang nye utredninger om Stad skipstunnel. Det er det nærmere redegjort for i St.prp. nr. 1 for 2007–2008 under Fiskeri- og kystdepartementet. Bakgrunnen for de nye utredningene er innspill fra fylkesordførerne i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Fylkesordførerne

Den eksterne kvalitetssikringen gjennomføres av selskaper som er prekvalifisert av Finansdepartementet også her. Når det gjelder Stad skipstunnel, gjennomføres den eksterne kvalitetssikringen av Holte Consulting og ECON. Som forslagsstillerne viser til, la Kystverket fram en utredning om Stad skipstunnel i desember 2007. Arbeidet med den eksterne Det viste seg da at denne utredningen ikke tilfredsstilte alle krav som stilles i slike prosesser. Derfor måtte mye av utredningsarbeidet gjennomføres på nytt. På den bakgrunn har Kystverket fått utarbeidet en ny rapport, og den ble overlevert Fiskeri- og kystdepartementet i januar dette år. Fiskeri- og kystdepartementet har videresendt den nye rapporten til ekstern kvalitetssikring. Jeg har registrert at det har kommet enkelte spørsmål om Kystverkets siste rapport, og om den har tatt med alle relevante tall i den samfunnsøkonomiske analysen. Jeg er også kjent med at det har blitt utarbeidet alternative rapporter, som har en annen vurdering av den samfunnsøkonomiske nytten. Dette er spørsmål som vil bli gjennomgått i den eksterne kvalitetssikringen som nå pågår.

i Nasjonal transportplan for 2010–2019. I Nasjonal transportplan er det vist til at en eventuell oppstart vil komme i siste del av planperioden. Jeg vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget når den forestående kvalitetssikringen foreligger. Jeg vil også minne om at alle andre samferdselsprosjekter i denne størrelsesordenen har vært igjennom samme type ekstern kvalitetssikring før de er forelagt Stortinget gjennom Nasjonal transportplan og budsjettproposisjoner.

få. Det er jo også slik at det vi vet fra samferdselssektoren i Norge, er at svært mange av de store prosjektene faktisk ikke ville blitt gjennomført hvis man skulle lagt de litt firkantede regnestykkene for samfunnsnytte til grunn. Må man ikke her også ha et litt videre perspektiv enn det litt firkantede sosialøkonomiske regneregler for samfunnsmessig nytte ofte ender opp med, og til syvende og sist ha et politisk syn på om dette er et nyttig prosjekt som det er viktig og nyttig å bygge? Til arbeidet som er gjort i Kystverket: De forskjellige rapporter og hvilke dialoger som har vært mellom departement og kystverk i det spørsmålet, har jeg ingen eksakt kunnskap om. Jeg legger til grunn at det er ikke minst knyttet til hvilke spørsmål som skal besvares, og på hvilken måte. Jeg har ikke vært i den type dialog, men jeg legger til grunn at det er for å sikre seg at en får de svarene, og at bredden på spørsmålene er stor nok til at en får gode svar – ikke innholdet i svaret, men prosessen rundt det og bredden og den biten. Når det gjelder spørsmålet om samfunnsnytte, er det et interessant spørsmål. La meg si det sånn at hvis vi kun skal vedta prosjekter – det være seg i veisektoren eller andre – som er samfunnsnyttige, blir det ikke mange prosjekter i dette landet. Kost–nytte er

Eg høyrde ikkje at statsråden nemnde det i sitt innlegg, så mitt spørsmål til statsråden er: Vil statsråden vurdere å støtte Høgre sitt forslag om å fjerne moms på skipstunnelar, slik at det kan komme Stad skipstunnel også til gode? Igjen: Kost–nytte er tall som en får fram gjennom fastlagte kriterier. Jeg sa i mitt forrige svar at det ville transportprosjekter som ble realisert her i landet hvis en kun skulle legge vekt på kost–nytte. Det hadde vært et fåtall. Heldigvis har vi politikere som greier å se større på ting enn kun på tall. Det vil selvsagt også være utgangspunktet her. Kost–nytte-betraktingene er selvfølgelig også en del av en total vurdering. Når det gjelder spørsmål knyttet til moms, er jeg til å vise til at det er det finansministeren som er ansvarlig for, så spørsmålet om momsen får stilles til ham. Eg er veldig einig i det statsråden seier, at skal me få gjennomført dette prosjektet, er me nøydde til å sjå på heilskapen i det og ikkje berre vil òg peike på SINTEF-rapporten – som eg opplever er eit godt og grundig arbeid – som nettopp viser samfunnsverknadene av dette prosjektet. Det eg er oppteken av, er framdrifta fram mot Nasjonal transportplan. Utfordringa no er at utgreiingane, kvalitetssikringsarbeidet, no skjer hurtig nok, slik at me som sit i transport- og kommunikasjonskomiteen, kan få heile dette prosjektet under eitt og få det vurdert før me tek stilling til Nasjonal transportplan for 2014–2023. Kan statsråden garantere at arbeidet vil vere fullført, slik at me kan få gjort ei slik vurdering? Som jeg sa i mitt innlegg, er det ventet at kvalitetssikringen vil ferdigstilles medio 2011. Med den tidsplanen som vi nå jobber etter med Nasjonal transportplan, som etter planen skal legges fram i 2013, bør det være et realistisk mål at regjeringen greier å konkludere i den saken, slik at vi fortsatt holder den tidsplanen som vi har sagt at vi skal holde, og at vi kan konkludere på veien videre i god tid, sånn at komiteen får behandlet dette spørsmålet på en grundig og

Første året, i 1984, då vi begynte arbeidet med dette, lo dei av prosjektet og gjorde narr av oss som i det heile kunne finne på å meine at ein skulle byggje ein skipstunnel gjennom fjellet, gjennom Stadhalvøya. Etter den tid har alle politiske parti, med unntak av SV litt i starten, vist positiv velvilje til prosjektet. Ja, det er attpåtil sagt at dette er eit fantastisk prosjekt som kan setje Vestlandet i ein heilt ny situasjon, og som bør byggjast fortast mogleg. Representanten Rommetveit var til stades i Ålesund då det var ein konferanse om dette prosjektet, der ein også la fram ein del moment som ikkje var med i Kystverket si utgreiing, som viste at med særdeles låge vurderingar med omsyn til dei samfunnsmessige nyttekostnadene som ein kunne få ut av dette, var det positiv samfunnsøkonomi i dette prosjektet. Det vil seie at samfunnet Noreg tener på at tener på at ein får bygd dette prosjektet. Så vert det vist til at det er vedteke at ein skal ha kvalitetssikring av prosjektet. Ja, det vart vedteke for veldig mange år sidan. Det vart vel vedteke under Bondevik-regjeringa i si tid, altså har ein visst om det i mange år. Då er mitt spørsmål: Kvifor har ein ikkje sytt for at ein at ein har fått gjort dette på eit langt tidlegare tidspunkt, slik at dette var klargjort? Når ein fram til den siste utgreiinga berre har fått utgreiingar som har vist positiv samfunnsøkonomi i prosjektet, så synest eg at ein burde ha gjennomført den kvalitetssikringa langt tidlegare, slik at det var klart. På fylkesårsmøta til Sogn og Fjordane Arbeidarparti og Senterpartiet i Sogn og Fjordane så synest eg at ein burde ha gjennomført den kvalitetssikringa langt tidlegare, slik at det var klart. På fylkesårsmøta til Sogn og Fjordane Arbeidarparti og Senterpartiet i Sogn og Fjordane har dei vedteke resolusjonar som går på at dette prosjektet bør byggjast. Senterpartiet hadde attpåtil ei overskrift på resolusjonen sin om at ein måtte byggje Stad skipstunnel no. Det var særdeles viktig å kome i gang no. Då lurar eg på: Kvifor er ikkje Senterpartiet med på å støtte Nokre få ord om sidetunnel: Vi har ute på anbod to alternativ – eitt med sidetunnel og eitt utan. Det viser seg at bindande anbod med sidetunnel nesten ikkje kostar meir enn det andre, fordi ein kunne få til ei langt betre utnytting med omsyn til utkjøringa av masse i dette prosjektet med to tunnelar. Det er

prosjektet i samband med revidert statsbudsjett for 2011. Det er med respekt å melde useriøst frå eit elles seriøst parti. Forventningane langs kysten for å få dette prosjektet realisert er store, og dei har ikkje blitt mindre etter at konseptvalutgreiinga vart lagd fram. Det er, må eg seie, ein god del frustrasjon langs kysten over at ein føler at dette dreg ut i tid. Eg er sjølv veldig oppteken av at vi følgjer dei tidsplanane som vi tverrpolitisk er einige om i Nasjonal transportplan. Det bør vere velkjent at ein tunnel vil bety mykje for næringslivet langs kysten. Det vil føre til større sikkerheit og redusere ventetider, og dermed sikre føreseielege forhold og betre regulariteten. I I dag går mykje med trailer, nettopp fordi det veg opp for ulempene med å runde det usikre Stadhavet, i all slags vêr. Med auka tilgjengelegheit langs vestlandskysten vil vi få ein sterkare og meir rasjonell region. Potensialet som ligg i t.d. turistretta næringsverksemd med denne, etter mi meining, unike tunnelen, er utruleg stort. Eg er glad for at det vert halde eit sterkt fokus på denne saka frå vår side, og eg forventar at tidsplanen som er sett i denne saka, no vert halden. Eg vonar at ein gjennomgår dei momenta som kom fram i SINTEF-rapporten som vart lagd fram på konferansen, om samfunnsnytta i dette prosjektet, og at ein tek omsyn til dei. Til slutt vil eg understreke behovet for at vi no kjem vidare i denne saka på ein måte som gagnar prosjektet. Eg skulle ønskje at alle partia no kunne samle seg om den framdrifta og dei moglegheitene som ligg i Nasjonal transportplan for å få realisert dette unike prosjektet. Siden spørsmålet om kost–nytte-analyser er

så må det jo være her. Det er ikke slik at dette prosjektet bygges fordi det blir kortere avstand, eller det er andre ting som gjør at man seiler den veien, men fordi det blir større trygghet for de sjøfarende. Det igjen har jo stor betydning for fiskeflåten som f.eks. kan bli liggende

tunnel. Det gjør at det også er helt malplassert å anvende en slik metode. Så jeg er glad for at statsråden sier at heldigvis har vi politikere som utøver skjønn også i sånne saker, for det er vi jo nødt til. Jeg vil allikevel oppfordre statsråden til, når hun går inn i arbeidet med Nasjonal transportplan, også fra sitt

Men me har ikkje eit fleirtal av Kristeleg Folkeparti-representantar i denne salen. Derfor må me jobbe med å sikre gode alliansar. Derfor trur eg at det realistiske arbeidet med dette vil vere nettopp knytt til neste Nasjonal transportplan. Men det vil ikkje seie at me når me da får moglegheita til å stemme for det som er det primære standpunktet vårt, lèt den moglegheita gå frå oss. me når me da får moglegheita til å stemme for det som er det primære standpunktet vårt, lèt den moglegheita gå frå oss. Representanten Lødemel seier: Er me villige til å ta dette ut av NTP for å få eit vedtak i dag? Ja, sjølvsagt! Hadde me fått eit vedtak i dag for Stad skipstunnel, hadde det ikkje vore noko behov for at det skulle liggje i Nasjonal transportplan. Men representanten Lødemel er ikkje en del av transportkomiteen, og

var for svakt og uforpliktande. Me trur likevel, når me ser heilskapen i dette, at første moglegheita for å få fleirtal i denne salen for prosjektet vil vere ved neste Nasjonal transportplan. Det har eg håp og tru på etter denne debatten her i dag. For eg opplever jo at dei politiske partia, særleg representantar frå Arbeidarpartiet, har vore tydelege på at dei er positive til prosjektet, og heller ikkje statsråden var avvisande. Det gir meg håp om at

Representanten Rommetveit og fiskeri- og kystministeren har gitt veldig tydelig uttrykk for hva regjeringen og regjeringspartiene ønsker når det gjelder framdrift i saken, og det å ta vurderingene knyttet til en bygging av Stad skipstunnel i rulleringen av Nasjonal transportplan. Det synes Senterpartiet er en god framdrift. Så jeg vurderer det på Så jeg vurderer det på følgende vis: Jeg støtter innstillingen i saken, og så tar vi debatten når Nasjonal transportplan skal rulleres. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter, og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av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

med 2 km. I tillegg blir trafikksikkerheten vesentlig bedre ved at den rasutsatte strekningen ved Hopshamran blir borte. Tverlandet bru erstatter interimsbrua som ble oppført i 2009, og det vil være et viktig tiltak å få bygd ei ny bru raskt fordi grunnen i sundet der er slik at selve interimsbrua siger sakte, men sikkert ned i grunnen. Det haster å komme i gang. Derfor er det viktig at vedtaket kommer nå. Det bygges 2,8 km ny gang- og sykkelvei på strekningen med to underganger for gående og syklende. Det betyr at det blir sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Tverlandet og Bodø – en kjempesak for dem som ønsker seg ut på sykkel for å komme seg på jobb, men også for dem som ønsker seg ut på sykkel for å komme seg på jobb, men også for dem som ønsker å ta i bruk den fabelaktige naturen i området. Det bygges også en ny busslomme på strekningen, som er viktig med tanke på kollektive løsninger. Rv. 80 er en av de mest trafikkerte riksveistrekningene vi har i Nordland. Veistrekningen er viktig for næringsliv og innbyggere, ikke men også som innfartsåre fra E6 til Bodø og ferjestrekningene videre til Lofoten er den viktig. Det betyr at en har mange som benytter seg av den, ikke minst i næringstransportsammenheng. Jeg tror jeg har veldig mange med meg på laget, om ikke alle i regionen, når man ser fram til anleggsstart sommeren 2011, og til ferdigstillelse og åpning i løpet av høsten 2013. Prosjektet har en styringsramme på 526 mill. kr og en kostnadsramme på 626 mill. kr i 2011-kroner. I tråd med lokale ønsker og vedtak skal utbyggingen finansieres ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Flertallet i komiteen peker på at i det videre arbeidet med fase 2 må kollektivtilbudet bli vist spesiell oppmerksomhet og styrkes. Det er behov for en god samordning av Vegpakke Salten, kollektivplanen for Bodø og utviklingen av jernbanen i regionen. Jeg ser nå av saksutredningene som man legger fram for Bodø bystyre, at man er veldig opptatt av kollektive løsninger i den bypakken som man jobber med. Når det gjelder jernbanetiltak i området, blir det i St.meld. nr. 16 for 2008–2009, altså NTP 2010–2019, foreslått å gjennomføre kapasitetsøkende tiltak og vurdere stasjonstiltak som åpner for en videre utvikling av Saltenpendelen. Dette er fulgt opp ved at det er gjennomført sporomlegginger og plattformtiltak på Fauske stasjon, videre er det gitt bevilgninger til ombygging av godsterminalen i Bodø, og Jernbaneverket arbeider med planer om flere nye krysningsspor og forlenging av et eksisterende krysningsspor på strekningen Bodø–Rognan samt etablering av holdeplasser på Tverlandet og Reitan. Jeg vil på vegne av flertallet i komiteen understreke at det er viktig å få god framdrift i planleggingen av de nye holdeplassene, og vil be om at det blir tatt initiativ overfor Jernbaneverket og lokale myndigheter for å sikre dette. Muligheten for å øke kapasiteten med krysningsspor på strekningen er også viktig. Framdriften i arbeidet vurderes i forbindelse med statsbudsjettet for 2012. Lokalbefolkningen har støttet opp under saken ved behandlingen lokalt. Det er fulgt opp av fylkestinget, som har gitt fylkeskommunal garanti for nødvendige bompengelån til prosjektet. Flertallet i komiteen har fulgt opp det lokale vedtak, både når det gjelder bompengeordninger og fulgt opp det lokale vedtak, både når det gjelder bompengeordninger og rabattordninger ved bruk av AutoPASS-brikke. Når det gjelder AutoPASS-brikke, vil jeg også vise til at Samferdselsdepartementet er bedt om å se på personvernutfordringene i helautomatiske bomstasjoner, og å vurdere muligheten for å ha anonym betalingsløsning som et supplement til dagens Flertallet har også merket seg at både kommunen og fylkeskommunen forutsetter videre utbygging av rv. 80 gjennom en andre del av Vegpakke Salten fase 2. Man ser også for seg at både statlige midler og bompengeinntekter blir vurdert i sammenheng med det. Flertallet slutter seg også til Samferdselsdepartementets forslag om å heve fullmaktsgrensen som ligger i proposisjonen. Med dette anbefaler jeg på varmeste flertallsinnstillingen i saken og gratulerer Bodø og Nordland med

I løpet av 2007 ble det konstatert en betydelig nedsynking av Hestsundet bru. Den brua var eneste innfartsåre til Bodø med bil. Samtidig registrerte Vegvesenet bevegelse og mulighet for utglidning av veien i Hopshamran, noen hundre meter lenger borte på rv. 80. Denne strekningen er i tillegg svært utsatt for isras om vinteren. Det framgår av proposisjonen at eksisterende Hestsundet bru er nedklassifisert og stengt for trafikk, og det er bygd ei interimsbru for dagens trafikk. Det er riktig at det hurtig ble bygd ei interimsbru for å sikre innfarten til byen. Men brua er jo ikke bare nedklassifisert. Den må vel sies å være avklassifisert, siden den allerede er revet og fjernet. For innbyggerne i Bodø og Salten er dette en gledens dag, som også saksordføreren påpekte.

Delstrekningen er likevel forsert for å ha en sikker adkomst til Nord-Norges nest største by. I dag behandler ved en tilfeldighet bystyret i Bodø også konseptvalgutredningen for rv. 80 Løding–Bodø sentrum, eller Bypakke Bodø, som nye Tverlandet bru er en del av. Det er avgjørende at vi kan sikre den byen som er trafikknutepunktet i Salten-regionen og Nordland,

Slik er det her på Stortinget, og slik er det også lokalt – og Bodø er jo ikke noe unntak. De utfordringene som ligger til grunn for Bypakke Bodø, som Stortinget forhåpentligvis får til behandling våren 2012, har vært grundig debattert i det offentlige rom de siste ti årene. Blant annet har spørsmålet om bompenger vært gjort til, eller forsøkt gjort til, en viktig sak i lokalvalgkampen både

Løsningen som vi behandler nå i dag, og som vil ligge til grunn for helheten i Bypakke Bodø, har også et betydelig fokus på miljømessige løsninger og kollektivtrafikk. Konkret vil nye Tverlandet bru med tilførselsveier bidra til bedre lokale miljømessige løsninger for innbyggerne i området. I tillegg vil det for bypakken som helhet være viktig å iverksette tiltak og prioriteringer som øker bruken av kollektivtrafikk. Det kan f.eks. bety prioritering av bussen i trafikken og oppgradering av togløsningene for lokaltrafikk. Jeg er veldig glad for saksordførerens understreking av behovet for å ha stor oppmerksomhet om dette når man kommer tilbake til den fulle pakken. Like viktig vil det være å se på andre sider av videre utvikling av byen. Det handler om en kompakt byutvikling arealmessig, både ved å ta i bruk bynære arealer som ikke er disponert, og ved å få en fortetting av allerede utbygde områder. Økonomiske virkemidler for å redusere bruken av bil vil være viktig. Det handler bl.a. om å vurdere en hensiktsmessig utforming av parkeringsbestemmelser og bruk av avgifter for å begrense unødvendig bilkjøring.

men langt utover fylket. Men her slutter også enigheten. At Fremskrittspartiet er imot bompengefinansiering av vegutbygginger, er en vel kjent sak. Vi har vel mer enn nok av skatter og avgifter i Norge som det er, og klarer oss helt utmerket uten flere. Man skulle vel tro at staten har så den klarer seg, eller er det kanskje slik at det er dårlig med å ha til salt i maten der i gården? Den store uenigheten ved denne utbyggingen gjelder estimatet knyttet til ÅDT, årsdøgntrafikk. Selv om Høyre også vil vurdere en firefeltsveg på brostrekningen, ender de opp med sin vurdering og intet mer. Er det noe denne sal burde ha tatt langt mer på alvor, er det nettopp anslagene som ligger inne når det gjelder ÅDT. Her opererer man med en forventet ÅDT på 8 600 passerende kjøretøy i 2013, med andre ord det samme anslaget som lå til Kan dette medføre riktighet? Leser vi Aftenposten av mandag 11. april, ser vi at det står følgende: «Vegdirektoratet har gang på gang presentert trafikktall for nye veier som de selv visste var for lave. Dermed ble veiene billigere, men ikke tilpasset reell trafikkmengde.» Ergo har det vært et reelt politisk ønske over tid tid å bygge underdimensjonerte vegstrekninger som ikke vil være tilpasset trafikkmengden. Det er hevet over enhver tvil at ÅDT som her blir brukt – fra 2008 – umulig kan bli riktig i 2013 ved innføring av ny veg. Tall fra tidligere vegprosjekter støtter saken. Da bør vi bygge firefelts veg på hele vegstrekningen, og ikke bare vurdere det for broprosjektet, som Høyre så fint sier. Det kan vises til en rekke prosjekter hvor anslått ÅDT er blitt mer enn doblet på 20 år. SINTEF gjennomførte en slik evaluering i 2009 og konkluderer med følgende: «Et fellestrekk for disse prosjektene er at den faktiske trafikkutviklingen på hovedveien de fem første årene har vært betydelig større enn det en forventet på bevilgningstidspunktet.» Da begynner vi å nærme oss sakens kjerne: Det er faktisk forventet at ÅDT langt vil overstige 12 000 i løpet av broens eller strekningens levetid, som da er estimert til 20 år. Skal broen kun stå der i 20 år? Spørsmålet må bli: Dimensjonerer og bygger vi veg- og broprosjektet etter gårsdagens behov, eller er det tilpasset en reell trafikkmengde for fremtiden? Bygger vi etter gårsdagens behov, noe Fremskrittspartiet mener blir gjort i denne sak og altfor ofte, er det kanskje ikke så rart at Sverige klarer å redusere antallet trafikkdødsfall med nesten 43 pst. og Danmark med 33 mot Norges reduksjon på under 10 pst. Det er ingen tvil om at de veiene våre som ikke er tilpasset den trafikkmengden de er bygd for, er en vesentlig årsak – av flere, selvfølgelig – til ulykker, ikke minst når vi vet at det å bygge firefelts er den sikreste måten å unngå front-mot-front-kollisjoner og dødsulykker på. Jeg tar opp forslaget fra Fremskrittspartiet om å bygge strekningen ferdig, men med firefelts veg på hele strekningen. Representanten Jan-Henrik Fredriksen har tatt opp det forslaget han refererte til. Jeg kunne startet med å kommentere representanten

Dette prosjektet er svært viktig for folk i Salten og Bodøregionen. Høyre støtter denne innstillingen til vedtak, som altså går på løyve til å ta opp lån, kreve inn bompenger og forskuttere midler. Bare for å henge på en liten kommentar: Det er imidlertid et tankekors for oss at fylkeskommunen må garantere for låneopptakene til et prosjekt som er statlig. Særlig etter at vi har overført svært mye av veiene våre til fylkeskommunene og har igjen et relativt beskjedent antall kilometer av riksveiene, tror jeg det er grunn til å se på denne ordningen på nytt. Vi støtter altså innstillingen, men vi støtter ikke Det har vi heller ikke anledning til i denne type saker. Det er ikke det vi er invitert til, rett og slett. Jeg sier dette fordi det i en annen sak, hvor vi også var kritiske til løsningen da saken ble behandlet, viste seg at våre betenkninger i ettertid viste seg å være berettiget. Også der hevdet vi hevdet vi vårt syn i merknadene, men stemte for saken og det vi var invitert til å mene noe om, nemlig bompengeordningen. Det er også det vi gjør her. Vi i Høyre mener at vi tydeligere og tydeligere ser at vi på vegsiden i Norge planlegger og bygger for fortiden, med for forsiktige trafikkprognoser. trafikkprognoser. De siste dager har jo også Vegdirektoratet bekreftet at man anvender for forsiktige prognoser for trafikkutviklingen – sett i ettertid, som det var sagt fra Vegdirektoratets side. Når vegen står ferdig, er standarden allerede for lav i forhold til trafikk og faktisk også i forhold til krav når det gjelder og antall kjøretøy i døgnet. Så må jeg få gjøre oppmerksom på at i motsetning til det representanten Fredriksen sa, går vi i våre merknader inn for å bygge firefelts veg på hele strekningen. Vi har ikke det som et vedtak, men vi sier veldig tydelig, eksplisitt, at vi ønsker firefelts veg på hele strekningen. at vi ønsker firefelts veg på hele strekningen. Vi tror det vil vise seg å være en fornuftig og framtidsrettet løsning i et prosjekt som dette, hvor det også ganske sikkert vil bli en god trafikkutvikling. I desse dagar er

regjeringa. Utgangspunktet til SV var nemleg det at me meiner at Bodø-området, Tverlandet, og lokalpolitikarane ikkje tek dette med kollektivtransporten på alvor. No høyrde me òg Høgre, som i forgårs var ute med ei svær kollektivpakke – no skal det satsast kollektivt, no skal det bli slutt på motorvegbygging, osv. Ja, det høyrdest slik ut for to dagar sidan, men i dag høyrde me korleis pipa eigentleg

blir meir brukt. Då er det med på å tilretteleggja for auka biltrafikk, men er ikkje den løysinga området treng. Så burde òg Bodø-området satsa bevisst på ein politikk som står i klimaforliket, nemleg å redusera biltrafikken. Då vil ein kunna koma inn i belønningssystemet for auka kollektivtransport. Det gjer me ikkje her i dag. Men det me gjer, spesielt frå dei raud-grøne partia si side, er å leggja føringar for framtidige løysingar, knytte opp mot jernbanestasjon på Tverlandet og det å få meir transport over på det miljøvenlege, det klimavenlege, toget. Det vil statsråden koma tilbake til seinare, ved budsjett og reviderte budsjett. Då reknar me med at vår løysing, som er den som er mest framtidsretta og klimavenleg, vil koma til sin rett. Alltid når det er bompengedebattar, er det desse som driv med dobbel bokføring. Det er altså slik at ein i Stortinget er mot bompengar. Ein snakkar om det, ein proklamerer det, og ein seier det om igjen og om igjen og lurer ein del veljarar til å tru at det faktisk er Men så viser det seg at når ein er ute i den praktiske, politiske verkelegheita, er ein for, for ein har ikkje andre alternativ. Det kan me sjå i Oslo, der Framstegspartiet ranar og landevegsrøvar bilistane som berre det – for å få bygd ut kollektivtransport i Oslo. Ein kan sjå det i framstegspartistyrte Os, der Søviknes står ute ved bomstasjonen og sankar inn pengar frå dei bilistane som køyrer forbi. Ein kan sjå det òg i andre kommunar der Framstegspartiet har makt. Det er jo spennande dersom det skulle bli eit blått-blått fleirtal, å sjå kor hardt Framstegspartiet då skal køyra Høgre her inne i forhold til at ein ikkje skal betala bompengar, men ein burde eigentleg rydda i eige hus før ein kjeftar på Høgre og på andre parti. SV er mot mange av bompengeprosjekta, derfor vil me ikkje ha bompengar. Men det blir bompengar, fordi ein lokalt vil ha dei ulike løysingane. Men Framstegspartiet burde seia at den politikken dei står for her, står dei for lokalt, men det gjer ein altså i praktisk politikk ikkje. Så kunne ein òg tenkt seg, når ein hadde budsjettmakt, som ein hadde med Bondevik-regjeringa to gonger, at ein sende ut eit svært korps av folk som skulle riva ned

men me frå SV si side ønskjer ei sterk fokusering på dei kollektive løysingane på Tverlandet. Det har me sett noko om i denne proposisjonen. No gjeld det berre at me følgjer det opp i budsjetta framover, slik at me får ei skikkeleg kollektivsatsing i Bodø-området. Presidenten er ikke helt sikker på om det er så parlamentarisk å omtale lokalpolitikere som at de raner bilister, men bortsett fra det: Neste taler er statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.
og deretter

hovudinnfartsåra til Bodø, og det skulle berre mangla om ikkje den største byen i Nordland fekk betre tilknyting til E6. Tverlandsbrua vart nedklassifisert og stengd i 2009, og her har ein klart seg med ei mellombels løysing med interimsbru over Hopsfjorden. Prosjektet omfattar bygging av om lag 2,1 km ny veg. Dette er medrekna den nye Tverlandsbrua, som skal erstatta interimsbrua. Brua går mellom Løding, aust for Hopsfjorden, og til Vikan, vest for fjorden. Vegen er planlagd med to felt på begge sider av fjorden, men brua skal ha fire felt og midtrekkverk. Nybrua, med tilførselsvegar, vil korta inn vegen og Bodø med om lag 2 km og fjerna ei rasutsett strekning ved Hopshamran. Det vil bli bygd ein samanhengande gang- og sykkelveg frå Tverlandet til Bodø sentrum. Styringsramma er allereie grundig presentert av saksordføraren.

Det er ei utbygging som er omtalt både i Nasjonal transportplan og i budsjettproposisjonen for 2011. Det er ei utbygging der ein

Framstegspartiet viser til at dei ikkje vil forskottera midlane for å starta utbygginga no – staten skal dekkja heila kostnaden. Eg legg stor vekt på at det er lokalpolitiske vedtak om forskottering her. Bodø kommune og fylkeskommunen ynskjer forskottering og ein rask start At Framstegspartiet ikkje er nøgd med ei slik pragmatisk løysing for å få prosjektet raskt i gang, er ein demonstrasjon i denne samanhengen i forhold til fleirtalet, som eg trur folk vil merka seg lokalt. Stortinget gjer i dag vedtak om at Samferdselsdepartementet

For å få eit meir oversiktleg system vart praksisen endra frå og med desember 2010, slik at alle typar forskottering blir rekna opp mot fullmaktsgrensa. No gratulerer eg både bodøveringar og folk på Tverlandet med stortingsvedtaket og med brua og vegen dei skal få i 2013. Samtidig vil eg takka komiteen for rask behandling og Stortinget for eit framtidsretta

med bompengefinansiering, også lokalt. Det kan vel helt sikkert diskuteres. Men jeg vil tilbake til ÅDT. Allerede i 2010, om vi ser på rv. 80 i Hopen

Det har vi no fått til. Så til årsdøgntala, som tilseier at vi i dag skal byggja med to felt. Så kan trafikkutviklinga på denne strekninga tilseia at vegen må utvidast til fire felt lenge før brua si levetid er ute. Brua si levetid er rekna til om lag 80 år. Å byggja ei bru med to felt og seinare utvida til fire synest eg ikkje er særleg rasjonelt. Men å satsa på ein veg med to felt her og med betydeleg meir trykk på kollektivsatsing i tida framover kan visa seg å

dag. Så gir man et svar på spørsmålet fra forrige replikant som om kollektive løsninger skal løse utfordringene. Man har hatt seks–syv år på seg hittil til å ta fatt på denne utfordringen. Mitt spørsmål er: Hva kommer det av at man er i stand til å underestimere årsdøgntrafikken, slik man gjør i dette tilfellet, man på bakgrunn av den form for planlegging ikke er i stand til å ta høyde for firefelts vei på begge sider av brua? Vil statsråden ved en gjennomgang – et ord hun kjenner veldig godt til – med bakgrunn i korrekte årsdøgntall kun ta sikte på å planlegge for firefelts vei på begge sider av brua? For det fyrste forstår eg at Høgre, på same måten som meg, er oppteke av det som var beskrive i Aftenposten, som gjaldt Vegdirektoratet si estimering av årsdøgntrafikk. Veldig mange av dei eksempla der er frå 10–20 år tilbake i tid. Dei tala som ligg føre her, er det beste estimatet vi kan visa til. I tillegg må vi rekna med at vi må gjera ein innsats, ikkje for å flytta all trafikk over på kollektiv, men for å få til begge delar. Eit av spørsmåla som har gått no, er faktisk om ein skal byggja ei bru med to felt. Det synest eg vart heilt feil. Eg er glad for at det er støtte for det i dag, og så får ein sjå an utviklinga, om ein kjem med fire felt på vegen etter kvart. Replikkordskiftet er omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil

når den politiske viljen er til stede, er det fullt mulig å få det til. Det er regjeringen som har pengene, og det er regjeringen som har makten. Riktignok må regjeringen til Stortinget for å få godkjent bruk av ekstra transportskatt, og det er derfor vi har denne saken. Skatt heter i politisk nytale lokale bidrag – bedrøvelig når vi vet at oljefondet er på over Dette prosjektet er prosjekt nr. 11 i denne perioden. Når flertallet vedtar å bruke lokal skatt, ekstra transportskatt, på dette prosjektet også istedenfor full statlig finansiering, er den samlede finansieringsregningen på de elleve prosjektene med bompengefinansiering vi har hatt hittil i denne perioden, på nesten 16 mrd. kr. Av de nesten 16 mrd. kr er bompengeregningen på nesten 7 mrd. kr – det er 55 pst. Men i tillegg er det skrevet ut en regning, slik at bilistene også skal betale finansieringskostnader og innkrevingskostnader, og den regningen er på nesten 6 mrd. kr. For å investere nesten 16 mrd. kr skal bilistene betale nesten 15 mrd. Sagt på en annen måte: En investeringsramme på 16 mrd. kr koster i virkeligheten over 21 mrd. Det er altså et avbetalingstillegg som tvinges på bilistene, og jeg minner igjen om at oljefondet er på

enig i hovedpunktene til både saksordføreren og representanten Sivertsen fra Arbeiderpartiet, som illustrerte viktigheten av å få til bedre trafikale løsninger. Rv. 80 er sannsynligvis ikke bare Nordlands mest trafikkerte riksvei – så vidt jeg vet, er det Nord-Norges mest trafikkerte. Det som er ankepunktet fra min side, er at man ikke er i fra min side, er at man ikke er i stand til å beregne en robust og troverdig årsdøgntrafikk som det går an å planlegge for fremtidens løsninger for, på denne veistrekningen. Den har også en ulykkesfrekvens som er ganske kjent, og som det ikke er noe annet enn korrekt statistikk rundt. Det skulle tilsi at når man tar det veldig positive skrittet å bygge en firefelts

Man kan ikke som representanten Langeland – som kjemper for at også brua skal ha tofelts trafikal løsning – opptre som om de kollektive løsningene allerede er på plass. Man har ikke tatt seg bryet med å gjøre så veldig mange grep siden 2005 for å få de alternative løsningene på plass, så de ligger heller ikke her i dag. Så vidt jeg har lokal erfaring fra, Så vidt jeg har lokal erfaring fra, er det faktisk også mange SV-ere som sågar kjører bil i Salten-regionen. Dette er en trafikkstrekning som har høy ulykkesbelastning, som får markant økt årsdøgntrafikk, og som fremover hadde fortjent å ha en planleggingshøyde på fire felt. Jeg håper da på bakgrunn av det som flere har vært inne på, at dette forstår jo finten fra Fremskrittspartiet til Høyre. Sagt i denne forbindelse – det er verdt å merke seg at løsningen i dag er i tråd med lokale ønsker. Den skjer veldig, veldig raskt, og det har vært et hovedpoeng fra Høyre at denne veistrekningen og denne løsningen skulle stå ferdig i år 2013. Med Fremskrittspartiets løsning tror jeg vi hadde måttet se 20–30–40 år til frem i tiden for å få på plass en løsning.

som nordlending synes jeg det var viktig at man kanskje sa noen ord. Jeg har vært så heldig at jeg har sittet i denne spennende komiteen. Jeg satt der i 2004, da man fikk lagt Saltenpakken inn i Nasjonal transportplan. Det var tre store prosjekt som var veldig viktig å få lagt inn den gangen – det var Saltenpakken, det var Hålogalandsbrua, og det var Helgelandspakken. Det var tre store prosjekt i Nordland, som hadde prioritert rekkefølge, men det skal jeg ikke gå inn på her. her. Så var det Bondevik II-regjeringen som la fram den nasjonale transportplanen. Da må jeg bare minne om – for jeg hører debatten sånn av og til – at pengene sitter veldig løst hos opposisjonen i mange sammenhenger, og kanskje spesielt hos Fremskrittspartiet. Så var det faktisk slik at vi plusset på den nasjonale transportplanen – bare for å minne om en del ting – med 2 mrd. kr i løpet at den tiårsperioden. Da var det min gode venn i Kristelig Folkeparti fra Nordland, Jan Sahl, som uttrykte at dette var luftmilliarder, det

møte med Vegvesenet i nord, bl.a. med Torbjørn Naimak, som hadde møte med Nord-Norge-benken. Hvis man tar seg bryderiet – og det håper jeg – med å se på kartet over hva som skal skje nå bl.a. i Nord-Norge med de veiprosjektene osv., så er det formidabelt. Da nytter det ikke å bruke de pengene vi har, til skattelette, men man må også bruke dem på noen planer og noen veier. Da er det viktig med den satsingen som denne regjeringen har gjort i denne sammenhengen.

vekst. Så vil jeg også minne om at det er veldig gledelig nå at Bodø har fått universitet. Det vil sikkert også eksplodere, og byen vil sikkert utvides ved at man får flere studenter til Bodø. Denne dimensjonen er det viktig å ha med seg. Da er det også slik at på sikt er det viktig at man får i gang og satser mer på kollektivtrafikken og agendatoget, for det egner seg veldig godt til å bruke til pendling. Så man må ha

og det brukes betydelige midler til finansiering av veiene. Men det er store behov og mange ønsker. De fleste vil ha en så hurtig utbygging som overhodet mulig, også i denne saken. Mange vil ha bedre veier, bl.a. av hensyn til næringslivet, og samtidig ha en finanspolitikk som gagner næringslivet, og den er milevis fra Fremskrittspartiets budskap om å Det er viktig at statsbudsjettene ikke sender renter og kronekurs til værs og eksportnæringens konkurransekraft den motsatte veien, noe som igjen vil gi arbeidsledighet. Det er ikke mulig å innfri alle ønsker og krav over ett eller to statsbudsjetter, men ved å benytte muligheten vi har via bompengefinansieringen, får vi mye vei for pengene. Mange steder er det stort lokalt engasjement for å være med på dette spleiselaget som gjør det mulig å forsere utbyggingen av en rekke prosjekter, og det gjelder også i Fremskrittspartiets egne rekker. Å følge Fremskrittspartiets holdning til veier og bompenger er en litt snodig reise. Fjerning av alle bomstasjoner er høyt prioritert. Det foreslås i forbindelse med nysalderingen hvert eneste år. I 2011 var prislappen på det 23,5 mrd. kr. I tillegg vil de redusere bensin- og dieselavgift og fjerne nybilavgiften. Til sammen blir dette flere titalls milliarder kroner, og dette før de har bygd en eneste ny meter med vei. Høyest på partiets prioriteringsliste står altså noe som ikke gagner trafikksikkerheten, som ikke bidrar til utviklingen av distrikter og lokalsamfunn, som ikke står øverst på næringslivets ønskeliste, og som definitivt ikke kan sies å være ekstra oljepengebruk som investering i framtidig verdiskaping, men som utelukkende gjør at norske bilister kan bruke noen kroner mer på annet privat forbruk. Etter min vurdering har de lokale fremskrittspartipolitikerne som går for dette, skjønt poenget, i motsetning til har de lokale fremskrittspartipolitikerne som går for dette, skjønt poenget, i motsetning til sine kollegaer i denne sal. Til slutt: Fremskrittspartiet forsøker ofte – merkelig nok ikke i dag – å framstille det som det å finansiere veier via bom er et særnorsk fenomen. Hvis jeg nå hadde hatt mer tid, skulle jeg ha ramset opp alle land i verden der bompenger er i bruk. Men jeg skal bare nevne at i henhold til listen over bompengeselskaper som er medlemmer i International Bridge, Tunnel and Turnpike Association, brukes det i 32 land i Europa. Vi finner det i Asia, USA, Sør-Amerika, Afrika og Australia. Jeg bare nevner at i USA brukes penger fra bomstasjoner også til å finansiere kollektivtrafikken. Det var nesten litt fantastisk å høre på foregående taler.

enn det man hadde forutsatt da man vedtok statsbudsjettet for 2011. Det betyr at alle bompengene som vi kommer til å kreve inn i år, har man i løpet av én måned tatt inn i ekstrainntekter av overskudd på oljeinntektene våre. Så høres det ut som om Fremskrittspartiet har noen andre penger enn resten av dette stortinget. Vi har ingen andre penger, men vi bruker pengene på en annen måte, og vi mener faktisk at å investere i infrastruktur gir bedre konkurransevilkår for næringslivet vårt. Det sørger for at ulykkene går ned. Det betyr at man sparer inn penger på ulykkeskostnader, og næringslivet får bedre konkurransevilkår og kan betale det de skal i skatter og avgifter i stedet for, sånn som man nå gjør, å betale mye av det i bompenger. Så

Så bokholderi går mange veier. Så synes jeg representanten Ivar Kristiansen hadde en snodig tilnærming til problemstillingen med full firefelts vei på hele strekninger. Han sier: Vi er for det, men vi stemmer imot det. Det hjelper ikke å si at man skriver om det i merknader. Det er faktisk de vedtakene man fatter i denne salen, som avgjør om det blir firefelts vei eller ikke – ikke hva man har skrevet i en I motsetning til Ivar Kristiansen ønsker ikke Fremskrittspartiet å vente i 30 år. Vi behøver ikke å vente i 30 år. At Høyre trenger 30 år på å finne pengene, er Høyres problem. Fremskrittspartiet klarer å finne pengene, og vi har foreslått det og kommer til å foreslå det. Vi er opptatt av å bygge infrastruktur, og vi skal gjøre det uten bompenger. Når vi ser hvor mye penger denne staten soper inn hver eneste måned i ekstrainntekter, har vi fint mulighet til å ta det statlige ansvaret og bygge infrastruktur uten bruk av bompenger.

Jeg går ut fra at de vel har mer enn nok med å forstå sitt eget program og sitt eget ståsted, for veldig ofte er det slik at det er ja til nei og nei til ja. Det opplever vi i denne salen her i sak etter sak i dag – mange gode forslag som dessverre blir stemt ned, men som man i utgangspunktet er enig i. Da blir det litt ja til nei og nei til ja.

fra et regjeringsparti. Med andre ord så er det altså ikke hva som blir sagt, som er seriøst, men hvem det kommer fra, som avgjør seriøsiteten. I stedet for å gi Fremskrittspartiet kjeft for at vi vil og ønsker bedre veistrukturløsninger for Bodø og Nordland, burde representanten Strøm heller gi Fremskrittspartiet ros for at det i hvert fall er ett parti som bygger veier for fremtiden i Norge, og som ikke minst gjør det på en trafikksikker måte. I stedet for å glede seg over at det blir bevilget og brukt penger på samferdselssektoren som aldri før, og satt i gang massevis av nye prosjekter, så

etter vår mening, altfor mye tid på bompengediskusjonen. Det er om att og om att og hakk i plata. Til representanten Henriksen vil jeg bare si: Nei, det er ikke vanskelig å forstå Fremskrittspartiets politikk. Den er enkel og populistisk, og den har dramatiske konsekvenser for folk flest. Den setter ikke minst økonomien i fare, og det går ut over folk flest, som får regningen. Det så vi gjennom finanskrisen. Land som ikke hadde orden i økonomien, land som brukte for mye – hvem har fått regningen i form av arbeidsledighet, høy rente osv.? Jeg tror egentlig vi skal være veldig glad for at vi har orden på økonomien, at vi har systemer, og at vi har et rettferdig skatte- og avgiftssystem i dette landet. Det bringer meg over til det som også er et problem med Fremskrittspartiets politikk; at det egentlig er er et problem med Fremskrittspartiets politikk; at det egentlig er Fremskrittspartiet som er bompengepartiet i Norge. For når en ser alt det Fremskrittspartiet vil privatisere og innføre egenandeler på på sikt, blir konsekvensen av den typen politikk mye mer alvorlig enn noen kroner i bom på veiene. Hvis du må betale egenandeler på helse, utdanning osv., som vi ser i utlandet hvor det er så er det virkelig fare på ferde for folk flest, og det er et helt annet samfunn, og det ønsker ikke vi. Da blir bompenger på veier en liten bagatell. Her var snakk om seriøsitet, og lat meg då, berre for å halda orden i bokføringa, minna om at når det gjeld lyntog, er det

seia, slik eg ser det, at det ikkje er særleg seriøst – det er tvert imot useriøst – på dette tidspunkt å setja 450–500 mrd. kr opp mot løyvingar til anna samferdsel. Vi får moglegheit til å gjera desse prioriteringane på Det som no er viktig, er at vi realiserer dei prosjekta som ligg inne i Nasjonal transportplan. Når vi kjem til desember, er det mitt håp at vi kan telja opp nærare 30 nye prosjekt på to år, og då er det viktig at vi gjer eitt for eitt av desse vedtaka. I dag gjeld det altså rv. Så trur eg det er nokon som surrar litt med tala når det er snakk om årsdøgntrafikk. For det som står i proposisjonen, er ikkje tal vi har laga for oss sjølve i Samferdselsdepartementet for å la dette sjå finast mogleg ut. Det er Statens

14:38:11.. Så har eg berre lyst til å minna om til slutt, når det er snakk om kva som skjer kvar månad, at vi no står føre ein ny asfaltsesong. 1 000 nye kilometer med asfalt skal rullast ut. Det blir kvar dag gjennomført vedlikehald og fornying, og det er kvar dag arbeid med prosjekt som allereie er sette i gang. Det er eit stort etterslep, og det er eit svært behov. Mykje er ugjort, men det skjer faktisk historisk mange forbetringar kvar månad. Først til representanten

som faktisk står der. Det står nemlig at det er staten som skal finansiere helsetilbudet i Norge, men det kan også være fornuftig å la private få lov til å slippe til. Noen steder er faktisk private bedre enn det offentlige, og konkurranse er sunt – det har vist seg. Får man konkurranse, går det mye bedre. Til representanten Tone Merete Sønsterud, som var inne på at staten har

Jeg registrerer at i forrige uke – jeg mener det var forrige uke – kom Aftenposten med et svært oppslag som viste at prognosene til Statens vegvesen ikke holder mål. De viser seg gang på gang å være altfor lave i forhold til det faktiske forholdet. Og da synes jeg det er spesielt at statsråden går på denne talerstolen, etter at Vegdirektoratet innrømmer at tallene er for lave, og sier at hun forholder seg til de tallene som Statens vegvesen kommer Da tror jeg ikke statsråden har fått med seg hva som har skjedd, og da håper jeg at statsråden faktisk går opp på denne talerstolen og sier om hun mener at Statens vegvesen sine prognoser, som er langt lavere enn de faktiske tallene, er det man skal forholde seg til. For det er det hun sier i denne saken. Jeg synes ikke det er godt nok når vi vet at all historikk med all tydelighet viser at trafikkveksten er mye høyere. Da burde man jo bygge en skikkelig firefelts vei, ikke, som statsråden mange ganger har sagt fra denne talerstolen, også i spørretimen, bygge så galt som på 1960-tallet. Vi Vi må ikke fortsette å bygge galt i 2011. Det er det handler om, og det er det som er forslaget til Fremskrittspartiet. Det er altså ikke et lokalt ønske om bompenger. Det er lokal utpressing, hvor folk blir presset til å stemme for dette fordi staten og det politiske flertallet ikke tar ansvaret sitt og sørger for å fullfinansiere infrastrukturbygging, som gir masse verdiskaping og samfunnsøkonomiske gevinster tilbake som man nesten bare kan drømme om – hvis man hadde bygd ut det man burde gjøre på infrastruktursiden. Knut Boge, en av forskerne som har forsket på dette, sier jo klart og tydelig at det å bygge god infrastruktur gir store samfunnsøkonomiske gevinster tilbake. Det er jo det man burde ta høyde for. Heller ikke uttrykket «lokal utpressing» når det relateres til lokalpolitikere, hører vel strengt tatt til det korrekte parlamentariske språket. Neste taler er representanten Jan-Henrik Fredriksen, som har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Aller først til statsråden: Uten å forutsette for mye politikk, så er jeg rimelig sikker på én ting, at hun så det politiske i det jeg sa på en helt utmerket måte. Men det var representanten Freddy de Ruiter jeg ønsket å svare. Han begynte å blande inn finanskrisen og skattepolitikken i forhold til veiutbygging i Bodø. Det er nå engang slik at Fremskrittspartiet ikke kan gi penger til noen i det hele tatt. Vi Vi går ikke rundt og bærer på poser med penger som vi kan gi til folk. Derimot er det slik at vi står for en politikk hvor vi tar noe mindre fra den vanlige forbrukeren. Det er

for 20 og 10 år sidan. Men vi kan ikkje på eigen kjøl plussa på dei prognosane som dei legg på ein veg i dag. Vi må ta det for gjeve at dei er nøye med prognosane sine. I dag er prognosar prognosar, slik vil det vera. Så er det etterpå vi ser korleis trafikkveksten vart. Eg kom i skade for å seia feil tal. Det må eg få retta opp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

Der partiene skiller seg, er på hvilken måte dette engasjementet kommer til uttrykk. Det er en bred enighet om at jernbanen må styrkes. Den er en effektiv, rasjonell og lite miljøbelastende transportform. Jernbanens styrke er at den kan frakte relativt mange mennesker på en gang og bidra til å dempe belastningen på veinettet. Jernbanen er av spesielt stor betydning i de områdene der det bor mange mennesker, og målet er å bygge ut jernbanen i enda større grad rundt de store byene generelt og i østlandsområdet spesielt. Forslagsstillerne fra Høyre, sammen med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, mener konkurranseutsetting av passasjertransporten på Kongsvingerbanen er rett vei å gå. Regjeringspartiene er ikke enig i denne konklusjonen. I og med at det er uenighet i denne saken, vil jeg i det følgende redegjøre for regjeringspartienes syn. syn. Jeg går ut fra at forslagsstillerne selv vil utdype sitt syn, og at de setter pris på at de selv gjør det og ikke undertegnede. Arbeiderpartiet og regjeringens hovedmål for jernbanen er å få orden på en forsømt infrastruktur. Det viktigste vi gjør for å gi de reisende et bedre togtilbud, er å sørge for at togene kommer fram raskt, effektivt og uten Derfor har vi tredoblet investeringene i jernbane siden vi overtok, og derfor er vi i gang med et storstilt vedlikeholds- og fornyelsesarbeid på jernbanen. Dette er et stort og tidkrevende arbeid, men resultatene av det begynner vi allerede å se. Punktligheten og regulariteten på jernbanen er allerede bedre sammenlignet med i fjor. Vi ser at den innsatsen som gjøres, nytter.

Jernbanen er et integrert system, der utvikling av togtilbudet må ses i sammenheng med utvikling av infrastrukturen. Det er langsiktig og systematisk arbeid som gir resultater, ikke enkeltelementer som endring av togleverandør. Det gjøres sammenligninger med konkurranseutsettingen av Gjøvikbanen. Disse strekningene er ikke direkte sammenlignbare. For det første er Gjøvikbanen en endesporbane, som i mindre grad enn Kongsvingerbanen lar seg påvirke av øvrig togtrafikk. Dessuten er det allerede i dag konkurranse mellom tog og ekspressbuss på strekningen Kongsvinger–Oslo. Det er det ikke på Gjøvikbanen. Gjøvikbanen framstilles som en suksess. Det er verdt å merke seg at den økte frekvensen på Gjøvikbanen ikke skyldes konkurranseutsettingen i seg men at staten stilte krav om flere avganger da strekningen ble lagt ut på anbud, på samme måte som de stilte krav om nedlegging av stasjoner for å få ned reisetiden. Det er også verdt å nevne at den rød-grønne regjeringen reetablerte – dette er en bisetning, egentlig – et daglig togtilbud mellom Oslo og Stockholm på Kongsvingerbanen i 2006, etter at Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre la ned dette tilbudet etter 133 års sammenhengende drift i 2005. Det er avgjørende viktig at vi i årene som kommer, fortsetter storsatstingen på jernbane. For å bedre tilbudet for de reisende og for gods er bygging og fornyelse av infrastrukturen det viktigste vi gjør. Regjeringspartiene er uenig i at konkurranseutsetting som ideologisk prosjekt er rett bruk av ressurser i den oppgaven vi står Derfor foreslår vi at forslaget ikke vedtas. Jeg har med dette tatt opp mindretallsforslaget i saken, som jeg har mistanke om får flertall her i salen. Representanten Gorm Kjernli har tatt opp det forslaget han refererte til. Ikke veldig uventet etter å ha hørt saksordføreren legge fram saken, har

andre godsoperatører, flere togselskaper, at det er snakk om både fullstappede lokaltog og grenseoverskridende tog – og til og med landoverskridende tog – som gjør at det er problematisk å få til dette. Dette er ikke forhold som på noen som helst måte vil gjøre det umulig eller vanskelig å kunne konkurranseutsette Kongsvingerbanen, med mindre man virkelig vil skape det som et problem. Dette har man løst på gode måter andre steder. steder. Jeg mener det er et ærlig standpunkt å være imot konkurranseutsetting, men da synes jeg man ikke bør forsøke å finne dårlige unnskyldninger for hvorfor man er imot – unnskyldninger som ikke er problematiske i det hele tatt, men veldig enkle å løse hvis man bare vil. For meg er det muligheten til å kunne gi brukerne eller kundene et best mulig tilbud som er grunnen til at jeg mener at man skal konkurranseutsette jernbanestrekninger i Norge. Så langt har den strekningen som er konkurranseutsatt, til fulle vist seg å være en stor suksess, fordi man fikk 40 pst. flere avganger og flere passasjerer for den samme prisen som man hadde før, og det til tross for at det er de samme eierne som driver, både før og etter, men med en litt annen måte å organisere selskapsstrukturen på. Det viser jo med all tydelighet at konkurranse på jernbanenettet har fungert svært godt. Så vidt jeg klarer å bringe på det rene, har også kundetilfredsheten faktisk gått opp etter at banen ble konkurranseutsatt, til tross for at det er gjort forholdsvis lite med infrastrukturen. Det viser bare at konkurranse gir kundene et bedre tilbud enn det de får per i dag. Derfor har Fremskrittspartiet foreslått å åpne for at man kan konkurranseutsette alle jernbanestrekninger i Norge, nettopp med det mål for øye å sikre kundene et så godt tilbud som overhodet mulig. Men jeg vil også påpeke at infrastrukturen på jernbanen i dag er en begrensende faktor for å kunne konkurranseutsette ordentlig. Men når man til tross for dette har sett at konkurranseutsetting har vært til glede for både ansatte og kunder og vært til kunders tilfredshet, viser det at når infrastrukturen blir bygd ut, vil det ligge et enda større potensial for å gi alle togpassasjerene et ytterligere forbedret tilbud også ved konkurranseutsetting. Men til forskjell fra de andre partiene har Fremskrittspartiet foreslått en økning, på 6,8 mrd. kr i de årlige bevilgningene utover regjeringens forslag. Det ville medført en kraftig forsering av jernbaneutbyggingen. Dette betyr at dobbeltsporet på intercitytriangelet Halden–Lillehammer–Skien, utbygging av Bergensbanen, sammenkobling av Sørlandsbanen og utbygging av Oslo–Ski kunne fremskyndes kraftig i forhold til de planene som ligger der per i dag. Fremskrittspartiet mener man må få bygd ut og modernisert jernbanenettet langt raskere enn det dagens rammer legger opp til, samtidig som jernbanenettet konkurranseutsettes. Da vil man oppleve et jernbanenett som er moderne og effektivt, som har mindre behov for tilskudd fra staten, og som ikke minst vil gi både ansatte i jernbanen og kundene et langt bedre tilbud enn det man har i dag.

En konkurranseutsetting av passasjertransporten på Kongsvingerbanen er til det beste for de reisende. Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt av regjeringen Bondevik II, og konkurransen ble vunnet av NSB selv. Passasjerene på Gjøvikbanen har fått et betydelig forbedret togtilbud, og banen er blant de mest punktlige i landet. Hovedkonklusjonen i en evaluering som Transportøkonomisk institutt har utført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, er: «Konkurranseutsettingen av Gjøvikbanen har bidratt til lavere kostnader for det offentlige og bedre tilbud for passasjerene, uten at dette har gått på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsbetingelser.» Rapporten konkluderer med at mange av målene med konkurranseutsettingen er nådd. Dette gjelder både reduserte kostnader, et bedre togtilbud og et høyere passasjertall. passasjertall. Dette er også i tråd med en rekke europeiske erfaringer. Potensialet for offentlig styring er også styrket. Samferdselsdepartementet har fått økt kunnskap og kompetanse om jernbane som følge av prosessen, og dermed også bedre forutsetninger for å stille krav til utforming av persontransport med tog – fortsatt ifølge den samme rapporten. En samlet komité er opptatt av å bedre togtilbudet for de reisende. Komiteens mindretall trekker frem at en bedre infrastruktur er det viktigste virkemidlet for et bedre togtilbud. Det kan vi alle være enige om, men det utelukker ikke andre parallelle gode tiltak. Så er det heller ingen hemmelighet at nettopp utskiftingen av infrastrukturen ikke går med rakettfart. At komiteens mindretall er glade for at jernbanen har fått økt oppmerksomhet, er heller ikke noe de reisende i stor grad merker noe til. Så har Høyre problemer med å forstå motargumenter som at mindretallet stiller seg tvilende – jeg understreker ordet tvilende – til om konkurranseutsetting er rett medisin, eller påstanden om at det er vanskelig for en ny aktør å stille med togsett og vedlikehold tilpasset norske forhold. Det må det jo være helt og holdent opp til eventuelle tilbydere Det samme mindretallet trekker også frem at Kongsvingerbanen har et begrenset omfang til å tiltrekke seg interessenter. Dette er også en påstand som ikke har belegg før vi har invitert aktører til å levere inn et tilbud. Transportøkonomisk institutt sier i sin rapport at konkurranseutsettingen på Gjøvikbanen ga det offentlige styrket styring. Dette avfeier mindretallet med at de samme styringssignalene kan stilles uten konkurranseutsetting. Hvorfor har da ikke regjeringen benyttet dette virkemiddelet, som både av TØI og fra komiteens mindretall blir trukket frem som et positivt

Regjeringen har utsatt gjennomføringen av en ny grunnrutemodell for jernbanen på Østlandet på ubestemt tid. Alle partier er enige om at det er et stort etterslep på bygging og vedlikehold av jernbanens infrastruktur, og vi er alle enige om at vi ønsker å tilby de reisende et bedre tilbud. Vi er også enige om at erfaringene fra Gjøvikbanen er gode. Hvorfor skal vi da være uenige om å forsøke det samme en gang til – denne gangen på Kongsvingerbanen? Hvilken risiko er det vi løper ved å gå for innstillingen fra flertallet i komiteen? Slik Høyre ser det, er faktisk den eneste risikoen at tilbudet til de reisende blir bedre. For Høyre er det helt tydelig at flere jernbanestrekninger bør konkurranseutsettes for å oppnå bedre effektivitet, bedre regularitet og ikke minst et bedre tilbud for de reisende. Derfor ønsker vi nå å gå for konkurranseutsetting av Kongsvingerbanen som et neste skritt. neste skritt. Dette er ei sak som viser dei ideologiske forskjellane mellom regjeringspartia og opposisjonen. Men av og til synest eg det er litt overraskande, for me har jo òg andre sektorar, flysektoren bl.a., og der opplever eg at regjeringspartia er bekymra for at me har for liten konkurranse. Eg veit ikkje kva statsråden vil seie i innlegget sitt, men når det gjeld trafikken i Nord-Noreg, trur eg det er ein samla komité som er bekymra for at me har for liten konkurranse. Det er òg den bekymringa eg har for jernbanen. eg har for jernbanen. Eg trur at det å ha gode incentiv for store organisasjonar er utruleg viktig når ein skal få til ei kontinuerleg forbetring. Så vil eg ikkje seie at det nødvendigvis alltid er veldig enkelt å konkurranseutsetje innanfor jernbanen – det må me innrømme. Det går berre éi skjene, og me må handle i forhold til det. innstillinga at me meiner det må gjerast ei konkret vurdering før me skal konkurranseutsetje desse strekningane, og at sikkerheit må vere prioritet nr. éin. Me har jo òg konkurranseutsetjing på ferjene våre. Men det er ikkje mange selskap som opererer på kvar ferjestrekning. I dette tilfellet er som opererer på kvar ferjestrekning. I dette tilfellet er det berre éi skjene som går over fjorden – for å bruke eit biletleg språk. Eg synest erfaringane med Gjøvikbanen er så positive at dette er noko me bør gå vidare med. Det er all grunn til å tru at me vil spare pengar på dette. Det er pengar som me kan bruke inn igjen i jernbanen. For det mest alvorlege med jernbanen er det jernbanedirektøren sa for nøyaktig eitt år sidan, nemleg at me «kan stå foran et sammenbrudd» innanfor jernbanen dersom me ikkje gjer betydelege endringar. Konkurranseutsetjing er eitt av fleire verkemiddel som eg er villig til å bruke, for eg trur det vil føre til ei fornying. Derfor er eg glad glad for forslaget frå Høgre i dag, som Kristeleg Folkeparti støttar. I min forrige periode på Stortinget tok jeg som nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen tok jeg som nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen stadig opp temaet om konkurranseutsetting av Kongsvingerbanen med daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete, uten den store suksessen, må jeg vel innrømme. Samferdselsminister Torild Skogsholm i Bondevik II-regjeringen konkurranseutsatte Gjøvikbanen, og suksessen med Gjøvikbanen førte til at Kongsvingerbanen også ville blitt konkurranseutsatt, om Bondevik-regjeringen hadde fått fortsette. I motsetning til det jeg opplever her i salen

for NSB og de selskapene de konkurrerer med, og for samfunnet som helhet. NSB Gjøvikbanen AS er et 100 pst. eid datterselskap av NSB AS, og NSB viste seg som en organisasjon som hadde evnen til å snu seg raskt og oppfylle de strenge kravene som lå i anbudsutlysningen. Det skal NSB ha stor ros for. Venstre har brukeren i fokus og lar ikke hvilke navn man setter på organisasjonsmodellen, avgjøre om løsningene er gode eller dårlige. Det er ingen tvil om at konkurranse på Gjøvikbanen har gitt brukerne et bedre tilbud enn de hadde før. Derfor ønsker vi også å konkurranseutsette Kongsvingerbanen, og vi støtter selvsagt komiteens innstilling.

Konsekvensane ser vi no. Vi har eit gamalt og slite jernbanenett med stort sett enkeltspor. Når infrastrukturen sviktar, eller eldre tog får problem, forplantar forseinkingane seg raskt, både fordi det er få omkøyringsvegar i jernbanen og fordi jernbanesystemet ikkje er robust nok. Stoppstrukturen er mange stader slik han var før vegutbygginga, og reisetidene er for lange. Dette gjeld òg Kongsvingerbanen. Vi har for store forseinkingar og Vi har for store forseinkingar og for lange reisetider. Det viktigaste tiltaket for å betra togtilbodet til dei togreisande er å forbetra jernbaneinfrastrukturen. Det er ei avsporing å tru at dei store utfordringane i jernbanesektoren blir løyste gjennom å For å auka kapasiteten i og kvaliteten på jernbanenettet er det naudsynt å driva langsiktig og systematisk satsing på vedlikehald av dagens anlegg og å gjera nyinvesteringar. Jernbanen er ei effektiv, miljøvennleg og arealeffektiv transportform. Men det krev vilje til satsing. Denne regjeringa satsar på jernbanen. Vi har starta ein stor snuoperasjon. Vi har auka løyvingane til Jernbaneverket med nær 70 pst. frå 2005 til 2011. Kongsvingerbanen blir i dag trafikkert både av kommersielle godsoperatørar og fleire persontogselskap etter avtale med Samferdselsdepartementet. Konkurranseutsetjing gjeld, slik eg skjønar det, den trafikkavtalen Samferdselsdepartementet i dag har med NSB om drift av lokaltogtrafikken på Kongsvingerbanen – altså det forslaget som ligg føre i dag, forstår eg gjeld det. Infrastrukturen på Kongsvingerbanen gjev fleire utfordringar for togtilbodet. Mange plattformer er for låge og for korte. Stoppmønsteret på Kongsvingerbanen er utforma i ei tid med betjening av mange små stasjonar som ligg forholdsvis tett og har lite marknadsgrunnlag. Det utkonkurrerer toget på reisetid. For Kongsvingerbanen sin del vil endringar i stoppstrukturen kunna vera det som på kort sikt vil kunna gjera togtilbodet på strekninga noko betre. I tillegg vil dei store satsingane på vedlikehald, f.eks. Osloprosjektet, òg bidra til ein betre driftsstabilitet for togtilbodet på strekninga. Jernbanelova opnar for at fleire togselskap kan konkurrera om trafikkavtalar.

både å gjennomføra og delta i konkurransar om trafikkavtaler om togtilbod. Togtilbodet på Kongsvingerbanen er for lite til å utgjera ein eigen trafikkavtale. Eg kan ikkje sjå at ein konkurranse om togdrifta på Kongsvingerbanen vil gje dei rammevilkåra som er nødvendige for verksam konkurranse. Konkurranse om trafikkavtalar gjev etter mi meining ikkje automatisk eit betre togtilbod til dei reisande. Jernbanen er eit integrert system der utvikling av togtilbodet må sjåast i samanheng med utvikling av infrastrukturen. Det er òg viktig med godt samspel med andre transportformer for å utvikla heilskaplege kollektivløysingar, f.eks. korresponderande bussar i knutepunkt. Det er langsiktig og systematisk arbeid som vil gje resultat – ikkje enkeltelement som f.eks. ei endring av togleverandørar på bakgrunn av konkurranse. Så vil eg gjerne understreka at eg synest det er bra at vi har debattar i denne salen om kva som kan gje det beste tilbodet for dei som reiser på ei strekning. Vi har hatt fleire av dei i det året som er gått. Eg vil nok likevel hevda at vi må koma noko lenger når det gjeld sjølve infrastrukturen, sjølve skjenegangen, før det er konkurranseutsetjing som er

Men jeg har lyst til å spørre statsråden om hun kan være konkret og tydelig på: Hva mener statsråden er ulempen for passasjerene ved å konkurranseutsette jernbanenettet? Kan hun være konkret på: Hva er det som er ulempen ved å konkurranseutsette? Det kan være greit å vite hva statsråden mener er ulempen. Eg synest det er viktigare å begynna i ein annan ende og snakke om kva det er som må liggja til grunn dersom vi skal ha ein verksam konkurranse. Det som då må

at det som var verdt å leggja merke til med Gjøvikbanen, var jo nettopp at det var NSB som vann konkurransen, og som driv den strekninga. Det som var veldig spesielt, var at i den skrekkens vinter 2010, som vi har lagt bak oss, var det omfattande innstillingar og forseinkingar nettopp på Gjøvikbanen.

Det har kommet mange andre argumenter, men ingen argumenter for hvorfor de er imot konkurranseutsetting konkret. Et av de momentene som har vært trukket frem, også av statsråden, er at man antar at strekningen er for liten, og at det ikke vil være interessenter til stede når det gjelder den aktuelle strekningen på Kongsvingerbanen. Jeg har da lyst til å spørre statsråden igjen, som en oppfølging: Hvordan kan statsråden vektlegge disse aspektene uten at de eventuelle leverandørene er spurt når det gjelder denne strekningen? Jeg mener at de er jo de rette til å mene noe om dette, ikke statsråden selv. Eg sa i innlegget mitt at eg meiner det er veldig ressurskrevjande å leggja til rette for konkurranse på ei strekning, og særleg på ei så avgrensa strekning som Kongsvingerbanen, samtidig som eg òg meiner det er ressurskrevjande å delta i samtidig som eg òg meiner det er ressurskrevjande å delta i konkurranse på denne strekninga. Det som er vanskeleg med Kongsvingerbanen, er altså ikkje at drifta ikkje er konkurranseutsett. Det som er krevjande for dei som reiser med Kongsvingerbanen, er reisetida, det er

og betre tilbod. Det er ein TØI-rapport som er send statsråden. Det kunne jo vore interessant om statsråden tek avstand frå den rapporten, eller går god for det innhaldet TØI har levert regjeringa. Mitt spørsmål er, for eg synest det blei veldig lite klart og tydeleg: Kva er problemet for dei reisande med konkurranseutsetjing? Det er det spørsmålet som eg trur Stortinget forventar at statsråden svarer på. Kva er for dei reisande problemet

å laga eit konkurransegrunnlag som varetek alle forhold, for Gjøvikbanen er blant dei strekningane som nettopp skilde seg ut med desidert mange innstilte tog i forhold til mange andre strekningar. Dei hadde svære problem i løpet av vinteren. Så til problema for passasjerane. Problem nr. 1 for passasjerane er om toget er i rute eller ikkje. Problem 2 er om reisetida er lengre eller kortare. Då grip eg fatt i dei to – skjenegang, reisetid og talet på stasjonar. Eg deler ikkje opposisjonen si overdrivne tru på konkurranse. Dei konkurranseutsette tenestene på jernbanen så langt

slo av og til frampå at de kunne vel bygge seg kjørevei. Men hva skulle denne bygda med kjørevei? Folk hadde jo ikke hjulredskap. Og hva skulle de forresten med hjulredskap? De hadde jo ikke vei.» Jeg bor i Sigurd Hoels hjembygd Nord-Odal, bygda han bl.a. omtalte slik i romanen Trollringen. Nå snakker vi ikke om vei i denne saken, selv om det kunne være fristende ettersom vi er mange som har ventet svært lenge på Og vi har flere samferdselsutfordringer. I mellomtiden må vi arbeide langs flere spor. Innbyggere som sogner til Kongsvingerbanen, har heller ikke et tilfredsstillende togtilbud i dag. Kapasitetsutnyttelsen er langt fra nådd, og vi kan ikke med vår beste vilje forstå hvorfor innbyggerne i dette området ikke også skal nyte godt av et tilfredsstillende kommunikasjonstilbud. Høyre har gjennom mange år arbeidet for å åpne for konkurranse på flere jernbanestrekninger. Jernbaneloven er jo også tilrettelagt for at flere togselskap skal kunne konkurrere om trafikkavtaler. I mitt nabofylke, som det har vært referert til opptil flere ganger her, er Gjøvikbanen et utmerket eksempel på en vellykket konkurranseutsetting. I Transportøkonomisk institutts 20 år gamle rapport blir ulike alternativer utredet. Den gang var vi blant landene i Europa som hadde kommet lengst med de organisatoriske forberedelsene som ville sette oss i stand til en konkurranse på sporet. Man kan i alle fall ikke beskylde oss for hastverk. Utredningen ble lagt til grunn for det videre arbeidet med Nasjonal transportplan 2002–2011. Nå skriver vi altså 2011, 2002–2011. Nå skriver vi altså 2011, og som en av de ganske mange utålmodige, både i Nord- og i Sør-Odal og i hele Glåmdalsregionen, spør vi: Hva er det som mangler for at vi skal kunne gå videre? Vi ber regjeringen om å konkurranseutsette Kongsvingerbanen, og vi tror ikke det er nødvendig å argumentere verken med snemangel eller mye sne. Her er det viktigste at vi – som ministeren var inne på også i den forrige saken – som faktisk bor i nærheten av den ene av de tre store byene i vårt område, fortjener et bedre kommunikasjonstilbud.

foreløpig på over 80 pst. Situasjonen er blitt bedre. Fagfolkene sier dette skyldes mer penger til vedlikehold og fornyelse. Vi får nå gjort noe med de utfordringene som er. Det mener jeg at vi som rød-grønne politikere kan være med på å ta en del av æren for. Så til mitt poeng når det gjelder bedre tilbud på Gjøvikbanen. Det er klart at selvfølgelig blir ordførere langs Gjøvikbanen fornøyd når de får flere avganger. avganger. Det sier seg jo selv. Men mitt poeng er at det ikke nødvendigvis kom på grunn av konkurransen i seg selv, men fordi daværende samferdselsminister Torild Skogsholm stilte krav om at det skulle være så og så mange avganger og at man skulle ha en reisetid – som man ikke klarte å oppfylle etter at disse samme ordførerne kranglet inn et par stasjoner til som ikke skulle legges ned. Poenget mitt er at man stilte krav om flere avganger. Det var ikke nødvendigvis konkurransen i seg selv som ga flere avganger. Det er en kreativ måte å si det på. Det arbeidet vi nå er i gang med når det gjelder ny grunnrutemodell, er jo en annen måte å gjøre det på – flere avganger og bedre tilbud, også på Kongsvingerbanen. Men også her er det nær sammenheng mellom Derfor må vi ha infrastrukturen på plass før togtilbudet blir kraftig forbedret. På Kongsvingerbanen dreier det seg f.eks. om muligheten for å vende tog. Det dreier seg også om krysningsspor. Jeg har ikke tid til å gå inn på detaljene om det. Så til TØI-rapporten. Noen problemstillinger mener jeg det er mulig å ta opp om TØI-rapporten, uten at jeg skal si at jeg er helt uenig i alt som står der. Når det gjelder kostnader, er vi bare halvveis i anbudsperioden. Jeg vil vente med å gjøre opp regnskap er vi bare halvveis i anbudsperioden. Jeg vil vente med å gjøre opp regnskap til vi er ferdige med den. Man hadde helt nye togsett på Gjøvikbanen da man startet der. Vedlikeholdskostnadene på disse, når de eventuelt begynner å måtte vedlikeholdes, er ikke begynt å synes i regnskapene ennå. Så jeg tror det er grunn til å vente med å gjøre opp regnskap til man er ferdig, og at man ikke gjør opp regnskapet når man er halvveis. Så kan man også spørre de ansatte på Gjøvikbanen hva de tenker om akkurat det, og hvilke kostnader som vil komme til vedlikehold av togmateriell når de kostnadene kommer. Da tror jeg kanskje regnskapet blir et litt annet enn det TØI-rapporten viser nå.

utlysningsteksten var krav om økt rutetilbud. Men det var én ting til som skjedde med Gjøvikbanen, som ingen har nevnt. Før det kuttet NSB rutetilbudet på Gjøvikbanen. Så først kuttet NSB rutetilbudet, og så ble det i utlysningen for anbudet på Gjøvikbanen satt krav om økt rutetilbud. Sjølsagt blir det av en slik politikk bedre rutetilbud. Og bra er det. Det har befolkningen langs Gjøvikbanen behov for. Men det er jo totalt ubrukelig som argument for å konkurranseutsette en helt annen banestrekning. Dessuten: Hadde eksemplet Gjøvikbanen i dag vært et så veldig godt eksempel hvis det hadde vært en annen operatør enn NSB som hadde gått av med seieren i Så må jeg si at jeg er noe usikker på hvor oppriktig engasjementet for Kongsvingerbanen egentlig er blant forslagsstillerne og en del andre som har hatt ordet her i dag. Borghild Tenden nevnte Torild Skogsholm. Ja, det var fint. Det var Torild Skogsholm som la ned togtilbudet mellom Oslo og Stockholm. Det var kanskje ingen imponerende innsats som ble lagt ned fra det holdet. Heldigvis fikk vi regjeringsskifte i 2005. 2005. Tar jeg ikke feil, ble togtilbudet mellom Oslo og Stockholm åpnet – jeg fikk sjøl gleden av å være til stede – vinteren 2006, med den daværende norske samferdselsministeren og den svenske transportministeren – en stor merkedag langs Kongsvingerbanen, etter at Bondevik-regjeringen altså først hadde lagt ned togtilbudet. Kongsvingerbanen trenger opprusting. Det Gad vite hvor mange ganger jeg har sittet på toget på Fetsund, Sørumsand og Blaker og hvor det måtte være i påvente av kryssende tog, som det heter. Heldigvis har det nå skjedd en del med infrastrukturtiltak når det gjelder nye krysningsspor. Men det trengs enda mer. Heldigvis er nå også ordførerne langs Kongsvingerbanen engasjert i mye større grad enn det vi har sett tidligere. De har opprettet – jeg er litt usikker på navnet – et slags forum for Kongsvingerbanen, slik at den politiske oppmerksomheten om Kongsvingerbanen nå er mye sterkere enn den har vært tidligere. Det er bra med et sterkt engasjement for Kongsvingerbanen, men bland ikke Gjøvikbanen inn i det. Det har ingenting med saken å gjøre.

Det ble etterlyst flere argumenter. TØI-rapporten som jeg henviste til i stad, inneholder en rekke argumenter, bl.a. fra 15 europeiske land, ikke bare om Gjøvikbanen, som er blitt trukket fram av enkelte i debatten her i dag. Jeg har ikke tenkt å la den ideologiske motstanden mot ordet «konkurranseutsetting» ligge helt. Selv om statsråden ikke ville svare på hvilke negative konsekvenser hun så for de reisende ved en eventuell konkurranseutsetting, får vi bare fortsette å stille de får svar på dem. Ellers så har argumentene vært at det er vanskelig, og at det er byråkratisk med konkurranseutsetting, og det er visst ekstra vanskelig på Kongsvingerbanen, har vi skjønt i løpet av debatten. Hva er det da som er så vanskelig?

utredet alternative strategier for å legge til rette for ytterligere konkurranse på det norske jernbanenettet. I den utredningen, i 1999, ble det konkludert med at Norge var blant de landene i Europa som hadde kommet lengst i å gjøre de organisatoriske forberedelsene til en konkurranse på sporet. Og ser vi i Nasjonal transportplan 2002–2011, så la man nettopp denne utredningen til grunn for det videre arbeidet og arbeidet i forhold til at konkurransen på jernbanenettet skulle innføres gradvis. Nå er vi altså ti år senere, og jeg må gjenta spørsmålet: Hva er det som er så vanskelig i 2011? Hva er det vi ikke klarer å få til i 2011 som TØI mente var fullt mulig å jobbe konkret med i 1999? Jeg har merket meg representanten Gorm Kjernlis store engasjement for jernbane, og det er bra, for da er vi flere. Det han snakket om, var å stille krav og at det var suksessfaktoren med Ja, men det er jo faktisk et argument for at man også kunne anbudsutsette Kongsvingerbanen og stille de samme kravene, så ville man få de samme gode oppetidene som man fikk på Gjøvikbanen. Så til det med pengebruk, som alltid blir en debatt: Det er slik at alle partiene på Stortinget nå bruker mer penger på samferdsel, og det er ofte slik at nye regjeringer bruker mer penger – så heldige er vi i dette landet. Venstre bruker også mye mer penger; vi bruker faktisk 1,2 mrd. kr mer på jernbane og kollektivtrafikk enn de rød-grønne innenfor samme området. Vi får en ny debatt om jernbane den Da kan de rød-grønne få sjansen til å vise at de faktisk mener alvor med å satse på jernbane, og spesielt innenfor et område der befolkningsveksten er enorm. I forrige periode hadde komiteen god dialog med Gjøvikbanen. Det som imponerte meg aller mest med Gjøvikbanen, var den stoltheten som de ansatte, og daværende administrerende direktør, viste over «banen sin», som han nærmest kalte det. Det var et prestisjeprosjekt, de reisende merket stoltheten som ble vist. Det er det jeg tror er viktig – ja, jeg er helt sikker på at slik kunne vi også fått det på Kongsvingerbanen hvis ikke de rød-grønne hadde trenert det. Lat meg berre seia aller fyrst når det gjeld Gjøvikbanen: Eg har sjølv reist med Gjøvikbanen. Eg synest det er

miljøtiltak om bord osv. Men når det gjeld konkurranseutsetjing av Gjøvikbanen, er det verdt å merka seg at dette er ein relativt kort bane. Sjølve konkurransegrunnlaget, eller dei krava som vart stilte, vart sette i lag med lokale myndigheiter. Det var mange selskap som i utgangspunktet hadde prekvalifisert seg, men som trekte seg og ikkje la inn anbod, nettopp fordi dette var ei kort strekning. Stortinget må òg vera merksam på at Gjøvikbanen har svære utfordringar med infrastrukturen framover. Det som er særmerkt med Gjøvikbanen, og som

for dei som reiser med Kongsvingerbanen, må vera: Kva er no dei viktigaste grepa for å få fleire til å reisa? Då er det ingen tvil, synest eg: Det er punktligheita og det å få ned reisetida. Det må gjerast nokre grep i den samanhengen, bl.a. har vi jo eit prosjekt gåande som gjeld stasjonsstrukturen for fleire banar, òg for Kongsvingerbanen. Vi skal altså no inngå ein ny trafikkavtale. Det er ikkje konkurranseutsetjing som

Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid
vedtatt. Vi skal nå behandle to representantforslag som begge handler om trafikksikkerhet og planer for den. Det er et representantforslag fra Fremskrittspartiet om konkrete tiltak for å bedre sikkerheten på veinettet, og et representantforslag fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om kamp mot trafikkdøden. I representantforslaget fra Fremskrittspartiet fremmes det forslag om at regjeringen før sommeren 2011 skal legge fram en sak med tiltak for å bedre sikkerheten på veinettet, og i representantforslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fremmes det forslag om at regjeringen skal fremme en handlingsplan om trafikksikkerhet på vei. Komiteen har valgt å behandle disse to representantforslagene i samme innstilling, fordi de i stor grad handler om det samme. 1,3 millioner mennesker drepes hvert år i trafikken på verdensbasis, og internasjonalt er det et stort folkehelseproblem. I dag er trafikkulykker nummer ni på listen over dødsårsaker i verden, og i løpet av få år vil de klatre opp til femteplass. I mai i år lanserer FN sitt tiår for trafikksikkerhet. Da er vi heldigere stilt her i Norge, som faktisk er ett av de mest trafikksikre landene i verden. I fjor ble 210 mennesker drept i trafikken i Norge, og det er det laveste tallet siden 1954. Trafikksikkerhet er et tema som opptar hele transportkomiteen, men i behandlingen av disse representantforslagene har vi havnet på ulik konklusjon. Derfor fremmes en todelt tilråding fra komiteen, der I fremmes av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet og omhandler representantforslaget fra Fremskrittspartiet, og det foreslås at dette ikke vedtas. II fremmes av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti og lyder: «Stortinget ber regjeringen om å fremme en handlingsplan om trafikksikkerhet på vei.» Jeg regner med at representanter fra flertallet i komiteen vil begrunne sine synspunkter senere i debatten, og at de kommer til å gjøre det på en mye bedre måte enn jeg ville gjort. Derfor vil jeg på vegne av mindretallet i komiteen, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, kort begrunne vårt standpunkt. I 2010 ble altså 210 personer drept i trafikken i Norge. Selv om dette er det laveste tallet siden 1954, er det selvfølgelig altfor høyt, og antall drepte og skadde i trafikken representerer et betydelig samfunnsproblem også i Norge. Stortinget behandlet Nasjonal transportplan, St.meld. nr. 16 for 2008–2009, og ga derigjennom tilslutning til konkrete etappemål om å redusere antall drepte og hardt skadde i veitrafikken med minst en tredjedel innen 2020. NTP skisserte også en strategi for hvordan etappemålet skal nås. Regjeringen følger opp disse målene og konkretiserer strategiene gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010–2013, og i Statens vegvesens Handlingsprogram for 2010–2013 inngår det detaljerte lister over hvor og når det skal gjennomføres trafikksikkerhetsinvesteringer. Nasjonal transportplan 2010–2019 inneholder også en plan for finansiering av trafikksikkerhetstiltak, og dette behandles også i de årlige budsjettene. Trafikksikkerhetsinvesteringene på vei ble doblet i 2009, og i forhold til forrige nasjonale transportplan er det lagt opp til å øke den årlige innsatsen ytterligere med 50 pst. innen 2020. Slik vi ser det, er det Stortingets oppgave å sette mål, bevilge penger og avklare politisk utfordrende spørsmål og strategier for hvordan trafikksikkerhetsarbeidet skal drives. På handlingsplannivå må det være faglige vurderinger som bestemmer hvilke tiltak som skal iverksettes, hvordan det skal prioriteres for å nå målene som Stortinget har satt innenfor de rammene som Stortinget har bestemt. På trafikksikkerhetsområdet finnes det mye forskning og kunnskap om hva som virker, og dette må selvfølgelig hensyntas av fagmyndighetene. Den 10. mars diskuterte vi trafikksikkerhetsutfordringer i en interpellasjonsdebatt. Jeg reiste en interpellasjon for å få opp en diskusjon om de politisk utfordrende områdene og tiltakene som vi bør diskutere og avklare politisk for ytterligere å redusere antall hardt skadde og drepte i trafikken, i lys av nullvisjonen. I ettertid registrerer jeg at disse utfordringene i liten grad ble diskutert av opposisjonspartiene. I dag kan vi glede oss over nyheten om at ingen unger omkom som passasjer i bil i fjor, noe som trolig er første gang siden 1970. Dette er et resultat av at vi har tatt hensyn til forskning og vedtatt lover og forskrifter i henhold til hva forskning sier. Først vedtok man i Stortinget et krav om bruk av bilbelte, dette var i utgangspunktet ikke et spesielt populært krav, og så krav om sikring av barn i bil. I dag er alle enige om at dette selvfølgelig var helt rett å gjøre. Det er slike diskusjoner og avklaringer som hører hjemme i Stortinget. Tiltakene for å følge opp dette tilligger regjering og fagmyndigheter. På vegne av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet vil jeg ta opp vårt
Da har representanten Ingebjørg Godskesen tatt opp det forslaget hun refererte til. Stad skipstunnel er

interessant debatt som fokuserte på en del av de viktige problemstillingene vi står overfor på trafikksikkerhetsområdet. Jeg har også lyst til å si at vi gjerne må slå oss på brystet og si at det er bra at vi er et av Europas beste land, men jeg synes ikke det er så veldig mye å slå seg på brystet for når vi vet at nabolandet vårt er himmelvidt foran oss. Jeg vet at når man prater om trafikksikkerhet, er regjeringspartienes representanter veldig opptatt av å fokusere på bilistens ansvar. Men jeg har lyst til at man faktisk skal dvele litt ved at staten også har et viktig ansvar når det gjelder trafikksikkerhet. For å sette det i perspektiv: Det landet i verden som er best på trafikksikkerhet, har nesten 2 000 km motorvei. I Norge har De har over 2 000 km med midtdelere, hvor man skiller kjørebanene og hindrer at folk omkommer i møteulykker. Det viser at man også har gjort grep der i forhold til veisituasjonen og veiholders ansvar, som man er langt unna å ta ansvaret for i Norge. Jeg hører også at man er veldig opptatt av Nasjonal tiltaksplan for 2010–2013. Ja, det er mange gode forslag til tiltak i den tiltaksplanen, men den fokuserer veldig mye på det andre og det som ikke staten har ansvaret for, nemlig bilistene og alle andre som i stor grad er dem man er opptatt av skal ta ansvar for trafikksikkerheten. Og ja, vi har alle et ansvar – bilistene har et ansvar men jeg synes også det er viktig å påpeke at staten langt ifra tar sitt ansvar. For å sette det litt i perspektiv: I går var det en rettssak i tingretten om den 45 år gamle familiefaren Cato Paulsen, som omkom i en motorsykkelulykke 4. juni 2008. Han fikk skrens, veltet og havnet under en møtende lastebil. Ulykken skyldtes løs grus som følge av et hull i veibanen, som ikke var asfaltert. De etterlatte saksøkte Akershus fylkeskommune og Mesta Drift for grov uaktsomhet. I går kom retten fram til at arbeiderne hos de to saksøkte har opptrådt uaktsomt fordi det ikke ble satt opp varselskilt. Familien slipper derfor å betale saksomkostningene, men fikk ikke medhold i at det var grov uaktsomhet, og derfor heller ingen erstatning. De er fornøyd med dommen fordi det er blitt slått fast at ulykken skyldes veien og ikke familiefaren. Jeg synes likevel det er på tide å stille det store spørsmålet: Mener statsråden fortsatt at alle ulykker i Norge stort sett skyldes trafikantene, eller er det sånn at man nå kanskje må begynne å revurdere sine gamle standpunkter? For det har vært diskusjonen og debatten i denne salen. Jeg synes det er et stort paradoks at den som kanskje både har ressurser og mulighet og i hvert fall burde ta sitt ansvar, ethvert ansvar for ulykker som skjer på veinettet vårt. Vi har fått gjentatte rapporter som dokumenterer at det utrolig dårlige veinettet vi har i Norge, er skyld i mange av de ulykkene som skjer på veienettet, og som dessverre får fatale konsekvenser. Det er vanskelig å kunne ta for seg alle de gode forslagene som er i representantforslaget vårt, men jeg håper virkelig at alle representantene her og alle som i ettertid vil lese referatet, faktisk vil gå inn og lese representantforslaget om konkrete tiltak for å bedre sikkerheten på veinettet. Jeg synes det er trist at ingen andre partier vil være med på et forslag som sier: «Stortinget ber regjeringen før sommeren 2011 legge frem en sak med tiltak for å bedre sikkerheten på veinettet, inkludert: – en komplett oversikt over de mest ulykkesutsatte strekningene på riks- og fylkesveier – forslag til tiltak på de ulykkesutsatte strekningene, spesielt midtdelere og forhold knyttet til veivedlikehold og veidrift – en plan for finansiering av trafikksikkerhetstiltak – forslag om ansvarliggjøring av veiholder og veietat for manglende trafikksikkerhet». Dette ville vært opplysninger som kunne vært avgjørende, og som er viktige i det videre arbeidet med trafikksikkerhet i Norge. Dessverre ser det ut som om alle partiene kommer til å stemme imot det, med unntak av Fremskrittspartiet, selvfølgelig. Jeg håper at flere tenker sånn og ser på forslagene til Fremskrittspartiet,

For min del vil jeg forholde meg til representantforslag nr. 76 S, som er fra en samlet opposisjon. Det går i all korthet ut på at vi ber regjeringen fremme en handlingsplan om trafikksikkerhet på vei. Bakgrunnen for dette er et ærlig forsøk på å komme fram til en forpliktende plan som hele Stortinget kunne stille seg bak forplikte seg til. Derfor har vi utfordret statsministeren på dette. Han avviste å ta imot en utstrakt hånd fra opposisjonen. Det samme har vi også gjort overfor samferdselsministeren, som heller ikke ønsket den hjelpen, og nå regjeringspartiene her i Stortinget når de høyst sannsynlig ikke kommer til å støtte forslaget senere i dag. Jeg syns faktisk at det er litt trist. For det kan da ikke ligge mye partiideologi i å ville ha sikre forhold i trafikken, i dette tilfellet nedfelt i en forpliktende handlingsplan. Så hevdes det fra regjeringspartiene, og også fra saksordføreren, at vi har en slik plan. vi har sett en nasjonal tiltaksplan, vi også, men den er utarbeidet av Statens vegvesen, Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Trygg Trafikk, og den forplikter Den forplikter heller ikke regjeringen, ser det ut til, siden regjeringen etter to år med sin egen NTP-plan ligger 500 mill. kr bak det som var målsettingen i NTP på trafikksikringsområdet, hvor bevilgningsnivået etter to år burde Det kan bare bety at den ikke er forpliktende, og at en tredjedel av de 152 tiltakene i denne planen er satt på vent. Jeg skal ikke gå så mye inn på konkret innhold, det har vi gjort i flere debatter tidligere, men jeg tror det hadde vært bra for Stortinget å kunne hvor vi mente noe om de fysiske forhold, tilstand på veiene, hvilke målsettinger vi satte oss der, videreutvikling av gode atferdsmønstre og selvfølgelig også krav til kjøretøy. Det tror jeg vi hadde stått oss på, og det kunne blitt en bra, samlende øvelse for Stortinget. Jeg har også lyst til å bruke noen få sekunder på den gledelige nyheten i dag om at det i fjor ikke var noen barn som omkom i trafikken. Det syns jeg er veldig bra. Det viser at atferdsendring går an, og det viser at den type stimulering som man har gjort over mange, mange år, virker. Det er vel hevet over enhver tvil at unge mennesker i dag som tar med seg sine barn i bilen, har en helt annen holdning til hvordan barna må sikres, enn bare generasjonen før dem hadde.

bakgrunn av den utsegna fekk han gjennom dei faglege etatane lagt fram kva som måtte til for å redusere røykinga blant dei unge med 50 pst. På denne bakgrunnen fekk han da anbefalt å innføre m.a. røykjelova, og så kjenner me til dei politiske prosessane. Men eg trur ikkje at røykjelova hadde blitt til viss det ikkje hadde vore politiske prosessar frå regjering og storting. Eg trur ikkje fagetatane er dei som kan treng ein handlingsplan som ser heilskapen når det gjeld vår største utfordring innanfor trafikksektoren, som er trafikksikkerheit. Eg har lyst til å bruke nokre eksempel på kvifor eg meiner me treng ein slik type handlingsplan: Det eine er den debatten som har gått i vinter, europavegen mellom Lyngdal og Flekkefjord i dag, trur eg me med 100 pst. sikkerheit hadde bygd han med midtdelarar. Det var ein veg som mange av våre politiske parti var med og støtta, og som me bestemte oss for å byggje i 2003–2004. Som eit OPS-prosjekt – blei det bestemt i 2001 – blei det bygd utan midtdelarar. I dag ville me bygd det med midtdelarar. No har me ei tydeleg prioritering for kva for vegar me ønskjer å byggje med midtdelarar, og kva for vegar me ønskjer å byggje utan. For me kan ikkje byggje alle vegar i Noreg med midtdelarar. Men eg meiner me må få ei tydelegare føring for kva for vegar me skal byggje. Så kan me gå til spørsmålet: Kva for rekkverk skal vi ha? Det opplever eg å få veldig forskjellige tilbakemeldingar på. Vaierrekkverk? Det er ulike faglege kan i dag glede oss over at ingen barn omkom i trafikken i fjor. Men ser me på talet på unge menn som blir drepne i trafikken, så har me ingen grunn til å glede oss. Samanliknar me talet på unge menn og unge kvinner som er drepne i trafikken i Noreg, med talet i Sverige, ser me at Noreg har eit betydeleg høgare tal. Kva kan me lære av Sverige når det gjeld trafikksikkerheit? No har regjeringa – og det synest eg er gledeleg – valt å redusere hastigheita på nokre vegar. Ja, kva ligg bak den typen vurderingar? Me veit jo at menneskekroppen kan tole visse hastigheiter. Men kor går grensa for kva me toler? Det har betydning for kor gamle me er, kor godt fysisk utrusta me er i forhold til dette, men me veit at det er nokre grenser, rundt 70 km/t. Eg trekkjer berre fram nokre problemstillingar som eg meiner viser at me treng ein heilskapleg gjennomgang av dette, og derfor støttar eg fullt ut forslaget om ein handlingsplan om trafikksikkerheit. Eg meiner at den største utfordringa me har, bør så absolutt òg Stortinget bli involvert i.

finansiering av trafikksikkerhetstiltak og å ansvarliggjøre veiholder og veietat for manglende trafikksikkerhet. Det synes jeg er vel og bra. Det er jo klart at staten også har et ansvar – et viktig ansvar – for trafikksikringstiltak som virker. Mitt ærend i denne debatten gjelder faktisk ikke det. Mitt ærend gjelder alkohol. Jeg synes det er en svakhet ved de debattene som har vært, at en går forbi dette og ikke snakker om det i særlig grad. Utgangspunktet er jo at alkohol og alkoholbruk blir stadig mer vanlig, akseptert og alminneliggjort i samfunnet. i Norge er sterkt økende, mens den i flere av de europeiske landene er nedadgående. Alkoholen er jo en av de viktigste dødsårsakene blant unge – unge menn spesielt – i alderen 15–29 år. Så er det grunn til å tro at halvparten av dem som omkommer i trafikkulykker, har tilknytning til en bilfører som har kjørt i kort tid etter inntaket av alkohol. Man regner med at det hver dag ferdes 40 000 sjåfører i trafikken under påvirkning av alkohol, narkotika eller legemidler. Jeg synes som sagt det er bemerkelsesverdig at debatten om trafikkdød ikke blir mer fokusert på som er forslagsstiller til et av dagens Dokument 8-forslag, er ikke dette nevnt i det hele tatt som et fokusområde. Senere i dag skal vi i helse- og omsorgskomiteen debattere endringer i alkoholloven. I den saken vil Fremskrittspartiet og Høyre i prinsippet gå inn for en endring der kommunene får anledning til å skjenke alkohol hele en sterk liberalisering. Som eneste parti nekter Fremskrittspartiet å være med på uttalelser som knytter alkohol til skader, ulykker og uhelse. I vår komitémerknad viser vi, inkludert Høyre, til at det er en klar og veldokumentert sammenheng mellom og forbruk når det gjelder alkohol, at det er en sammenheng mellom alkoholkonsum og helseskader, og at alkoholrelaterte helseskader også er knyttet til promillekjøring og trafikkulykker, og dette stemmer altså Fremskrittspartiets helsefraksjonen imot. I stedet kjemper de, sammen med Høyre, for at Vinmonopolet i framtiden må få lov å ha åpent på julaften. Derfor blir etter mitt syn for å redusere trafikkulykker og trafikkdød, halvhjertet. Det synes jeg er beklagelig. Den rød-grønne regjeringen fremmet sist fredag forslag til ny folkehelselov. Folkehelsearbeidet skal skje på alle samfunnsområder, på alle politikkfelt. Samferdselskomiteen er en viktig folkehelsekomité, og samferdselsministeren er en viktig helseminister. Uten at vi tar på alvor at så mange av ulykkene og dødsfallene på veiene i Norge skyldes alkohol, pillebruk og narkotika, vil vi aldri klare å nå nullvisjonen om trafikkskadde, uansett hvor mange midtdelere og bedre veier denne regjeringen klarer å bygge. Jeg skal ikke gjenta sammenligningen med våre naboland når det gjelder å redusere antall trafikkdrepte, det står nemlig i innstillingen, men bare konstatere at Norge taper i konkurransen om å redusere antallet trafikkdrepte. Det